40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid.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

altfor ofte fått eksempler i media som viser at det skjer overgrep mot barn som er i statens varetekt, som overhodet ikke skal skje. Det nå å få på plass skikkelige tiltak for å prøve så godt vi kan å motvirke dette, er veldig bra. Men så må vi understreke at kravet om de attestene som vi nå vedtar i dag, kan ikke stå alene. Det er også andre tiltak som må på plass og hele veien må fokuseres på, slik at vi kan beskytte de barna som trenger det, mot overgrep. Det vi legger til grunn i saken, er politiregisterloven, som ble vedtatt i Stortinget for en tid siden, når vi nå får på plass barneomsorgsattester i barnevernet for å få bedre beskyttelse mot overgrep eller skadelig innflytelse på mindreårige barn som er i statens varetekt.

barnet. Derfor går Fremskrittspartiet litt lenger enn resten av komiteen. Vi ønsker at Stortinget skal få til behandling en ny lovendring som gjør det mulig å kreve uttømmende barneomsorgsattester også av flere. Jeg fremmer dette forslaget. Så til hvilke konsekvenser anmerkning skal få. I dag er det ikke noen regler for hvilke konsekvenser det skal få hvis en har anmerkning. Derfor er vi glad for at dette kommer på plass, slik at en kan få utvidet beskyttelsen også her. Så til det som gjelder fornyet barneomsorgsrett. I dag er det slik at en ikke kan kreve politiattest av en som allerede er ansatt. Derfor er det viktig at vi nå i dag får dette på plass, slik at en kan kreve ny politiattest

Så er det en liten sak angående fylkesmannens tilsyn med kommunene. Komiteen var på besøk i Tromsø, og det som kom opp der i forhold til fylkesmannen i Troms, var at han faktisk etterlyste konsekvenser av at kommunene ikke overholdt de lovene og reglene som de var satt til å holde. Det som fylkesmannen ønsket, var å ha sanksjonsmuligheter. Det

Endringane som no blir foreslått i barnevernslova, om krav til politiattestar mv., er svært viktige å få på plass for vidare å styrkje beskyttelsen av barn i barnevernet. Trygge vaksenpersonar er viktige i eit barns liv. Mange av barna som er under barnevernets omsorg, har opplevd stor mangel på dette, og fleire har store vanskar med å stole på og føle tillit til vaksne. Barn skal ikkje oppleve overgrep og omsorgssvikt eller annan skadeleg innflytelse under barnevernets omsorg. Det er mange ulike tiltak og verkemiddel som må verke saman for at barna i barnevernets omsorg skal føle seg trygge og danne gode, trygge relasjonar til vaksne. Ei heilt primær og svært alvorleg oppgåve barnevernet har, er å beskytte barn mot nye overgrep eller vidare omsorgssvikt. Me skal gje barna den beste tryggleiken i møte med nye vaksenpersonar, som skal vere trygge for dei. Gjennom å innarbeide politiregisterlovas reglar om barneomsorgsattestar i barnevernslova oppnår ein å gje betre beskyttelse mot overgrep eller alvorleg skadeleg innflytelse på mindreårige barn. Barneomsorgsattestane er meir omfattande enn politiattestane som ein krev i dag. Barneomsorgsattestane omfattar merknader knytte til seksualbrotsverk mot vaksne, drap, narkotikabrotsverk og grov valds- og ranskriminalitet i tillegg til merknader knytte til seksualbrotsverk mot barn. I tillegg skal det krevjast uttømmande politiattest av fosterforeldre og foreldre i avlastingsheimar. Ved innkrevjing av uttømmande politiattest meiner me at det er heilt greitt at ein skal opne for å bruke skjønn ved dei mindre alvorlege hendingane, som ikkje ville kome fram av ein avgrensa attest. På den andre sida meiner komiteens fleirtal at det ikkje skal kunne brukast skjønn på avgrensa attest, då denne Eg meiner at me den siste tida har sett alvorlege og viktige eksempel på at dette ikkje bør basere seg på skjønn. På dei avgrensa attestane treng me klare reglar for å unngå tvilstilfelle, til beste for barna. Framstegspartiet foreslår å krevje uttømmande attest òg av støttekontaktar og andre som har tilsvarande og jamleg kontakt med barn. frå lang tid tilbake vil ikkje nødvendigvis gje høve til tvil om personens eigenskap i dag. Det er viktig å påpeike at beskyttelsen av barn blir teken vare på av langt fleire verkemiddel i ein institusjon enn i ein fosterheim eller i ein avlastingsheim, og at det vil vere vanskeleg i praksis kanskje å velje ut kva type institusjonsstillingar det skal krevjast uttømmande attest for. Eit slikt krav er òg etter vårt syn uforholdsmessig streng kontroll av tilsette. I den nye politiregisterlova er det opna for å krevje ny politiattest knytt til eventuelle straffbare høve som har funne stad etter tilsetjinga. Det er òg viktig å sjå dette i samanheng med politiets plikt til å førebyggje kriminalitet. Eg ynskjer òg å vise til at det i samband med behandlinga av politiregisterlova blei drøfta eit forslag om å krevje ny attest kvart tredje år, slik Framstegspartiet no foreslår på nytt. Berre for to år sidan vart det vedteke at ein slik heimel ikkje skulle innførast i lova, men at det i staden skulle vedtakast ein heimel for å fornye vandelskontroll for tilfelle der brukaren av opplysningane, f.eks. arbeidsgjevar, har fått tilgang til informasjon som gjev grunn til å tru at det føreligg nye opplysningar av betydning. Departementet har lagt til grunn at fornya vandelskontroll på barnevernsområdet må følgje tilsvarande avgrensing. Likevel meiner me det er viktig at barnevernstenesta har gode interne rutinar for å vurdere behovet

og de har ekstra behov for beskyttelse. Det er derfor ekstra viktig at de voksne som skal ha et ansvar for og et tillitsforhold til disse barna, er verdige oppgaven. Endringene vi gjør i dag, kan være et verktøy til bedre å vurdere det. Tillit er en skjør ting, og sviket kan oppleves dobbelt så tungt og være dobbelt så skadelig hvis det skjer igjen og igjen.

Ved å innarbeide politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester i barnevernsloven oppnår en å gi bedre beskyttelse mot overgrep eller alvorlig skadelig innflytelse på mindreårige barn. En av våre viktigste oppgaver er å beskytte de minste. Å beskytte barn – særlig de mest sårbare barna mot overgrep er vårt aller viktigste ansvar. Høyre vil understreke at krav om politiattester alene ikke er nok. Selv om det er viktig å kreve politiattester for å forhindre at personer begår overgrep eller har skadelig innflytelse på mindreårige barn,

at en nå skal kreve avgrenset barneomsorgsattest i henhold til politiregisterloven § 39 første ledd av den som skal ansettes i barnevernstjenesten, i institusjon, eller som utfører nærmere bestemte oppgaver i barnevernet. For Høyres del har vi noen særmerknader. Den første går på

belastet fortid kan ha mye å tilføre barn og ungdom. En opplever selv hvis en snakker med en del ungdommer på institusjon, at det kanskje er de som har vært ute en vinterdag før, som ungdommene føler at de kan hente mye styrke fra. Derfor er det viktig at en her bruker litt sunn fornuft, rett og slett, slett, i forhold til disse menneskene. Dersom en person gjennom et langt liv har tatt et oppgjør med fortiden sin og ønsker å starte på nytt, skal man gjøre en skjønnsvurdering og gi folk en ny sjanse, ikke minst fordi kanskje noen av dem kan ha muligheter til å bidra i disse ungdommenes liv.
Neste taler er representanten

Folkeparti støtter forslagene i proposisjonen. Jeg vil bare knytte noen kommentarer til et par av elementene ved lovendringene. Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt samtlige anmerkninger skal medføre utelukkelse fra oppgaver overfor mindreårige, eller om det i enkelte tilfeller skal åpnes for skjønn, er Kristelig Folkeparti opptatt av at det er viktig å være åpen for at også personer med en kriminell fortid, men som har lagt denne fortiden bak seg, kan ha mye å tilføre barn og ungdom. Dersom en person gjennom et langt liv har tatt et oppgjør med fortiden og ønsker å starte på nytt, er det viktig at det skal være mulig å gjøre en skjønnsvurdering. Regjeringen foreslår skjønnsadgang ved uttømmende attest på alt annet enn det som også framkommer på den avgrensede attesten. Men regjeringen foreslår ikke skjønnsadgang ved slik det altså ble gjort for noen tilfeller i høringsnotatet. Seksuelle overgrep mot barn er eksempel på en forbrytelse der det ikke bør være rom for en ny sjanse ved ansettelse i barnevernet. Kristelig Folkeparti mener likevel at det er viktig å viktig å ha en holdning der vi er åpne for å gi folk en ny sjanse, og vi gir derfor i innstillingen uttrykk for at vi mener at regjeringens forslag er noe stramt. Det er likevel viktig å erkjenne at ingen opplegg for krav til politiattester og forhåndskontroll av ansatte i barnevernet kan gi oss noen garanti for at vi unngår at det skjer misbruk og overtramp i forhold til barna i barnevernet. Det vil alltid være et spørsmål om tillit til de ansatte og til de voksenpersonene som får ulike oppgaver i barnevernet. Det kommer vi aldri unna. Men ikke desto mindre er det viktig å ha et godt rammeverk for å gjennomføre en skikkelig og rimelig kontroll av de personene som vi engasjerer i arbeidet for de mest sårbare barna. Når det gjelder forslaget til justeringer på tilsynsområdet, vil jeg understreke det komiteen påpeker, at det flere ganger har kommet eksempler på at kommuner bryter barnevernsloven, kommuner bryter barnevernsloven, og at det er viktig at det blir gjennomført et skikkelig tilsyn med kommunene. I innstillingen viser vi også til at enkelte fylkesmenn ikke utnytter sin hjemmel til å ilegge kommuner som bryter barnevernsloven, sanksjoner godt nok. Jeg vil understreke at Stortinget må sikre at barnevernsloven følges, og det må ikke herske noen tvil om at alle brudd på loven er Ressurssituasjonen i kommunene på barnevernsområdet er vel kjent. Her er det store utfordringer. Det nærmer seg valg, og vi vet allerede at vi vil se mange løfter og ambisiøse utspill fra regjeringspartiene innenfor eldreomsorgen og innenfor opptrapping av kultursektoren, og vi har sett ambisiøse politiske prosjekter for opptrapping innenfor barnehagesektoren.

og det er alvorlig for barnevernet. Kristelig Folkeparti kommer ikke til å gi seg før en slik opptrappingsplan er på plass. Så langt har vi sett at de rød-grønne har valgt å ikke prioritere barnevernet opp mot andre områder, som får langsiktige satsinger og opptrappingsplaner, som har gitt andre sektorer et løft. Nå er det barnevernsbarnas tur, og jeg håper at regjeringen snart åpner ørene for det viktige budskapet.

Jeg er derfor glad for at komiteen slutter seg til forslaget om bruk av mer omfattende politiattester enn i dag. Forslaget bygger på reglene om barneomsorgsattester i politiregisterloven, som ble vedtatt i fjor. Slike barneomsorgsattester skal vise seksuelle overgrep mot barn og voksne, drap, grov volds- og ranskriminalitet I samsvar med lovforslaget skal alle som skal ansettes i barneverntjenesten og på institusjon, legge fram slik attest. Jeg er videre glad for at komiteen slutter seg til forslaget om at slik attest også skal kreves av personer som ikke ansettes, men som skal utføre oppgaver som medfører kontakt med barn og unge. Dette vil bl.a. gjelde personer som har oppgaver som ledd i hjelpetiltak eller for institusjon. Dette vil bidra til økt Fosterforeldre og private som tar imot barn som avlastningstiltak, skal legge fram uttømmende politiattest som viser anmerkninger knyttet til brudd på samtlige straffebud. Dette vil føre til bedre kontroll med personer som jevnlig og over tid skal ha heldøgns omsorgsansvar overfor mindreårige. Dette er også i samsvar med politiregisterlovens regler for hvilke formål som berettiger bruk av uttømmende attest. Jeg har om at uttømmende attest også skal kreves av støttekontakter og andre som har tilsvarende jevnlig og nær kontakt med barn. Det vanskeligste spørsmålet i denne saken er hvilke konsekvenser anmerkninger på avgrenset barneomsorgsattest skal ha. Flere av talerne har vært inne på det. Å bli utelukket fra arbeid i barnevernet er alvorlig. Det var stor uenighet blant høringsinstansene om det burde være adgang til bruk av skjønn eller ikke ved vurderingen av konsekvensene. Komiteens mindretall uttaler at det bør være en skjønnsregel. Lovforslaget åpner imidlertid ikke for bruk av skjønn. Dette er særlig begrunnet med at avgrenset barneomsorgsattest bare viser overtredelser knyttet til svært alvorlige forhold. Barnevernet har videre ansvar for barn i særlig sårbare situasjoner. Et skjønn med hensyn til om en person med anmerkning skal ansettes eller ikke, bør derfor ikke overlates til den enkelte arbeidsgiver. Jeg er glad for at flertallet har sluttet seg til denne vurderingen. Utelukkelsen vil for øvrig være tidsbegrenset når det gjelder grov volds- og ranskriminalitet, samt ved Når det gjelder uttømmende attest som kreves av fosterforeldre, skal det imidlertid brukes skjønn dersom det framkommer anmerkninger knyttet til brudd på andre straffebud enn dem som omfattes av avgrenset attest. Det vil ikke alltid være slik at et mindre alvorlig lovbrudd fra lang tid tilbake – f.eks. en vinningsforbrytelse – gjør en person uegnet til å være fosterforelder. Vurderingstemaet er også nettopp om anmerkningen kan skape tvil om Kravet om politiattest gjelder ved ansettelse. I enkelte tilfeller vil det være behov for fornyet kontroll. Dette kan arbeidsgiver kreve dersom det er grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning. Slik Stortinget vurderte det ved behandlingen av politiregisterloven, vil imidlertid etterfølgende rutinemessig kontroll av ansatte være uforholdsmessig ressurskrevende. Vi har lagt tilsvarende til grunn på Det er likevel viktig at barnevernstjenestene utvikler gode rutiner for å sikre fornyet kontroll der dette er påkrevet. De endringer i barnevernsloven som Stortinget vedtar i dag, betyr et enda bedre vern for de mest utsatte barn og unge. Det er barnets beste som må veie tyngst i disse vurderingene. Det blir replikkordskifte. Det er viktig å påpeke at det ikke er en menneskerett å få lov til

Det innebærer jo at man kan ha mulighet til å sjekke dem som kommer fra andre EØS-land, når de søker jobber i barnevernet. Men vi har sett flere ganger at det kanskje ikke er det som har blitt prioritert, og vi har sett at politiet ikke har hatt tid eller anledning til å sjekke dette opp. Det som er viktig, er at det blir sørget for at det er gode rutiner, slik at de som kommer fra andre EØS-land, også blir sjekket. Hva vil regjeringen gjøre for å få gode rutiner på dette?

Det høringsnotatet vi har, inneholdt en drøfting av dilemmaet knyttet til vandelskontroll av utlendinger utenfor EØS. Så ble det bedt om generelle synspunkter på om det ville være hensiktsmessig å innføre krav om botid på inntil fem år til erstatning for vandelskontroll. Politiregisterloven åpner for en slik mulighet. Men her var det delte meninger i høringsinstansene. Mange la vekt på beskyttelseshensynet for barna, og mente at et krav om botid ville være ønskelig. Men det var en generell, stor støtte til forslaget om å vurdere spørsmålet samlet for andre sektorer. Så det jeg kan forsikre om, er at vi har sluttet oss til en slik samlet vurdering. Denne saken ble ikke tatt inn i proposisjonen, men vi har fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet et ansvar for å innkalle aktuelle departementer til vurdering av den type saker. I proposisjonen foreslår regjeringen en presisering av tilsynshjemmelen på barnevernsområdet. Det er

ansvar? Som kjent er det ingen opptrappingsplan for det kommunale barnevernet, enda vi er kjent med hvor alvorlig situasjonen er. Det er ikke lagt fram noen ambisjoner fra regjeringen for Stortinget om hvordan man skal trappe opp bevilgningene. Det gjør jo at en del rådmenn klør seg i hodet med tanke på hvordan man skal bruke de midlene som man har fått på årets budsjett. Hvilket ansvar har statsråden når tilsynet avdekker at kommunene på bred front ikke makter de oppgavene som barnevernsloven pålegger dem? Jeg hører representanten Håbrekke flere ganger er inne på regjeringens manglende satsing på barnevern. Det er da slett ikke riktig. I det året som vi er inne i nå, har regjeringen stilt opp med nesten 400 nye barnevernet. Dette er selvfølgelig en satsing vi ønsker å fortsette med. På hvilken måte vil framkomme av budsjettdokumentene når de legges fram. Men det egentlige spørsmålet handler om hva man gjør når tilsynet med kommunene krever at kommunene kanskje følger opp på en enda bedre måte. måte. Da vil jeg svare at det som står om tilsynet i denne saken nå, ikke er noen realitetsendringer, men en understreking av at fylkesmennenes tilsyn er et lovlighetstilsyn, og man vil da følge opp med å lovfeste en henvisning til kommuneloven kapittel 10 A. Det betyr at det er en lovhjemmel for tilsynet, og da står man sterkere fra tilsynsmyndighetenes side også i oppfølgingen av kommunene. Jeg har god erfaring med samhandlingen mellom fylkesmenn og kommuner, og vet at det skal både en lovhjemmel til og en god dialog til for å kunne følge opp på en god måte.
I merknadene viser Høyre og Kristelig Folkeparti til at regjeringen i proposisjonen ikke opprettholder forslaget om en snever unntaksregel, på tross av at flere høringsinstanser har støttet det, bl.a. Bufetat, barneombudet og Politidirektoratet. Barneombudet sier også i sin uttalelse at det er veldig viktig at voksne som har erfaringer som kan være nyttige for barn, f.eks. personer som har gjennomført en vellykket rehabilitering etter fengselsopphold, får muligheten til å jobbe i barnevernet. Kan statsråden svare på hvorfor det er viktig å utelukke disse personene, at man ikke åpner for en skjønnsmessig vurdering når vi vet at kanskje disse menneskene – som har en del opplevelser og erfaringer, men som har startet et nytt liv – ønsker å tilføre disse ungdommene noe? Hvorfor kan man ikke vurdere i det enkelte tilfellet? Det er en del forhold som har vært grundig vurdert, og som det er viktig å ha med seg som bakgrunn for dette arbeidet og de lovendringene vi gjør nå. Det ene er i størst mulig grad å harmonisere dette med politiregisterloven. Det andre, som representanten her tar opp, handler om om det er mulig å bruke skjønn. Jeg sa litt om gjøres når det gjelder fosterforeldre, men ikke når det gjelder annet personale – er det fordi man her snakker om de aller groveste forbrytelsene. Da er vurderingen slik, selv om det sikkert er delte meninger om det også, at da skal man ikke kunne bruke skjønn og pålegge en arbeidsgiver det tunge ansvaret det er å utforme det skjønnet. Så det er grunnen til at man ikke åpner for det, men at man er åpen for en skjønnsvurdering når det gjelder andre, f.eks. fosterforeldre. Replikkordskiftet er slutt. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen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

tydelig understreker at det er barnets beste som er utgangspunkt for adopsjon, og at det er barnets beste som er formålet med adopsjon. Barns behov for en familie og for trygghet er viktigst. Det er ikke voksnes behov for et barn som er adopsjonsprosessens begrunnelse, utgangspunkt og formål. Komiteen understreker at det er antall barn som trenger et hjem og hensynet til barnets ventetid, som må være styrende, ikke antall voksne som ønsker å adoptere, eller hensynet til de voksnes ventetid. Komiteen siterer også i innstillingen Adopsjonsforums høringsuttalelse om mangelen på barneperspektiv i den norske debatten: «Debatten om adopsjon i Norge er for ofte preget av et perspektiv der det kun fokuseres på ønsker eller krav fra voksne. Dette kan enten gjelde barnets opprinnelige foreldre, eller grupper av søkere som påberoper seg «rettigheter» til å kunne adoptere. Det er viktig at all adopsjon må vurderes ut fra hva som tjener barnet, og at omsorgsovertakelse gjennom adopsjon bare skal brukes dersom dette er til barnets beste.» Dette er et viktig perspektiv, som vi alltid må minne oss selv om når vi diskuterer adopsjonstematikk. Jeg er glad for at komiteen også understreker alvoret i et vedtak om adopsjon. Adopsjon er et av de mest fundamentale inngrep staten kan foreta overfor et individ. Det består ikke bare i at individet får en ny familie, men også at man klipper over de juridiske båndene til dets opprinnelige familie. Det er nettopp alvoret i den prosessen som gjør at det må stilles store krav til saksbehandling samt krav til vandel, omsorgsevne, helse, alder, økonomi, bolig Komiteen er derfor enig med forslagsstillerne i at det er viktig med en grundig vurdering av adopsjonssøkerne. Komiteen er også enig med forslagsstillerne i at det bør være et mål for norske myndigheter å inngå nye avtaler med land der det er behov. Komiteen presiserer at det er viktig at norske myndigheter stiller høye krav og gjør en grundig jobb når nye adopsjonsland skal godkjennes. Statsråden viser i sin vurdering av representantforslaget til NOU 2009:21 Adopsjon – til barnets beste. Komiteen er enig med statsråden i at forslagene i dette representantforslaget må ses i sammenheng med den helhetlige gjennomgangen av adopsjonsfeltet. Komiteen forutsetter at regjeringen kommer til Stortinget med en bred gjennomgang av adopsjonsfeltet i en egen sak og avventer derfor departementets videre arbeid. Komiteen foreslår på den bakgrunn at Uten å foregripe den overordnede debatten som kommer, vil jeg si litt om Kristelig Folkepartis syn. Kristelig Folkeparti er enig i at adopsjonsprosessen kan forenkles og ta kortere tid. Vi peker i innstillingen spesielt på behovet for å vurdere dagens aldersbestemmelser og praktiseringen av disse bestemmelsene. Kristelig Folkeparti er enig med forslagsstillerne i at adopsjonsstøtten må økes. Det er for øvrig også regjeringspartiene i sine partiprogram, men dog ikke Høyre og Fremskrittspartiet. Kristelig Folkeparti har programfestet og foreslått en opptrapping av adopsjonsstøtten til 2 G. Kristelig Folkeparti har for øvrig også foreslått en økning av engangsstøtten ved fødsel og adopsjon til 2 G. Når det gjelder de forslagene som er lagt fram fra Venstre, vil jeg for Kristelig Folkepartis vedkommende si at vi ikke vil støtte de forslagene ved votering. Det er

respekt for at regjeringen er i gang med en tung prosess med gjennomgang av et betydelig arbeid som ligger i den nevnte NOU-en, og vi avventer at regjeringen kommer tilbake med en grundig gjennomgang av hele adopsjonsfeltet der vi kan behandle de forslagene fra Venstre i en større sammenheng og gi dem det alvoret og den grundige behandlingen som de fortjener. Presidenten går ut fra at representanten også skal ta opp forslag. Representanten skal ta opp Kristelig Folkepartis forslag. Da har representanten Øyvind Håbrekke tatt opp det forslaget han refererte til. Formålet med ein adopsjonsprosess er å gje ein god og varig heim til eit barn som ikkje kan bli teke hand om av dei biologiske foreldra sine. Eg meiner, på linje med høyringsuttalen frå Adopsjonsforum, at adopsjonsdebatten i Noreg ofte er prega av eit manglande barneperspektiv, og at me faktisk i desse debattane bør merkje oss det. Me snakkar ikkje om foreldre som har rett til barn, men me snakkar om barn som treng ein familie.

Eg meiner òg at me bør kunne forenkle adopsjonsprosessane, men ikkje gjere dei mindre sikre. Formålet må alltid vere å sikre barn ein god og varig heim. Når dette er tydeleg kommunisert, vil eg kommentere dette som forslagsstillarane tek opp rundt ventetid og sjølve prosessen. Mitt inntrykk er at ventetida, sjølv etter at ein er godkjend som adoptivforeldre, kan vere lang bl.a. fordi fleire land me fleire land me har hatt samarbeidsavtale med, no blir fasa ut. Eg meiner dette er viktig å sjå vidare på, i tråd med kva forslagsstillarane seier i sitt forslag om å inngå samarbeidsavtaler med fleire land. Eg vil òg påpeike at mange av dei som i dag skal sakshandsame starten av adopsjonsprosessane, er dei same personane som arbeider med barnevernssaker i kommunane, og derfor var regjeringa si styrking av det kommunale barnevernsfeltet

land me skal adoptere frå, og me meiner, i tråd med kva ein samla komité skriv i sine merknader, at det er viktig at norske myndigheiter stiller høge krav og gjer ein grundig jobb når nye adopsjonsland skal godkjennast. Dette står i sterk kontrast til forslaget frå Framstegspartiet og Høgre, og eg ynskjer å få klarleik i kva dei faktisk meiner her. Dei konsekvensane me kan sjå dersom ein ikkje gjer ein grundig jobb med å godkjenne Haagkonvensjonen om internasjonal adopsjon seier at barn skal vernast mot bortføring, sal eller handel. Me kan m.a. sjå til fleire land i Aust-Europa der barn i utstrakt grad er utsette for organisert kriminalitet. Europarådets rapport, frå sosial-, helse- og familiekomiteen, av 7. desember 2007 viser til grufulle eksempel der barn er blitt stolne frå fødestua og vidareformidla til adoptivforeldre av korrupt helsepersonell som sel barn til organiserte kriminelle – og den biologiske mora får beskjed om at barnet var korrupt helsepersonell som sel barn til organiserte kriminelle – og den biologiske mora får beskjed om at barnet var dødfødd. Dette skjer faktisk i austeuropeiske land i dag. For Arbeidarpartiet er det heilt avgjerande å arbeide mot all form for menneskehandel. Me meiner heilt klart at det er av avgjerande betyding å halde ved lag eit strengt krav til både adopsjonsformidlarar og dei landa me inngår samarbeidsavtale med. Dette er m.a. grunnen til at Noreg ikkje har samarbeidsavtale med fleire land Så mitt spørsmål er om Høgre og Framstegspartiet er klar over konsekvensen av forslaget sitt om å gjere det mogleg å søkje om adopsjon frå land som ikkje er godkjende. Arbeidarpartiet tek iallfall avstand frå eit slikt forslag. Eg er glad for at debatten om adopsjon og adopsjonsprosessar handlar om meir Denne debatten handlar om meir enn berre ein enkelt budsjettpost. Men eg merkar meg òg at Høgre ynskjer å auke adopsjonsstønaden utan å ha dekning for dette i sitt alternative budsjett. Adopsjon som prosess har som føremål å gje eit barn ein trygg og varig heim. Det er òg viktig at Noreg får fleire land å inngå samarbeidsavtalar med, slik at fleire barn som har behov for det, kan få ein god Samtidig er det faktisk slik at det er meir etterspørsel etter små, friske barn. Det sørgjelege paradokset innanfor internasjonal adopsjon er at det finst mange barn mellom fem og 15 år som treng ein ny heim, og mange familiar leitar etter barn å ta vare på, men dei ynskjer seg dei små. Ei kortare ventetid for søkjarane må aldri gå ut over barna, aldri gå ut over ei grundig og god vurdering av aldri gå ut over barna, aldri gå ut over ei grundig og god vurdering av søkjarane. Derfor er det så utruleg viktig for Arbeidarpartiet at me har trygge og gode samarbeidsavtalar med dei landa me skal adoptere frå, og at me klarar å gjere noko med eventuelt unødig byråkrati utan at det går ut over barns rettstryggleik eller barns

Det er alvorlig å gjøre et vedtak om adopsjon. Det får innvirkning spesielt for det barnet som blir adoptert, men det gjelder også et nytt familiemedlem som kommer inn i en familie. Man skaper et nytt og livslangt forhold mellom et barn og adoptivforeldrene, og det er derfor veldig viktig å ha en grundig vurdering av dem som skal bli adoptivforeldre. Det er det ingen tvil om, og det tror jeg at vi alle er enige om. Så vet vi at ingen har krav på å bli godkjent som adoptivforeldre. Men nå er det nå slik at det er mulig å søke om å bli adoptivforeldre. Jeg skal etterpå komme litt inn på kriteriene for å bli godkjent. Det er vel sikkert flere av dere som leste i Dagbladet Magasinet for en tid tilbake om flere foreldrepar som skulle adoptere. Helse, alder og adresse kan faktisk utelukke deg. Uenighet om husarbeid og religion gjorde at noen som het Anne og Eric, fikk avslag. Hvor tilfeldig er valget av adoptivforeldre? Har vi gode nok retningslinjer? Har vi like retningslinjer over hele landet, slik at det ikke er avhengig av hvor man bor, hvor lett det er å bli godkjent som adoptivforeldre? Fremskrittspartiet vil fokusere på at vi får

dag. Så til det som tidligere taler tok opp når det gjelder andre land som er godkjent. Vi ser at nabolandet vårt, Sverige, har godkjent andre land enn det Norge har. Jeg er sikker på at de er like opptatt av å ha gode krav og gode kriterier for å godkjenne de landene som de har muligheter til å adoptere fra. Det som ligger i

som ikke er med på å støtte dette forslaget fra Venstre. Og med det vil jeg si at Fremskrittspartiet kommer til å støtte forslaget fra Venstre. Det er greit nok at man skal vente på regjeringen, men vi kan vente lenge, ser det ut som, før det kommer en sak om adopsjon. Derfor er det viktig at vi her nå signaliserer fra Stortinget at vi får på plass disse retningslinjene. Vi snakker om barn som trenger foreldre, og vi snakker om foreldre som er godkjent, men som står i kø for å få adoptere. Derfor er det viktig å ha trykket på denne saken, og derfor hadde jeg håpet at Kristelig Folkeparti også hadde revurdert sitt standpunkt og støttet forslagene fra opposisjonen. Presidenten antar at representanten skal ta opp forslag? Ja. Representanten Solveig Horne har da tatt opp forslagene fra Presidenten antar at representanten også skal ta opp et forslag. Selvfølgelig. Da har representanten Morten Ørsal Johansen tatt opp det forslaget som han sånn noenlunde har referert til. IKT i politiet er
Først vil jeg starte innlegget mitt med å gi ros til Venstre for at Venstre viser utålmodighet når det gjelder å forenkle adopsjonsprosessen og når det gjelder å endre retningslinjer i dagens adopsjonsprosess. Jeg er veldig glad for at Venstre har fremmet dette forslaget som vi behandler i dag. For Høyre er det på dette området, som på alle områder i barne- og familiepolitikken, barnets beste som skal være utgangspunktet for adopsjon. Vi understreker også i denne saken at det er barnets beste som skal være formålet med adopsjon. Barns behov for en familie og trygghet er viktig, og det er avgjørende at all adopsjon vurderes ut fra hva som tjener barnet, og at omsorgsovertakelse gjennom adopsjon bare brukes dersom det er til barnets beste. Høyre vil videre understreke alvoret i et vedtak om adopsjon. Som flere av representantene har vært inne på tidligere i debatten, er adopsjon et av de mest fundamentale inngrep staten kan foreta overfor et individ. Ved adopsjon dannes et nytt og livslangt forhold mellom barnet og adoptivforeldrene og øvrig familie og slekt. Med adopsjon kuttes også barnets bånd til biologiske foreldre, familie, oppvekstmiljø og kanskje opprinnelsesland. Det er grunnen til at vi må stille strenge krav til prosessen, vi må stille store krav til saksbehandlingen samt krav til vandel, omsorgsevne, til helse, til alder, til økonomi, bolig osv. for godkjenning av adoptivforeldre. Høyre er enig med forslagsstillerne i at adoptivforeldre må få bedre økonomisk støtte enn i dag. Derfor ønsker Høyre å slutte seg til forslaget om å øke adopsjonsstøtten til 1 G. Høyre er sammen med Fremskrittspartiet opptatt av at det er for store forskjeller i behandlingstiden og forskjeller i hvordan kriteriene for å bli godkjent som adoptivforeldre praktiseres i mange kommuner. Representanten Horne argumenterte på en veldig god måte for hvorfor det må gjøres endringer på dette området. Jeg bruker derfor ikke tid på å gå inn på det. Det som jeg avslutningsvis vil bruke tid på, er de forslagene som har kommet fra Venstre i dag. Jeg må si at jeg for egen del er litt enig i det som representanten Håbrekke sa, nemlig at det her kanskje er naturlig å vente på at regjeringen skal komme med en sak til med utgangspunkt i den utredningen som nå er gjort, en utredning om alle de ulike sidene ved adopsjon, og at man må se dette i et større bilde og avvente en totalgjennomgang av hele adopsjonsfeltet før man kan gå inn på enkelttiltak. Men på den andre siden er Høyre i likhet med Venstre også utålmodig og ønsker at noe skal bli gjort. Når vi ser på hvor mange saker denne regjeringen har fremmet på dette feltet i løpet av den tiden de har sittet i regjering, er jeg ikke akkurat optimist. Derfor tror jeg at hvis vi skal få gjort noe på dette feltet, hvis vi skal få endret retningslinjene, hvis vi skal imøtekomme alle henvendelsene vi får på dette feltet,

SV støtter synet om at adopsjon er en ordning for barn som trenger en familie. Jeg er glad for at dette perspektivet står sterkt i Stortinget og kanskje vil føre til en dreining av debatten. Jeg spør, i likhet med representanten Vågslid, etter kobling mellom ord og handling. Vi vet at handel med barn er et stort og internasjonalt problem. Derfor er det helt avgjørende å ha gode avtaler med land og en god og streng vurdering av mennesker som søker å adoptere. Jeg vil spørre Fremskrittspartiet og representanten Horne om å tydeliggjøre, for jeg synes at jeg oppfattet at det ble sagt fra talerstolen i sted at hvis myndighetene har en viss kontroll, er det greit at man søker adopsjon fra land som ikke er godkjent, og land som Norge tidligere har kuttet samarbeidet med på grunn av handel med barn. Mener Fremskrittspartiet at det er greit? Det søker jeg en presisering på. Ellers er jeg i likhet med andre glad for at det er utålmodighet i denne saken. Vi er opptatt av den. Det er jo derfor vi har satt i gang et grundig arbeid. Det er jo derfor vi har satt i gang arbeidet med en NOU, og jeg mener i likhet med sakens ordfører og andre før meg at disse forslagene trengs å ses på i denne sammenheng. Det er flott at vi får en debatt i Stortinget om det. I høringsuttalelsen fra Adopsjonsforum i forbindelse med NOU 2009:21 blir det sagt at debatten i Norge ofte er preget av krav og

med formål om å gi et godt og varig hjem til et barn som ikke kan bli tatt hånd om av sine biologiske foreldre, der det er barnets beste som er utgangspunktet for adopsjonen, og barnets beste som er formålet med adopsjonen. Adopsjon er et veldig alvorlig virkemiddel. Ved adopsjon dannes et nytt og livslangt forhold mellom barnet og adoptivforeldrene og deres øvrige slekt og familie. Samtidig kuttes også de båndene som barnet har til sine biologiske foreldre, familie og oppvekstmiljø. Da er det viktig at det stilles strenge krav både til saksbehandlingen og til dem som ønsker å bli Under høringen i saken har det kommet fram flere forhold som kan framstå som veldig urimelige for dem som er i en prosess for å bli godkjent som adoptivforeldre. Det kan være store forskjeller i behandlingstiden og forskjeller i hvordan kriteriene for å bli godkjent som adoptivforelder praktiseres. Vi hører om søkere som har brukt mange år på å bli godkjent, som ønsker å få barn, men som er for gamle når prosessen må gjentas. er også flere grunner til å tro at adopsjonsprosessen kanskje må forenkles og effektiviseres, og at kvaliteten bør styrkes. Men når det påstås at saken treneres, og at det brukes for lang tid, vil jeg si at her jobbes det kontinuerlig med den NOU-en som er lagt fram, for å gå igjennom høringssvarene. Adopsjon er ikke noe man bare kan kjøre raskt igjennom og ta enkelt på, for dette er veldig alvorlige saker, og det veldig alvorlige saker, og det er sterke prinsippsaker i disse spørsmålene om hva slags praksis vi ønsker å legge oss på i Norge. Komiteen har tidligere diskutert spørsmål rundt adopsjon av barn som kommer innunder barnevernets omsorg. Dette er problemstillinger som som er berørt og drøftet i den NOU-en som jeg tidligere har referert til. Derfor er det naturlig at representantforslagene i denne saken blir sett i sammenheng med den helhetlige gjennomgangen av adopsjonsfeltet, og at den store debatten rundt adopsjon i Norge blir tatt når dette kommer som en egen sak fra regjeringen til

Jeg syns at det skal være tonen i denne salen. Vi skal være kjempeglade for at mennesker faktisk er villige til å ta vare på et barn som biologisk sett ikke er deres, og til å gi det barnet all den oppfølging som trengs. Jeg mener at vi skal være kjempeglade for dem som bruker mange penger for å ta vare på et barn som de ikke har satt til verden. Det mener jeg at denne salen skal uttrykke respekt for og glede over at noen faktisk gjør. gjør. Det byråkratiet som veldig mange av dem møtes av, de enorme problemene som mange av dem møtes av, og den fornedrende prosessen som mange av dem møtes av, syns jeg det er vår jobb som folkevalgte å gjøre noe med. Så skal vi selvfølgelig sørge for, når det gjelder de barna som blir adoptert, at det er et grunnlag for at de faktisk skal adopteres bort. Men som bakgrunn i denne sal syns jeg vi skal være glade for at noen er villige til å ta på seg et ansvar for et barn som ikke har foreldre. Det skal være grunntonen i denne salen. Derfor har det vært viktig for Venstre å løfte denne saken, og vi har løftet den i en rekke omganger. Vi begynner å bli ganske utålmodige etter å få en sak til Stortinget. Vi må helt ærlig innrømme et reelt ønske om å drive denne prosessen framover, men er nå veldig bekymret for at det engasjementet har forsvunnet ut av departementet igjen. La meg kort få gå igjennom noen av forslagene våre. Jeg er kjempeglad for at Høyre og Kristelig Folkeparti holder fast ved sitt standpunkt om å ønske at saksbehandlingen skal ned til ni måneder. Grunnen til det

Det å få til prøveadopsjoner er nettopp snakk om å presse fram lovverk i det enkelte land. Hvis man lager systemer for prøveadopsjon, får man presset på plass det lovverket, den rettssikkerheten og det rettssikkerhetssystemet som regjeringspartiene er opptatt av, og som jeg er helt enig i, for å sikre at man ikke får salg av barn. Vi ser at mange land bruker prøveadopsjon for å få lovverket på plass i giverlandet. Derfor er det viktig.

pluss at det er mange ekteskap der det også er stor aldersforskjell, og de opplever også å bli straffet for det – noe som tærer på veldig mange ekteskap. Mitt poeng er at det står ikke i lovverket at det er noen aldersgrense. Krav om en aldersgrense er en meget stor inngripen i mange familiers liv. Det er virkelig en meget stor inngripen i mange familiers liv.

og å få en ordentlig vurdering av alle dem. Jeg ønsker med det å ta opp alle forslagene. Så vil jeg bruke de to siste sekunder av min taletid til å si at jeg er veldig skuffet over at Kristelig Folkeparti har snudd på alle disse punktene i forhold til det de sto for i forrige periode. Da har representanten Trine Skei Grande tatt opp de forslagene hun refererte til. Stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og

Spørsmålet er jo imidlertid hvor balansen mellom et forutsigbart og et fleksibelt regelverk skal ligge. Tydelige krav til søkere må stilles, men søkerens personlige egnethet til å adoptere et barn vil bestandig måtte veie tyngst. Jeg har respekt for Trine Skei Grandes forsvar for de ideelle motiver, men vi kommer ikke bort fra at det er noen vurderinger som må gjøres. I disse vurderingene må det utøves faglig skjønn. Viktige avveininger må gjøres ut fra hva som er til beste for barnet. Vi ønsker en bedre adopsjonsprosess. Derfor satte regjeringen i 2008 ned et offentlig utvalg som har gjennomgått adopsjonsfeltet. Utredningen har vært på bred høring, og departementet følger nå opp utredningen og høringsuttalelsene. I dette arbeidet vil vi se på de problemstillingene som representantene i sitt Dokument 8-forslag har rettet oppmerksomheten mot. Adopsjon dreier seg først og fremst om å gi et barn som trenger det, et godt og varig hjem. Dette understrekes i FNs barnekonvensjon og Haagkonvensjonen om internasjonal adopsjon. Hele 83 land har sluttet seg til Haagkonvensjonen, Norge inkludert. I adopsjonsprosessen er det derfor barnets grunnleggende interesser som skal ivaretas. Jeg er glad for at komiteen også trekker fram barneperspektivet i sin innstilling. Forslaget fra stortingsrepresentantene tar, i likhet med Adopsjonsutvalget, sikte på å forenkle, effektivisere og styrke kvaliteten på adopsjonsarbeidet. Siden vi nå er i en prosess – og den er aktiv, det kan jeg forsikre om – hvor vi ser på feltet på nytt, er det vanskelig for meg å gi konkrete svar til representantene. Jeg vil imidlertid nevne noen sentrale forslag. Utvalget foreslår å flytte utredningen av adoptivsøkere fra kommunen til de fem regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten. Hensikten er bl.a. å korte ned saksbehandlingstiden. Sentrale krav til søkerne, som alder, helse, bolig, økonomi og vandel og ekteskapets varighet, ønsker utvalget å gjøre mer presise og langt mindre skjønnsmessige. De foreslår f.eks. å senke kravet til søkernes alder fra 45 til 42 år, med noen få unntak. Kravet til helse må ifølge utvalget standardiseres i stor grad, og de foreslår at det utarbeides en veileder som spesifiserer noen sentrale og typiske diagnoser, sykdommer og funksjonsnedsettelser som fører til avslag på søknaden. Her opplever jeg at utvalgets forslag avviker noe fra stortingsrepresentantenes syn i foreliggende forslag. De signaliserer et ønske om et mindre rigid regelverk. Dette viser at det er ulike syn på hvilke kriterier som bør gjelde, og i hvilken grad det skal være overlatt til myndighetene å utøve et skjønn. Dette er bare eksempler på forslag fra utvalget som vi nå ser nærmere på. Når det gjelder selve behandlingen av adoptivsøkere, understreker jeg at denne skal foregå på en god måte. Søkerne skal ivaretas i adopsjonsprosessen. Barne-, ungdoms- og familieetaten er opptatt av dette og har tatt initiativ til flere tiltak for å sikre god og forsvarlig saksbehandling. Disse vil iverksettes raskt – og ikke vente på den helhetlige gjennomgangen. Den utvikling som finner sted i barnas opprinnelsesland, påvirker det internasjonale Opprinnelseslandene har som mål å prioritere nasjonale adopsjoner framfor utenlandsadopsjoner. Dette skjer samtidig som flere mottakerland ønsker å etablere samarbeid med de aktuelle land. Enkelte opprinnelsesland mottar derfor langt flere søknader enn det er barn tilgjengelig for adopsjon. Behandlingstiden øker i disse landene. Ventetiden f.eks. i Kina er for tiden over fire og et halvt år. Det finnes mange foreldreløse barn i verden som kan ha behov for å bli adoptert til utlandet. Men samtidig er det en del land som ikke kan eller ønsker å samarbeide om internasjonal adopsjon, av ulike grunner. I flere land er adopsjon av barn til utlandet et svært følsomt og kontroversielt tema. I andre land preges situasjonen av ustabilitet, f.eks. ved krig og naturkatastrofer. Jeg er opptatt av at organisasjonene får mulighet til å samarbeide om internasjonal adopsjon i land der det både er barn som har behov for å bli adoptert

gis. Representantene foreslår at adopsjonsorganisasjonene bør gis mulighet til å foreta prøveadopsjoner i et land før det gis en endelig formidlingstillatelse. Dette blir allerede gjort. Jeg kan f.eks. nevne at direktoratet i januar i år ga tillatelse til å gjennomføre prøvesaker fra Mali. Utover dette vil spørsmål knyttet til det internasjonale samarbeidet høre naturlig hjemme i den gjennomgangen vi nå foretar. Jeg er glad for at komiteen er opptatt av at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en bred gjennomgang av dette viktige feltet i en egen sak. Dette vil vi selvsagt imøtekomme. Det blir replikkordskifte. Det var mange fine ord fra statsråden, men mens vi står her og debatterer, vet vi at det er

Vi vet at helse, adresse og alder, uenighet om husarbeid og religion kan være inngripende – ting som det ikke skulle være nødvendig at var inngripende i disse sakene. Jeg har to korte spørsmål til statsråden: Kommer det en sak til Stortinget om å få ned saksbehandlingstiden for adopsjon? Eventuelt når kommer den saken? Ja, det kommer en sak. Og til spørsmål nr. 2: Vi arbeider med det. Jeg kan ikke si noe eksakt tidspunkt for framleggelse av saken, men den kommer. I innstillingen fra komiteen, som i store trekk er

foregående replikant, men denne saken har nå ligget i departementet i over et og et halvt år. Når komiteen nå har sagt klart fra at vi forventer en egen sak og har valgt å henvise forslagene inn i den prosessen, vil jeg be statsråden om å kvittere tilbake igjen til Stortinget med å komme med en nærmere angivelse av når den saken kan foreligge. Snakker vi om måneder, eller snakker vi om år? Kan vi forvente at den foreligger f.eks. i inneværende
Jeg har redegjort i innlegget mitt for de vurderingene som det er nødvendig å gjøre, som er vanskelige vurderinger. Vi ønsker at adopsjon skal bli både et godt hjelpemiddel og virkemiddel, jf. spørsmålet fra Solveig Horne om forskjeller rundt omkring. Vi ønsker at det skal være klare regelverk, men samtidig at det skal bli mindre byråkratisk, og selvfølgelig at det skal gis vurderinger som beste. Det jeg kan svare, er at vi er i fullt arbeid med saken, og at det er slike vurderinger som selvfølgelig tar noe tid, men jeg tror ikke vi behøver å snakke om år, uten at jeg skal være mer eksakt enn det på når saken fremmes for Stortinget. Men saken kommer til Stortinget, og jeg ser fram til at vi får en bred og god debatt om saken da. Jeg skal spørre om det som jeg tok opp i innlegget mitt som veldig mange opplever som svært krenkende og

den nå setter i forhold til adopsjon, som jeg tror veldig mange oppfatter som urimelig, og som veldig mange syns gjør livet deres vanskelig, og som jeg heller ikke mener har basis i forhold til en faglig vurdering?

Dette er en meget vanskelig vurdering, som vi gjør nå i den helhetlige gjennomgangen, og jeg kan love representanten at jeg tar også representanten Skei Grandes syn med i den vurderingen. Vi skal gå grundig gjennom hvilken forankring vi trenger, og hvilken vekt vi skal legge på alder hos adopsjonsforeldre. Replikkordskiftet er omme. I sin presentasjon av saken la representanten Øyvind Håbrekke stor vekt på at adopsjon ikke skal styres av voksnes behov. Han nevner særlig «grupper av søkere som

Hvilke grupper er det Håbrekke her viser til? Ingen er uenig i at det er barnets beste som er avgjørende, faktisk den eneste viktige faktoren ved adopsjon. Jeg antar at Håbrekke med nye «grupper» mener homofile og personer med funksjonsnedsettelser. Dette er de eneste gruppene jeg har registrert som har ønsket å bli vurdert som adoptivforeldre, ikke fordi de påberoper seg rettigheter, men fordi de er likeverdige og kan tilby barn, barn som trenger det, trygge, likeverdige oppvekstvilkår og god omsorg. Det handler om å være opptatt av barnets beste. At nye typer familier kan være, og ønsker å være, adoptivforeldre, er gode nyheter. Det er ingen konflikt mellom det som er deres ønsker, og det som er bra for Alle mulige adoptivforeldre skal gå gjennom samme strenge vurdering. Det kunne være interessant å høre Håbrekke utdype hvorfor det er et problem at stadig flere stiller seg i køen og ønsker å bli vurdert som adoptivforeldre. Når antallet barn som adopteres til Norge, går ned, skyldes det ikke at det er blitt færre barn i verden som trenger omsorg. Det adopteres nå bare halvparten så mange barn til Norge som for ti år siden. Jeg føler meg helt sikker på at det er flere årsaker til nedgangen. Det handler ikke kun om økonomiske Professor Fanny Duckert skrev 27. august i fjor et tankevekkende innlegg i VG. Hun er spesielt opptatt av adopsjonsorganisasjonenes rolle. I dag er det tre – kun tre – organisasjoner som formidler utenlandsadopsjon til Norge. Alle har utspring i interessegrupper og geografisk tilknytning. De opererer helt uavhengig av hverandre. Det er ikke tillatt å melde seg til alle tre samtidig, og man må starte prosessen helt på nytt om den avbrytes i en av organisasjonene. De tre norske organisasjonene samarbeider med 18 land, mens danske og svenske organisasjoner har til sammen henholdsvis 26 og 36 samarbeidsland. Jeg er særlig opptatt av tre ting når vi nå skal få en helhetlig gjennomgang av adopsjonsfeltet: den manglende mangelen på aktiv innsats for å utvikle nettverk og samarbeid i nye regioner, regioner der vi vet at mange barn trenger omsorg på grunn av krig og naturkatastrofer at det tas et endelig oppgjør med holdningen om at enkelte foreldre er mindre egnet, ikke fordi de er blitt vurdert, men fordi, og kun fordi, de tilhører en eller annen gruppe Jeg tok egentlig ordet for å kommentere noe annet, men vil også

at jeg viste til «grupper av søkere som påberoper seg «rettigheter»». Det var nemlig en del av komiteens enstemmige merknader, som siterer høringsuttalelsen fra Adopsjonsforum i forbindelse med den NOU-en vi nå diskuterer, der hele komiteen sluttet seg til at det er barneperspektivet som her er utgangspunktet. I den forbindelse henviser altså en samlet komité til høringsuttalelsen fra Adopsjonsforum. Nå er det riktig at Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet er uenige når det gjelder spørsmålet om utgangspunktet for en adopsjon skal være at barn skal ha rett til en mor og en far, som er vel kjent også fra tidligere debatter. Der er vi uenige. Nå er ikke det noe stort tema i denne sammenhengen, siden de aller fleste landene som barn adopteres fra, legger den samme prioriteringen til grunn. Situasjonen er for øvrig også sånn at det er flere voksne adopsjonssøkere enn det er barn som skal adopteres bort i verden. Jeg tok imidlertid ordet for en presisering, spesielt i forhold til innlegg spesielt i forhold til innlegg fra Venstre, men også fra andre, som antydet at Kristelig Folkeparti skal ha snudd i disse spørsmålene. Det vil jeg avvise. Det kommer fram av innstillingen, og det kom fram av mitt innlegg, at vi står på det samme som vi har gjort før. Kristelig Folkeparti har ikke snudd. Adopsjon innebærer mange grunnleggende spørsmål som er godt belyst i debatten så langt. Folkeparti er opptatt av at det skal behandles skikkelig, i en helhetlig gjennomgang som hele komiteen gledelig nok har bedt regjeringen om å komme med. Kristelig Folkeparti liker best å være i regjering og behandle og utrede disse sakene selv. Nå er vi ikke i regjering, men det betyr ikke at vi opphever arbeidsdelingen mellom storting og regjering. Det er regjeringens oppgave å utrede de sakene som skal behandles. Nå har man lagt fram en tung NOU, som vi avventer en gjennomgang av. Kristelig Folkeparti er utålmodig, og vi markerer gjerne vår utålmodighet overfor regjeringen i mange saker som vi ønsker de skal legge fram. Hvis vi gjør det i enhver sak, og stemmer for enhver ting uavhengig av prosesser i regjeringen, opphever vi jo også effekten av å markere vår utålmodighet. Den er klart markert. Kristelig Folkeparti står på de samme standpunktene som vi har gjort før, og vi ser med stor forventning fram til gjennomgangen.

to andre innlegg fra regjeringspartiene, som har hatt fokus på ett av forslagene som foreligger i denne saken, fra Fremskrittspartiet og Høyre, og vrir hele debatten til å dreie seg om noe helt annet enn det den gjør. Men Håkon Haugli var inne på det som faktisk er essensen og det som er problemene ute i forhold til La meg først og fremst presisere, siden Fremskrittspartiet ble utfordret, hva vi mener med forslag nr. 2. Selvfølgelig, og det må det ikke være noen tvil om, tar Fremskrittspartiet sterkt avstand fra all menneskehandel med

stor sak av dette: Fremskrittspartiet, og også Høyre, føler at forslag nr. 7 fra Venstre har den samme intensjonen og er bedre formulert enn forslag nr. 2. Fremskrittspartiet vil derfor trekke tilbake forslag nr. 2 fordi vi altså mener at forslag nr. 7 er bedre formulert og ivaretar det som var intensjonen i forslaget. Da har representanten Solveig Horne trukket forslag

representanten Solveig Horne trukket forslag nr. 2. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Jeg ønsker med denne interpellasjonen å ta opp en debatt her i Stortinget om hvilke ambisjoner Norge kan ha og bør ha for sine fremste kunnskapsinstitusjoner. De siste årene har vi sett en sterkt om ressurser til forskning og kunnskapsutvikling, både når det gjelder menneskelige og økonomiske ressurser. Dette gjelder forhold som internasjonalt forskningssamarbeid, f.eks. innenfor EU, hvor de veivalg og prioriteringer som gjøres av andre, blir stadig viktigere for Norge. Hvor attraktivt Norge er som samarbeidsland, avhenger av kvaliteten på våre forskere og institusjoner, hvilke arbeidsbetingelser vi kan tilby, men også av hvilke ressurser vi selv evner å prioritere for å støtte opp om våre beste forskningsmiljøer. For universitetene ser vi en stadig sterkere internasjonal konkurranse, også om studentene. Norge har utvilsomt blant de beste betingelsene i verden rent økonomisk for studenter, men som et lite land i utkanten av verden er det ikke unaturlig at større og mer prestisjetunge universiteter i større land slår oss i konkurransen om de beste talentene. Flere forhold kan virke inn her, men det er ikke unaturlig å tro at de internasjonale rangeringene vi har fått flere av de siste årene, etter hvert får større betydning. I god norsk akademisk tradisjon er det mange i sektoren som bagatelliserer disse rangeringene, og som hevder at de er feilaktige eller irrelevante. Noen ganger kan det virke som om graden av skepsis øker dersom ens egen institusjon kommer dårlig ut – og det er kanskje menneskelig. Ved den siste Times Higher Education-rangeringen i fjor kom Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo med blant de 200 fremste universitetene i verden. I motsetning til tidligere måtte Universitetet i Oslo denne gangen se seg slått av Universitetet i Bergen, som havnet på 135. plass. Plasseringen innebærer at Universitetet i Bergen nå rangeres som nr. 6 av universitetene i Norden. Det er vanskelig å avgjøre om dette er resultater vi bør være fornøyd eller misfornøyd med. Ser vi på de fremste universitetene i verden, f.eks. de 100 fremste, er de nesten uten unntak større enn våre, har lengre historie og er mer kjente, har større ressurser og ligger i større land, som f.eks. USA, Frankrike, Storbritannia, Canada, Japan eksempel kan det nevnes at stiftelsen bak verdens for øyeblikket beste universitet, Harvard, regnes som verdens nest rikeste organisasjon, etter Den katolske kirke. Det er altså formidable konkurrenter våre universiteter skal måles mot. Men selv om det kan virke urimelig å bli sammenlignet med så sterke konkurrenter, er likevel konkurransen og Svaret på spørsmålet om det er bra, eller for dårlig med de beste norske plasseringene, er i bunn og grunn et spørsmål om hvilket ambisjonsnivå vi som nasjon ønsker å ha for våre beste universiteter. Andre spørsmål det også er viktig å søke svarene på, kan være hvor realistisk det er å oppnå vesentlig høyere plasseringer, hvilke faktorer vi lettest kan påvirke i den retningen, og hvilke ressurser det vil kreve. Universitetet i Oslo har nylig presentert sin strategi for de neste ti år. Ambisjonsnivået er å løfte seg kvalitetsmessig og bli mer relevant og synlig internasjonalt. Universitetet i Bergen er midt i prosessen med sin nye strategi. Underveis i dette arbeidet har jeg registrert en viss uenighet om mål, ambisjoner og prioriteringer. Et prinsipielt spørsmål som synes å gå igjen i slike diskusjoner, er om det er riktig å prioritere noe foran noe annet, med andre ord om det skal være vekt på spiss framfor bredde. Det er en diskusjon som jeg også ønsker å ta opp i denne interpellasjonen, men da i et mer nasjonalt perspektiv. Jeg mener altså at nasjonen Norge bør ha en oppfatning om hvilke ambisjoner vi skal ha for våre fremste universiteter. Våre fremste forskere og forskningsmiljøer er i verdenstoppen innen sine fagfelt, og det er ingen grunn til at våre beste universiteter ikke skal være det samme. Men, som allerede nevnt, flere av konkurrentene har en formidabel posisjon, og det er derfor viktig å være realistisk. En målsetting som kan være passe ambisiøs, og passe realistisk, kan f.eks. være at det fremste norske universitet skal være rangert som det beste i Norden innen 2020. I dag er Universitetet i Bergen, som best i Norge – som jeg tidligere har nevnt – nr. 6 i Norden. Hva det vil kreve av universitetene og av oss andre, har jeg ikke svaret på. Men det burde være mulig for et rikt og velutdannet land som Norge å ha slike ambisjoner. Arbeidet må starte med en analyse og deretter en beslutning om målsetting, og så må det lages en forpliktende avtale mellom de fremste universitetene og Kunnskapsdepartementet om tiltak og finansiering. Det vil da være naturlig å ta utgangspunkt i universitetenes strategiske dokumenter samt å videreutvikle deres sterkeste miljøer. Det beste universitetet i Norden er i dag Karolinska Institutet i Sverige, på plass nr. 43. Skal Universitetet i Bergen, f.eks., opp på dette nivået, innebærer det å klatre ca. 90 plasser. Det ville utvilsomt kreve ressurser og systematisk kvalitetsutvikling. Men gevinsten vil ikke bare være en bedre rangering. En sterkere satsing på våre fremste universiteter er nettopp det som bl.a. sentralbanksjefen nå etterlyser: en større grad av investering i framtidig
Neste taler er

Men for å kunne ha en reflektert tilnærming til rangeringer er det viktig å vite hva som faktisk blir målt, hvilke kriterier som legges til grunn, og hvilken vekt de ulike kriteriene tillegges. Mange rangeringer måler bare deler av aktiviteten som foregår ved institusjonene – ofte bare forskningen. Denne virksomheten kan måles ved å velge ut noen gitte kriterier, som f.eks. hvor mange nobelprisvinnere institusjonen har fostret, eller en kan basere seg på subjektive vurderinger av universitetenes omdømme. I tillegg har enkelte av rangeringene en slagside mot naturvitenskap og medisin. Indikatorene som brukes, belyser altså en begrenset del av virksomheten. Konsekvensen er at mange og viktige sider ved universitetenes virksomhet ikke brukes i vurderingsgrunnlaget i de mest kjente rangeringene. Utdanning og undervisning tillegges liten vekt, og mange fagområder inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Fordi de mest profilerte rangeringene ikke skiller mellom fagområder, kan resultatene skjule store kvalitetsforskjeller internt på universitetene. Det er sjelden slik at et breddeuniversitet er best på alle områder. For potensielle studenter og andre interessenter kan det enkelte fags kvalitet være viktigere enn hvordan lærestedet som helhet kommer ut. Det er derfor utviklet alternative rangeringer som tar utgangspunkt i fremragende fagområder framfor fremragende universiteter. Disse har så langt fått mindre oppmerksomhet. Det er gjerne de samme universitetene som kommer på topp i de mest kjente rangeringene. Shanghai- og Times-rangeringene favoriserer tradisjonsrike og forskningstunge universiteter i engelskspråklige land. Ser vi bort fra de engelskspråklige, er det faktisk slik at norske og nordiske universiteter kommer godt ut. De institusjonene som oftest havner øverst på rangeringslisten, har også forutsetninger og rammebetingelser som de færreste andre universiteter har, bl.a. tilgang på store donasjoner, fond og landeiendommer. Videre har vi sett at enkelte av rangeringene stadig endrer indikatorer og beregningsmåte, noe som kan gjøre resultatene uforutsigbare. Det har ført til store svingninger i plassering fra et år til annet, selv om det sjelden skjer store kvalitetsendringer i den faglige virksomheten innenfor et så kort tidsrom. Ensidig oppmerksomhet rundt rangeringer kan føre til ensretting fordi institusjonene vil tilpasse seg kriteriene for å score høyt på disse. For å motvirke ensretting er det utviklet alternativer til rangeringer, alternativer som har til hensikt å framvise og fremme mangfoldigheten i sektoren. Et europeisk initiativ som ser på muligheten for å synliggjøre mangfold, er det såkalte Typologien er flerdimensjonal og tar ikke sikte på rangering; hensikten er å synliggjøre bredden i landskapet blant høyere utdanningsinstitusjoner. Klassifiseringssystemet bygger på 14 dimensjoner, som bl.a. utdanning, forskning, innovasjon, internasjonal orientering og kulturelt og regionalt engasjement. Inspirert av dette har Kunnskapsdepartementet i sin årlige tilstandsrapport for universiteter og høyskoler utviklet et klassifiseringssystem som skal framvise det enkelte universitets eller Dette er en ikke-hierarkisk tilnærming som er ment å bevisstgjøre og utløse refleksjoner om institusjonenes egenart. Dette arbeidet har fått gode tilbakemeldinger fra sektoren og er noe departementet vil utvikle videre. I tillegg til at det er et mål å ha et mangfoldig landskap for høyere utdanning, skal vi selvsagt ha høye ambisjoner for våre universiteter og høyskoler. Det framgår også av universitets- og høyskoleloven, hvor det heter at lærestedene skal «bidra til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale forskningsfronten». Som et lite land kan ikke Norge være best i alt, men vi skal likevel hevde oss på noen områder. Det har vi bl.a. gjort ved å etablere sentre for fremragende forskning. 18 av 21 SSF-er er tilknyttet universitetene. En evaluering av ordningen i fjor viste at den har vært en suksess og bidratt til å synliggjøre norsk forskning internasjonalt. I tillegg til at vi skal ha forskningsmiljøer i verdenstoppen, er jeg også svært opptatt av utdanningskvalitet. Jeg har forventninger til at universitetene og høyskolene gir forskningsbasert undervisning av høy kvalitet. For å stimulere til kvalitet i utdanning er det bl.a. satt i gang et arbeid for å etablere en ordning for sentre for fremragende undervisning. Jeg har store forventninger til denne satsingen. Regjeringen ser behovet for mer robuste fagmiljøer og bidrar til dette gjennom å stimulere til økt samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor og mellom institusjonene. Stortinget bevilget SAK-midler i statsbudsjettet for både 2010 og 2011, og vi ser nå flere lovende prosjekter som resultat av disse stimuleringsmidlene. Hoveddelen av midlene er fordelt til større regionale samarbeidsprosesser som involverer flere institusjoner. Felles for tiltakene er at de har som mål å heve kvaliteten i utdanning, forskning og formidling, og derved styrke institusjonene som internasjonale kunnskapsaktører. Satsingene på både forskning og utdanning viser at listen legges høyt, og at vi skal ha fremragende miljøer innenfor ulike deler av universitetenes virksomhet. Vi kan også se resultater av satsingene. For det første har det vært en kraftig vekst i publiseringen blant norske forskere. Målt i antall forskningsartikler per 1 000 innbyggere ligger Norge på femteplass i verden. For det andre siteres norsk forskning stadig mer. Mens vitenskapelig publisering og sitering er etablerte indikatorer på forskningskvalitet, er det i mindre grad utviklet tilsvarende for utdanning. En side av kvalitet i høyere utdanning er utbyttet av utdanningen i forhold til krav i arbeidslivet. Det ser ut til at norsk høyere utdanning gir et godt utgangspunkt for yrkeslivet. En undersøkelse viser at kandidater fra norske universiteter er langt mer fornøyd med hvordan utdanningene forberedte dem på yrkeslivet, enn hva kandidater fra tolv andre land i denne sammenligningen var. Det er likevel behov for økt kunnskap om utdanningskvaliteten i Norge. Vi er derfor med i et internasjonalt prosjekt, det såkalte AHELO-prosjektet, som har som formål å sammenligne studentenes læringsutbytte på tvers av land. Hvordan studentene oppfatter kvaliteten, fanges til en viss grad opp i ulike studentundersøkelser. Imidlertid har slike undersøkelser så langt vært lite systematiske og vitenskapelige. Kunnskapsdepartementet vurderer derfor behovet for en nasjonal studentundersøkelse for å få bedre kunnskap om studentenes vurderinger av kvalitet og læringsutbytte. Tall fra Eurostudent viser at norske studenter er blant dem som får færrest undervisningstimer i Europa. Evalueringer og reakkrediteringer fra NOKUT har dessuten pekt på svakheter ved flere utdanninger. Vi hører jevnlig om redusert gruppeundervisning, manglende oppfølging av og tilbakemelding til studentene, svak ledelse av studieprogrammene osv. Dette understreker hvor viktig det er at vi som myndigheter følger opp innholdet i utdanningene og studiekvaliteten sammen med institusjonene som har det formelle ansvaret. Det understreker også hvor viktig det er med fortsatt trykk på arbeidet for en bedre ledelse ved våre universiteter og høyskoler. At også institusjonene setter seg høye mål, går fram av deres strategidokumenter: Universitetet i Oslo har som hovedambisjon «å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet». Universitetet i Bergens mål er «å videreutvikle UiB som et internasjonalt synlig forskningsuniversitet». NTNU har gitt sin strategi tittelen «NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende». Samlet viser dette at vi har universiteter med høye ambisjoner. Regjeringens målsetting er at norsk forskning og høyere utdanning skal være av høy internasjonal klasse. For regjeringen er det ikke et mål i seg selv at norske universiteter skal klatre på rangeringene. Vi mener et bredt sett av virkemidler er nødvendig for å måle internasjonal kvalitet. På den annen side har internasjonale rangeringer kommet for å bli, og de måler deler av aktiviteten ved våre læresteder. Det vil derfor være naturlig å skjele til utviklingen på rangeringene i arbeidet med å øke kvaliteten i forskning og høyere utdanning. Regjeringens mål for forskning og høyere utdanning rapporteres til Stortinget gjennom Flere av problemstillingene som er relevante for representanten Warloes spørsmål, er meddelt Stortinget i min periode som statsråd. Stortingsmeldingen om internasjonalisering og stortingsmeldingen om forskning redegjør for regjeringens internasjonale ambisjoner for norsk forskning og høyere utdanning. Det foreligger ikke planer om en analyse for universitetene særskilt. Jeg tror at universitetenes rolle internasjonalt innen forskning og høyere utdanning best analyseres i en helhet. Til slutt vil jeg nevne at regjeringen har pekt ut dette året, 2011, til Vitenskapsåret. Vi vil invitere til diskusjon om den betydningen høyere utdanning og forskning har for vekst, velferd og kulturell utvikling, i tillegg til at det også er en meget viktig diskusjon innenfor og utenfor det akademiske miljøet. Dette vil bli viktige diskusjoner som vil gi retning for hva de fremste fagmiljøene skal strekke seg etter i årene framover.

kalt Vitenskapsåret i Norge og skal brukes til å diskutere bl.a. temaer som dem jeg har tatt opp i min interpellasjon. Det hadde jeg i alle fall håpet. Med andre ord: Hvilket ambisjonsnivå skal vi ha for Norge som kunnskapsland, og hvilket ambisjonsnivå skal vi ha for våre fremste miljøer og institusjoner? Statsråden sa i sitt svar at vi har universiteter med høye ambisjoner, og det er jeg helt enig i. Det mener jeg er helt avgjørende at de har, noe annet ville være sjokkerende. Men spørsmålet i min interpellasjon er jo: Hvilke ambisjoner har Norge? Hvilke ambisjoner skal vi ha, vi som sitter her på Stortinget, de som sitter med ansvaret i regjering? Hvilke ambisjoner skal vi ha for Norge og for våre fremste institusjoner? Det føler jeg kanskje ikke ble besvart i statsrådens innlegg. Hun startet sitt innlegg med å problematisere disse rangeringene. Det kan det sikkert være grunn til å gjøre, men det minner meg litt om debatten da vi fikk de første internasjonale testene på norske skoleelevers prestasjoner, f.eks. PISA-testen, for ti år siden. Da startet debatten med å forklare hvorfor denne rangeringen og testen ikke var pålitelig, hvorfor den ikke var relevant, hvorfor den ikke fortalte hele sannheten osv. Den debatten har stilnet. Statsråden nevnte bl.a. at det var mye som ikke ble målt, og at det som ble målt, bare var en bitte liten del av av universitetenes samlede virksomhet. Det kan godt hende. Men at utdanningstilbudet ikke tillegges vekt, tror jeg må være positivt feil. Så vidt jeg kunne se av de ulike faktorene som legges inn i Times Higher Education-rangeringen, vektes utdanningstilbudet og kvaliteten på det, med en rekke underfaktorer, med Et forhold som f.eks. graden av internasjonalisering av miljøet ved den enkelte institusjon vektes med 5 pst. Det er altså ulike vektinger og ulike faktorer. Det kan naturligvis være at denne undersøkelsen favoriserer engelskspråklige land av forskjellige grunner. Men som jeg nevnte, Karolinska Institutet i Sverige ikke i et engelskspråklig land, og det ligger som nr. 43 i verden og best i Norden. Min utfordring til statsråden er: Burde ikke Norge ha som en ambisjon at det var et norsk universitet som innehadde denne

en forsknings- og høyere utdanningsminister mer enn at våre læresteder gjør det godt også i internasjonal sammenheng. Men det er altså mange måter å måle dette på, og jeg drøftet i mitt forrige innlegg en del av de utfordringene vi har ved at de internasjonale målingene bare måler deler. Vi ønsker å måle en større helhet enn dette. Men for å redegjøre veldig tydelig for mine ambisjoner: er navnet på den reformen som et samlet storting gikk inn for i 2003, og som vi følger opp. Det som er viktig i den reformen og i det arbeidet, er å søke etter høyere kvalitet både når det gjelder forskning, og når det gjelder undervisning. Resultatene og evalueringene så langt tyder på at vi er i ferd med å lykkes. Men vi vet alle sammen at den andre ambisjonen, som også er en europeisk og internasjonal ambisjon, nemlig mangfold, betyr at ikke alle kan være best i alt, og at det er noen som rager høyere enn andre når det gjelder ulike internasjonale sammenligninger. Jeg er opptatt av at vi får til mangfoldet, at vi får f.eks. god kvalitet i vår forskning og utdanning på alle våre store. Jeg har, så vidt jeg forstår støttet av Stortinget, bevilget spesielle midler til nettopp det samarbeidet og den arbeidsdelingen og ikke minst den faglige konsentrasjonen som følger med det. Dette er viktige virkemidler som regjeringen bruker og Stortinget støtter av sentre for fremragende forskning og forhåpentligvis også sentre for fremragende undervisning er jo vår måte å vise høy kvalitet på når det gjelder både forskning og undervisning. Jeg aksepterer derfor ikke at vi ikke har ambisjoner. Jeg mener vi har høye ambisjoner, men vi har ambisjoner om en helhet som består av noe mer enn det disse internasjonale målingene kan vise. Jeg vil også avvise at diskusjonene i Vitenskapens år, 2011, ikke skal handle om hvor gode våre læresteder er. Det er nettopp det det skal handle om. Blant andre spørsmål som har vitenskapelig og forskningsmessig interesse,

gode nok, blir selvfølgelig neste spørsmål: Hva gjør vi for å bli enda bedre? Det ligger der som et utgangspunkt for videre politisk arbeid og det som skjer i Vitenskapens år. Jeg vil gjerne takke interpellanten for å ha tatt opp dette temaet. Man vet jo at rangeringer innen denne sektoren er noe som regelmessig skaper debatt. Noen mener at Andre mener at rangeringer, selv om de ikke sier alt, likevel sier noe ganske vesentlig om essensen ved institusjonene. Jeg er av den oppfatning at begge deler er riktig. Rangeringene sier noe, men ikke alt. De er ikke gode nok som rettesnor, men de gir samtidig noe å strekke seg etter. Fra et studentperspektiv er det ikke til å unngå å se at rangeringer kan spille en rolle, ikke minst for studenter som vurderer å studere i utlandet. I et internasjonalt, uoversiktlig landskap av store og små høyere utdanningsinstitusjoner vil et godt omdømme kunne ha mye å si for at én institusjon blir valgt framfor en annen. Rangeringer er selvsagt ikke den eneste ingrediensen for omdømme. Vel så viktig er hva tidligere studenter kan fortelle om institusjonen, eller hvem som er forelesere der. For studenten er utenlandsstudiet ikke bare en opplevelses- eller dannelsesreise, men også en investering for framtiden. Da er det ikke så rart om man vil forsikre seg om at man har valgt en institusjon som ikke bare er spennende, men som også andre kjenner og anerkjenner. Det betyr at norske studenter kikker på slike rangeringer før de bestemmer seg, noe som betyr at også studenter som vil til Norge, gjør det samme. Norske institusjoner vil av mange grunner fortsette å være attraktive for også fordi vi er et av svært få land som ikke tar skolepenger, og som har generelt høy levestandard. Men også våre institusjoner må forholde seg til og avfinne seg med å bli målt og veid – og noen ganger funnet for lett og noen ganger akkurat tung nok. Rangeringene er et uttrykk for økt globalisering. Behovet for å sammenligne institusjonene blir større. Det gjelder også for forskere, for vitenskapelig ansatte, som søker seg til gode eller anerkjente fagmiljøer. I januar besøkte komiteen OECDs kontor i Paris. Der ble vi oppdatert på arbeidet med å starte opp en stor undersøkelse som skal måle læringsutbyttet i høyere utdanning. Det er en slags PISA-undersøkelse for denne sektoren. Formålet er å sammenligne på tvers av institusjoner, å gi studenter og vitenskapelig ansatte et bredt grunnlag for sine valg, å sikre en informert nasjonal politikkutvikling samt å være et redskap for de høyere utdanningsinstitusjonenes strategiske arbeid. Selv om denne undersøkelsen også vil ha sine metodiske svakheter, kan den – sammen med andre undersøkelser – være med på å gi et bredere grunnlag for å gjøre denne typen vurderinger. Det ønsker jeg velkommen. Jeg håper samtidig at både den kommende OECD-undersøkelsen og de rangeringene som vi allerede har, benyttes med vett. Det betyr å ikke se seg blind på dem, samtidig som man bevarer ambisjonen om stadig å bli bedre og å sikte mot internasjonal kvalitet på utdanning, forskning og formidling ved den enkelte institusjon. For norske institusjoner betyr dette dessuten mer diskusjon om hva vi vil være de beste på. Vi er et forholdsvis lite land. Vi kan åpenbart ikke være best på alle områder, men med våre gode ressurser og mange gode hoder kan vi markere oss på enkelte områder hvis vi arbeider langsiktig og systematisk. systematisk. Dette er en viktig felles, strategisk diskusjon, som jeg gjerne inviterer fagmiljøene og institusjonene selv til å delta mer i enn det de gjør i dag. dag. Et nos petimus astra, står det på grunnsteinen til Observatoriet, Universitetet i Oslos eldste bygning. Også vi søker stjernene, betyr det på norsk. Det sier noe om hvilke ambisjoner Universitetet i Oslo har. Det var også en litt mer jordnær benyttelse av det observatoriet for 200 år siden. Det handlet ikke bare om stjernene; det handlet også om å kartlegge hvor Norge faktisk lå

og NTNU – om å være synlig i det internasjonale miljøet som helt eller delvis breddeuniversitet. Det er grunn til å minne om at vi har bare to store breddeuniversiteter i Norge; de andre universitetene ønsker i større eller mindre grad å prioritere hvilke disipliner de skal satse på, og jeg opplever at

og som jeg er helt sikker på at vi vil komme tilbake til der. Det er slik at Norge, med de studiefinansieringene vi har, alltid kommer til å være et attraktivt studiested for internasjonale studenter. Men det må være et mål at vi tiltrekker oss de beste studentene. Det at vi kan tiltrekke oss de beste studentene, mener jeg er en viktig begrunnelse for å ha gratis utdanning i Norge. at vi kan tiltrekke oss de beste studentene, mener jeg er en viktig begrunnelse for å ha gratis utdanning i Norge. Men de kommer ikke til Norge bare fordi det er billig eller gratis å studere her. De aller beste kommer ikke med mindre vi også viser at vi har kvalitativt gode utdanningsinstitusjoner i Norge. Derfor er denne debatten viktig. Jeg håper ikke jeg kunne tolke statsråden dit hen at antallet nobelprisvinnere er en irrelevant målestokk når man vurderer hvor god forskningen er rundt omkring, for det mener i alle fall ikke jeg at det er. Det er helt åpenbart at det er mange grunner til å diskutere disse målingene, hvor relevante de egentlig er, men vi er nødt til å forholde oss til dem. Jeg synes statsråden er inne på noe viktig: Kanskje er det fornuftig at vi bidrar fra norsk side til å utvikle kvalitetsrangeringer som passer mer sentraleuropeiske og nordiske måten å jobbe med universiteter og høyskoler på. For det kan helt sikkert hjelpe på sikt, slik at norske universiteter vil skåre bedre på en sånn type ranking. Men vi er uansett nødt til å forholde oss til de store, internasjonalt anerkjente rankingene, for det kommer studenter og forskere til å legge vekt på i framtiden. Hvis jeg kan få spore av debatten litt – og det bruker jeg som oftest å få lov til: Når vi diskuterer sak opp mot disse problemstillingene, ser det ut som om vi i fellesskap har klart, med statsråden i førersetet, å komme fram til en viss progresjon rundt omkring på høyskolene. Det skjer positive ting rundt samarbeidet med høyskolene. Jeg tror også at vi må vi må jobbe med å få økt samhandling, arbeidsfordeling og konsentrasjon mellom universitetene. Det vil styrke forskningsmiljøene, hvis vi prioriterer riktig, men det vil også kunne føre til at norske universiteter faller på internasjonale rankinger fordi mange av disse rankingene legger stor vekt på at man skal Jeg vil likevel si at jeg tror det er fornuftig å legge vekt på at de store universitetene i Norge samarbeider mer og deler arbeidet mellom seg. Det mener jeg til tross for at det vil kunne føre til at vi på noen rankinger vil få noen utfordringer fordi bredden vil bli mindre. Men slik vil vi i hvert fall kunne sikre at vi har sterke fagmiljøer i alle disipliner som er viktige

der de faktisk kan være verdensledende i sine nisjer. Det betinger også at akademiabiten er internasjonal og har det internasjonale blikket. Rangering finnes, og det finnes bevisst gjennom de undersøkelser som gjøres, og de rangeringslister som settes opp. Selv om en ikke bruker dem, gjøres det ubevisst, og det

Jeg må si at etter å ha hørt statsråden føler jeg at dette føyer seg inn i et bilde som vi har diskutert flere ganger i denne salen. Statsråden viser til institusjonene og hva de vil, og hvordan de skal utvikle seg. Når vi er rundt og snakker med institusjonene, roper de litt på statsråden, eller i hvert fall på det politiske miljø, for de skulle nok i større grad ønske seg at vi hadde en visjon, at vi hadde en plan, at vi hadde noen mål som vi satte oss for sektoren på forskjellige nivåer. Jeg synes det er flott med tanken om og innsatsen på mangfold innenfor høyere utdanning, og at de nasjonale oppgavene skal gjøres. Men det er også viktig at vi har klare mål for hvordan vi skal forholde oss til det internasjonale utdanningsmarkedet. Det er vi som er eier og oppdragsgiver, og da forventes det at vi gir signaler, gir oppdrag, og at vi også gir ressurser som gjør at oppdraget kan fullføres. Statsråden viste til at universitetene har høye ambisjoner. Jeg må si at jeg langt på vei er enig med representanten Lien som nettopp påpekte at til å jobbe spisset mot å bli gode på sine felt, samarbeide for å skape gode kompetansemiljøer. Kanskje er det mer å hente på universitetsbiten der? Når de har så høye ambisjoner og vil så mye, hvorfor når de da ikke høyere på disse rangeringene? Det synes jeg er et spørsmål vi må stille oss, og om det kan gjøres noe med våre ambisjoner det kan gjøres noe med våre ambisjoner for å gi dem inspirasjon, for å gi dem ressurser som gjør at de kan nå lenger. Når statsråden påpeker at jo, regjeringen har ambisjoner for universitetene, også i forhold til det vi diskuterer nå, og ikke snakker om mangfold og alt det andre, hadde det vært spennende å vite helt konkret: Hvilke ambisjoner har statsråden

bildet. Slik sett er dette med sammenlikning allerede i gang. Stadig flere vil framover ha behov for slike sammenlikninger, enten vi liker det eller ikke, for å si det på den måten. Det er noe fascinerende enkelt, særlig når det blir tall, kolonner og slike tallfestinger, ved å å foreta slike sammenlikninger. Det er jo ikke feil at dette kommer opp, men det er viktig – som flere har vært inne på – at slike tallfestinger, slike beskrivelser og dermed slike rangeringer for det første alltid er bygd på skjønn, bak tallene ligger skjønn, og de fokuserer bare på en del av den totale aktiviteten som vi vil at slike institusjoner skal drive på med – altså: den totale nytten av slik undervisning og forskningsaktivitet som foregår på slike institusjoner. Dermed er dette akkurat som når det gjelder PISA-undersøkelsen og den tilhørende debatten: Den er interessant, og slike undersøkelser vil bli stadig bedre på det de undersøker. Og så er den på grensen til uinteressant i det den ikke undersøker, og det den ikke måler. Slik vil også være status for de Slik vil også være status for de undersøkelser som vi sammenlikner her i dag. Sjøl ser jeg stadig vekk fram til Fagerbergutvalgets rapport om forskningens nytte. Jeg tror den, sammen med det pågående arbeidet som statsråden viste til når det gjelder vurdering av undervisningskvalitet, vil gi oss et godt grunnlag for å drøfte det som på mange måter er tema her i dag også, nemlig forskningskvalitet, videre framover – både hvordan vi står i det globale bildet, og, ikke minst, når det gjelder hva som foregår på vår hjemlige arena. Når jeg gleder meg til den rapporten og den debatten, har det også sammenheng med at jeg tror vi absolutt trenger en gjennomgang av våre egne incitamentsystemer. For publisering og referering er viktig, og ikke minst stas, for den forskeren og det forskningsmiljøet som kommer godt ut av publiserings- og refereringsfokus, men først og fremst er dette noe som er nyttig for det vi gjerne kaller grunnforskning, eller vitenskap for vitenskapens egen del, og – til en viss grad – anvendt forskning. Store deler av den forskninga som vi setter stadig mer pris på, synes jeg er viktig for den totale verdiskapinga i samfunnet, samfunnet, ikke minst den forskninga som er viktig for å komme opp med ny kunnskap inn i viktige politiske beslutningsprosesser, som f.eks. utvikling av skolesystemet vårt, det å løse klimaspørsmålet, energiutfordringene osv. – publisering og referering er mindre egnet til å gi et totalinntrykk av nytteverdien av den typen aktivitet. Til Til slutt er det interessant, syns jeg, at vi stadig vekk i ulike debatter kommer fram til en liten forskjell her i salen mellom posisjon og opposisjon, der opposisjonen ber om sterkere tydelig statlig styring fra oven, mens vi rød-grønne i stor grad setter pris på at det skjer litt nedenfra – at det er institusjoner som fritt, gjennom å bli stimulert sjøl. Det er en forskjell her i synspunktene våre som jeg tror skyldes en posisjon–opposisjons-debatt mer enn en ideologisk debatt. Andre, som sitter utenfor denne salen, vil kanskje synes vi burde ha kommet motsatt ut i slike debatter. Interpellanten tar opp situasjonen til universitetene og

at hvilken iver man hadde for til å vise til disse listene, var litt avhengig av hvor man kom fra. Det var vel kanskje ikke tilfeldig at det kom fra Hordalands representant, som nå representerer et universitet som har gjort det veldig bra, og som vi gratulerer med å stå på Times' rangeringsliste – at de kom så høyt ut. Men det har også, som interpellanten sa, kommet vesentlig kritikk av hvordan listene utarbeides, og målemetodene karakteriseres i Uniforum av rektor Ole Petter Ottersen ved Universitet i Oslo som skjøre metoder: «Uansett, kva måling eg kommenterer, så har eg heile tida vist til at det er eit metodeproblem med desse universitetsrangeringane. Og dei måler jo berre ein del av aktivitetane og oppgåvene til universiteta. No har me eit godt døme på kor skjøre desse metodane er. I utgangspunktet er eg ikkje så opptatt av rangeringar, men samtidig er det ei kjensgjerning at både studentar og vitskaplege tilsette både nasjonalt og internasjonalt er opptatt av dei. Mange av dei skjeler til desse rangeringane når dei vurderer kvar dei skal studera eller forska. Det er ikkje eit mål i seg sjølv for UiO å skåra høgt på desse målingane, men det som blir målt må i alle fall vera korrekt. Berre på den måten veit ein om ein blir betre eller ikkje på dei områda som blir målte. Det er ikkje gjort i dette tilfellet.» Når universitetet i Oslo faller fra plass nr. 100 til plass nr. 186, er et betimelig spørsmål å stille dette: Gir disse rangeringene et riktig bilde rangeringene et riktig bilde av et universitet, eller bør man strebe etter å få til bedre målinger etter hvor disse universitetene ligger? Jeg ser også at interpellanten bruker begrepet «våre fremste universiteter». For Kristelig Folkeparti er det et mål at alle universitetene får en mulighet til akademisk kvalitetsutvikling. Vi ønsker ikke at det bare skal være de to fremste som skal bli sett på med et analytisk blikk for hvordan en kan øke ambisjonsnivået og kvalitetsnivået. Derfor synes jeg at hvis man skal legge fram for Stortinget en analyse av strategiske vurderinger og ambisjonsnivå, vil det være nyttig at alle universitetene er inkludert i det. Hvis vi skal tiltrekke oss utenlandsk kompetanse, kan det gjøres på flere måter. Det kan enten være ved at vi leverer like bra som andre tunge aktører på de fagene de har, i et konkurranseforhold, og at de velger Norge framfor andre land, men det kan også være å tilby nye og andre fag av høy kvalitet, fag som møter det globale storsamfunnets nye utfordringer. Da Høgskolen i Agder gikk over til å bli universitet, var vi mange som understreket at dette var en startstrek og ikke en målstrek for oss. Det akademiske drivet som preget høyskolen på vei til å bli universitet, var veldig positivt. Det er bl.a. bygd opp en bachelor- og en mastergrad innenfor mekatronikk med høy faglig kvalitet som leverer ypperlig kompetanse til en industriklynge som er veldig internasjonalt

og dermed også anerkjenner den kompetansen som leveres av lokale institusjoner, enn det er å komme med på en liste. Et fortsatt akademisk driv handler om å ha strategiske midler til å kunne drive både forskning og utvikling ved universitetene.

Aksel Hagen prøvde å framstille det som at rangeringa var et skille mellom borgerlig og sosialistisk. Da må jeg nok si at her inntar Venstre en klassisk sentrumsposisjon. Vi er nok kritiske til å tro på at lister er altomfattende, at de alltid er riktige, at de alltid er presise. Dagrun Eriksen siterte Ole Petter Ottersen, og jeg er helt enig i alle de bemerkningene hun kom med. Men det å aldri er å ikke ha respekt for verken individer eller institusjoner. Du skal forvente noe, du skal kunne måle noe sjøl om du må innrømme at det du måler, ikke er alt, verken om en institusjon eller om et annet individ. Derfor er det viktig å ønske å delta. Det er viktig å komme så langt opp man vil, men det er også viktig å ha en klar formening om at disse rangeringene ikke er presise og altomfattende om kvaliteten ved våre institusjoner. Derfor må jeg si at jeg egentlig er litt skeptisk til regjeringas og SVs telleprosjekt om forskningstid. Som en forsker sa i Forskerforum: Det er av og til den tida du ikke forsker, at de tankene om den viktigste forskninga faktisk Det er viktig av og til å telle mellomrom mellom forskning for å kunne telle kvalitet på forskning. Det syns jeg var klokt sagt. Det er også en tankevekker for oss som syns det er spennende å lese vitenskapshistorie, om de store vitenskapsmenn og de store vitenskapskvinner i vår vitenskapshistorie. Man kan lure på hvordan de hadde passet inn i våre tellesystemer, i våre rangeringer og i våre institusjoner i dag. Hadde vi klart å dyrke fram den type kvalitet? Hadde vi klart å dyrke fram den type forskningspersonligheter som virkelig er med på å bidra til at vitenskapen tar kvantesprang i våre strukturer i dag? Det er ikke jeg så sikker på. Men så til det som er Venstres ærend. Hvis vi skal klare å nå de målsettingene vi har, er vi alvorlig bekymret når basisbevilgningene til institusjonene presses over tid, som vi nå ser at de gjør. Det basisbevilgninger handler om, er den akademiske friheten. Det handler om sjølstyre til å ta den type prioriteringsvalg som institusjonene må ta, som er så nært vitenskapsansatte som de faktisk er. Vi er også bekymret over at vi nå ser at studieplasser stadig mer blir underfinansiert, noe som fører til at det presser basisbevilgningene, og at det også presser kvaliteten ved institusjonene. Alt dette er med på institusjonene. Alt dette er med på å presse institusjonene når det gjelder muligheten til å oppnå den kvaliteten vi ønsker at de skal ha. Kanskje er det kampen for økt basisbevilgning, kampen for den akademiske frihet og det å passe på at studieplasser er ordentlig finansiert, som er noen av hovedgrepene vi kan gjøre, hvis vi ønsker å bringe vitenskapsmiljøene våre opp til et høyere nivå.

Jeg tror jeg vil si det slik: I Høyre har vi tro på ledelse i stort og frihet i smått. Med andre ord: De som sitter i lederposisjoner, må kunne ha en velbegrunnet oppfatning om hvor de ønsker å gå, og hvor de skal lede, og så lar man så mye som mulig av friheten komme dem til gode som skal virke innenfor – i dette tilfellet – høyere utdanning. Det vi ser fra regjeringens side høyskole- og forskningspolitikk – altså utdannings- og forskningspolitikk – er at det etter vår oppfatning er en voldsom styring i det små. Med andre ord: en detaljstyring ned til hver minste detalj. Det er også noe som sektoren selv klager over, at disse tildelingsbrevene er ekstremt detaljerte, at det er voldsomt mens man altså etterspør signaler og retning i forhold til de store strategiske diskusjonene. Hva vil vi med sektoren, hvilket ambisjonsnivå skal vi ha, osv. Dette går igjen i mange forskjellige saker, og det går også igjen i budsjettene. Fra Høyres side har vi – skal vi si – kritisert regjeringen flere ganger for at altfor mye av midlene, f.eks. på forskningsfeltet, er øremerket og styrt. Vi ønsker oss større grad av frihet, og derfor var det positivt at regjeringen i siste statsbudsjett gjorde det som Høyre gjorde i fjor, nemlig å øke det som er de frie konkurransemidlene. Statsråden var i sitt innlegg inne på noe som jeg gjerne vil komme kjapt tilbake til, og som jeg mener er veldig viktig. I Norge har vi de siste ti årene på kvalitet og konkurranse når det gjelder fordeling av ressurser. Statsråden nevnte Senter for fremragende forskning. Vi har også Senter for forskningsdrevet innovasjon. Vi har de såkalte Ekspertsentrene, vi har tiltak som Yngre fremragende forskere, osv. Dette er klare kvalitets- og konkurransebaserte måter å tildele ressurser på. Det er kanskje det som statsråden blir kritisert for, når jeg ser at hun jeg ser at hun av noen forskere blir kritisert for å føre en nyliberalistisk kunnskapspolitikk. Men vi mener i alle fall at dette er riktig. Det er altså det som er utgangspunktet for å kunne løfte seg i internasjonale kvalitetssammenligninger. Med all respekt: SAK-midlene som vi bruker internt i Norge, er neppe svaret på det jeg har forsøkt å reise i min interpellasjon.

faller man straks tilbake på en diskusjon om penger, økonomi og om hvem som klager på hva. Jeg hadde håpet at denne debatten også skulle handle mer om hvordan man måler, og hvordan man rangerer, og vil gi interpellanten ros for at han har tatt opp dette spørsmålet på den måten han har gjort, og at han er med på den diskusjonen som jeg inviterer til, nemlig hvordan vi ser på de aller beste i forhold til den kvaliteten vi skal levere, både på forskning og på utdanning. Så føler jeg meg litt midt imellom Høyre og Venstre i debatten, hvor Venstre kritiserer at vi teller for mye og Høyre at vi teller for lite. Kanskje føler jeg meg litt mellom Oslo og Bergen når det gjelder universitetene. Bergen, som rangerer godt, vil gjerne ha en debatt om rangering. Oslo, som ikke rangerer så godt for tiden, synes målingene er vanskelige og at de har sine svakheter. så godt for tiden, synes målingene er vanskelige og at de har sine svakheter. Her er det litt ulike meninger avhengig av hva slags utgangspunkt man har. Det som er helt sikkert, er at vår kvalitetsreform, hvor ordet signaliserer at vi etterstreber kvalitet, understreker mitt ansvar for at vi får kvalitet både på forskning og undervisning. Det at vi har rigget til et eget system for kvalitetssikring gjennom NOKUT-systemet, er med på jevnlig å gi oss tilbakemeldinger om hvordan man gjør det innenfor de forskjellige fagområdene. Det at vi selvfølgelig har et spennende konkurranseelement internasjonalt, det nordiske, hele tiden, er også med på å understreke at her er det om ikke på alt, så på noe, men at det også er viktig at man har det mangfoldet som innebærer at man ser at andre er bedre enn en selv på noe. Det gjøres også veldig mye for å vurdere om norsk forskning holder internasjonal standard. Forskningsrådet, som jeg også har lyst til å nevne her, har jevnlige evalueringer av de ulike forskningsdisipliner. de ulike forskningsdisipliner. De siste årene har vi hatt mange slike evalueringer f.eks. av geografi, sosialantropologi, sosiologi, fysikk, rettsvitenskap osv. Dette er universitetsfag som det er viktig å få vurdert og gjennomgått av internasjonale fagfeller. Disse evalueringene viser stort sett at Norge leverer bra, men at vi på noen områder har en vei å gå når det gjelder å hevde oss i den internasjonale konkurransen.

sak nr. 5 ferdigbehandlet. Sak nr. 6 er en av de to sakene, sammen med sak nr. 7, som ble utsatt ved Stortingets møte fredag. I den anledning har statsråd Kristin Halvorsen bedt om ordet, før vi fordeler taletiden, for å komme med en kommentar. – Med tilslutning fra Stortinget er presidenten innstilt på å gi

sykdom. Jeg har vært fast representant i Stortinget siden 1989 og er blant dem her på huset med lengst fartstid. I tillegg har jeg vært under opplæring av Hanna Kvanmo, så jeg vet at det ikke er noen tvil om at tilstedeværelse i Stortinget skal gå foran alt. Fredag morgen var jeg veldig opptatt med en sak som skulle i statsråd samme dag. Jeg hadde derfor et ønske om å spørre komiteen og presidentskapet om det var akseptabelt at vi enten skjøv på den debatten jeg skulle vært med på i Stortinget kl. 9, eller om forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland kunne være til stede i mitt sted. Hvis ikke det hadde vært akseptabelt for komiteen og presidentskapet, skulle jeg selvsagt møtt i Stortinget. Dessverre glapp hele situasjonen for meg fredag morgen. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt for Stortinget at den som er konstitusjonelt ansvarlig statsråd, ikke møter når saker står på kartet. Presidenten har grunn til å tro at Stortinget vil akseptere den klare beklagelsen fra statsråden. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og 5 minutter til medlem av Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til tre replikker med svar etter innlegg fra hovedtalerne fra hvert parti og etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletiden. Videre vil presidenten foreslå at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletiden, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Jeg takker statsråden for den beklagelsen hun kom med. Venstre er heller ikke en så

men det er en spennende prinsipiell debatt. Som liberaler er det sånn at jeg heller ikke liker, jeg syns det er ekkelt, å putte hijab på små barn. Men som liberaler skiller jeg veldig klart mellom det jeg ikke liker, og det jeg faktisk vil være villig til å forby. Det mener jeg er en grunnleggende liberal innfallsvinkel. Jeg er veldig glad for alle partiene, unntatt Fremskrittspartiet, har den holdninga i komiteen. Det er også slik at politikere og styrende makter opp gjennom historien har hatt veldig mange lover når det gjelder hva kvinner skal ha på seg. Det har blitt laget mange lover opp gjennom Etter at de var rådende rundt omkring i verden, har vi fått noe fint som heter menneskerettigheter, som da faktisk også gir kvinner retten til sjøl å bestemme hva de skal ha på seg i det offentlige rom. Det mener jeg er klassiske, gode rettigheter som vi skal kjempe for, og som skal være grunnleggende. Jeg mener et sånt forbud klart bryter med menneskerettighetene. Der er jeg helt enig

enn det å vedta en lov i denne sal. Du får en mye bedre prosess, og du får faktisk en integrasjonsprosess som jeg tror vil føre til veldig mange gode diskusjoner rundt omkring på skolene. I Dokument 8-forslaget er det en beskrivelse av hijabens historie som komiteen ikke stiller seg bak. Det er generelt en veldig lemfeldig, klippende historieframstilling som jeg må si jeg er forundret over at Fremskrittspartiet presterer, som faktisk har historiekompetanse i sin egen gruppe om hvordan man skal forholde seg til kilder. Jeg har bare lyst til å sitere det dokumentet vi har fått fra Muslimske akademikerkvinner, som har gått igjennom forslaget: «Frps representanter oppgir ingen referanser for sine påstander, og forslaget: «Frps representanter oppgir ingen referanser for sine påstander, og det finnes overhodet ingen dekning i akademisk faglitteratur for deres påstander om hijabens opprinnelse. Det er for øvrig en monumental logisk kortslutning å fremstille sakskomplekset slik at troende muslimske kvinner som bærer hijab i Norge og ellers i Europa med nødvendighet er tilknyttet til, eller uttrykker sympatier for Muslimbrødrene eller andre «islamistbevegelser» ved å bære hijab. Forslagsstillerne demonstrerer også sin uvitenhet om såvel grunnleggende historiske fakta som akademisk faglitteratur på temaet ved å henvise til den iranske revolusjonen i 1979 som et annet utgangspunkt.» For meg som liberaler er det viktig at staten er nøytral. Det er viktig at staten på alle områder opptrer nøytralt i forhold til alle verdifaktorene vi har. men det betyr heller ikke at vi skal ha en stat som forbyr de enkelte borgernes mulighet for å uttrykke sine personlige standpunkt, sin personlige tro. En logisk versjon av det som Fremskrittspartiet her foreslår, må jo være at man skal forby kors for oss som er kristne, symbol. Jeg mener at alle individer og alle borgere i en stat har lov til å ha sine meninger og sin tro også i det offentlige rom, og også skal ha lov til å vise det. Det er en grunnleggende menneskerettighet. Jeg ønsker ikke en sekulær stat der du ikke har muligheten til å uttrykke verken den troen du har, eller de meningene du har.

Så er det jo sånn at vi i innstillingen har vist til flere dommer i Menneskerettighetsdomstolen. Samtlige peker på at det er utelukkende når nasjonalforsamlingen gjør lovvedtak, at et slikt forbud kan anses å være legitimt, og at andre forbud i forskrifter eller på andre måter ikke vil være å anse som legitimt. Hvorfor legger Venstre til grunn at det er mer legitimt at en rektor og noen foreldre på en skole skal innføre et sånt forbud enn at landets nasjonalforsamling gjennom grundig debatt gjør et sånt vedtak?

Men det betyr ikke at jeg har lyst til å gå nedover Karl Johan og forby det i de enkelte butikkene. Det er det som er forskjellen. Vi er uenig i Fremskrittspartiets tolkning i forhold til Menneskerettighetsdomstolen. Det er faktisk sånn i dag at en lærer – det har jeg også gjort som lærer – kan si at unger ikke får lov til å sitte med caps i klasserommet. Det er klart at det ikke er brudd på menneskerettighetene. Det er ikke brudd på noe skolereglement, og det er heller ikke brudd på noe og det er heller ikke brudd på noe annet som vi mener er ulovlig. En lærer må få bestemme reglene i sin klasse. Fordi det skjer gjennom en dialog med foreldrene, er det en mye bedre løsning enn Fremskrittspartiet har, som mener at dette skal reguleres ved lov. Jeg mener at Trine Skei Grande her er noe uklar og delvis internt selvmotsigende i forhold til det hun sier.

hijab. Jeg vil tilbake til: Er det ikke mer legitimt på alle måter at nasjonalforsamlingen gjør vedtak om dette, så lenge man kan diskutere hvorvidt dette er et inngrep, enn at dette inngrepet gjøres av embetspersoner på laveste nivå i skolen?

religion. Inntil for kort tid siden har kristendommen hatt en klar og omfattende plass i skolen gjennom faget kristendom, religion og livssyn og skolens formålsparagraf. Tradisjonelt har skolen og kristendommen hatt tette bånd. I middelalderen fantes det klosterskoler som ble etablert i de største kirkene, og på 1700-tallet gikk en rekke prester i bresjen for å få i gang skoler over hele landet. Jeg ønsker ikke et samfunn med én klar statlig religion som trumfer alt. Og jeg ønsker meg i hvert fall ikke et land der alt som ikke har med denne religionen å gjøre, er forbudt. Forslaget fra Fremskrittspartiet beveger seg i den retningen. Jeg er imot at noen små jenter tvinges til å bære hijab. På lik linje er jeg imot at noen barn tvinges inn i en religiøs sekt som isolerer dem fra samfunnet. Men man kan ikke forutsette at alle valg som er annerledes enn det man selv ville tatt, er påtvunget. Når Arbeiderpartiet er med på å avvise dette forslaget i dag, er det fordi vi er imot et generelt forbud. Det betyr ikke at vi avviser at det noen steder kan være et problem at enkelte barn opplever tvang eller press. Vi trenger lærere og skoleledere med kunnskap om de ulike religionene og evne og mulighet til å skape forståelse mellom foreldrene og skolen – og slik motvirke og forebygge tvang eller press. Allerede i dag er det – som saksordføreren, Skei Grande, nevnte – mulig for den enkelte skoleeier å forby plagg som dekker ansiktet, slik som burka og niqab, hvis det kan være til hinder for undervisningen. Jeg mener at det er greit at skoleeier har muligheten til å lage slike regler, når begrunnelsen er at det hindrer undervisningen. Men bruk av hijab hindrer ikke undervisningen, den dekker hodet – ikke hjernen – til eleven. I Menneskerettskonvensjonens artikkel 9 sies det at enhver har rett til

til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.» Altså: Religionsfriheten din stopper ikke når den krenker min. Samfunnet vil gripe inn dersom din religionsutøvelse eller praksis bryter med norsk lov. Mener Fremskrittspartiet at de som bærer hijab, truer andres religion? I Norge vil vi følge de grunnleggende prinsippene om religions- og livssynsfrihet og ikke-diskriminering. Lovavdelingen i Justisdepartementet har vurdert hva et eventuelt forbud mot hijab vil bety. De viser til at Den europeiske menneskerettighetsdomstol i enkelte tilfeller har akseptert et forbud mot hijab i enkelte land. Avgjørelsene knytter seg imidlertid til land med et grunnleggende prinsipielt skille mellom stat og religion. religion. I Norge har vi ikke et klart skille mellom stat og religion, som jeg har redegjort for tidligere. Derfor er det liten tvil om at i Norge er et forbud mot hijab i strid med menneskerettighetene. Jeg oppfatter det slik at Fremskrittspartiet er opptatt av integrering – til en viss grad i hvert fall. Men på hvilken måte mener Fremskrittspartiet at forslaget om forbud mot hijab i barneskolen bidrar til integrering? Et forbud mot hijab i skolen kan snarere tvert imot føre til at flere muslimer vil sende sine barn på egne skoler der hijab er tillatt. Derfor kan et slikt forbud bidra til å hemme framfor å fremme integrering. I tillegg vil jeg gjerne vite hvorfor Fremskrittspartiet ikke vil forby andre religiøse symboler på barn, som sikhenes turban eller jødenes kalott. Hva er det med islam eller muslimer som Fremskrittspartiet har et så sterkt behov for å lovregulere?

merknads form støtter Arbeiderpartiet at forbud mot hijab kan være i strid med religionsfriheten. Dette er en stor selvmotsigelse i seg selv. En kan ikke både gi fullmakt til å forby hijab og være enig i at et forbud er i strid med religionsfriheten. Så jeg lurer virkelig på: Hva mener Arbeiderpartiet?
Til det første spørsmålet er det viktig å si at vi i Arbeiderpartiet gjør vedtak i denne sal. Så kan vi godt ha åpne diskusjoner i media. Men etter Arbeiderpartiets syn er det viktig at vi ikke bryter Den europeiske som sier at vi ikke har anledning til å forby bruk av hijab i barneskolen. Så er vi åpne for at skoler der det oppleves som et spesielt problem, kan ha ulike reguleringer for bruk av spesielt niqab og burka i de tilfellene der det hindrer undervisningen. Representanten Ljunggren siterer selv Menneskerettskonvensjonens artikkel 9, hvor det
Da er neste

kan bli underlagt begrensninger som er vedtatt ved lov. Jeg prøvde i stad overfor Trine Skei Grande – jeg har ikke lyst til å gjenta meg selv flere ganger nå: Hvordan er det som står svart på hvitt i Menneskerettskonvensjonen, forenlig med at man skal overlate disse avgjørelsene ikke til lovbehandling i dette hus, men til rektorer, lærere og foreldre ved norske skoler?

I Dagsavisen den 8. mars sto det: «På en norsk ungdomsskole går en tolv år gammel jente i heldekkende hijab. Under hijaben har hun på seg bukse, kjole og langermet genser. Det er sommer. «Faren min sier at helvete er varmere enn hijaben og at jeg må holde ut.»» Arbeiderpartiet åpner for at enkelte skoler skal kunne ordne opp i dette problemet Men hvem skal rektor få melding fra om barna synes det er et problem å gå med hijab? Tror virkelig representanten at muslimske barns mødre våger å gå til rektor og si at datteren har et problem med å gå med hijab? Bare for ordens skyld: Vi har nå ingen interpellasjonsdebatt, men vi behandler et Dokument
Jeg er imot at små barn skal tvinges til å bruke hijab, som jeg også redegjorde for i innlegget mitt. Men vi må også forstå at dette er en del av samfunnsutviklingen vår, som har gått i en sånn retning at det er mange som føler at de møter stor motstand i moteindustrien. Trine Skei Grande gjorde rede for det på en god måte med et bilde fra Karl Johan. Det selges altså bikinier til små jenter helt ned i 1-årsalderen. Jeg er mer opptatt av at vi Jeg er mer opptatt av at vi skal kle på jentene og være bevisst på det som skjer, i stedet for at vi skal diskutere hijab som det eneste symbolet på jenter og kvinners kropp. Det er mye annet i dette samfunnet som vi bør diskutere i stedet for å ta hijaben opp som det eneste symbolet på dette. Det håper jeg at Fremskrittspartiet kan gjøre i den videre debatten her.

Ola Borten Moe, Senterpartiet, nå statsråd, sier at han «kaller det å kle opp småbarn i hijab for et «forkvaklet verdisyn», men mener et forbud først må diskuteres når hijabbruk er blitt et stort samfunnsproblem». Jeg blir bekymret når den mannen nå er blitt olje- og energiminister, hvis han mener at alle problemer skal håndteres først når de blir et stort samfunnsproblem. Jeg er i hvert fall ikke enig i at det er en god måte å tilnærme seg å tilnærme seg denne typen utfordringer på. Så har jeg lyst til å sitere Sona Bashash, som er psykologistudent ved Høgskolen i Lillehammer og muslim: I det muslimske miljøet opplever jeg en krenkelse av meg som kvinne. Hvis en kvinne bærer slør, får hun stor respekt blant andre muslimer. Hun er da en ærbar søster. Men en kvinne som meg, som ikke bærer hijaben, og sminker meg som andre norske kvinner, mister i beste fall respekt. De som skaper en slik atmosfære, er de som kjemper for hijaben. Men om de uttalte seg offentlig, ville de ha snakket om det frie valget av hijaben? spør hun. Poenget mitt er at det helt sikkert er mange voksne kvinner, mange unge kvinner og kanskje til og med noen jenter i barneskolen som går med hijab helt frivillig. Det er sikkert mange jenter som går med hijab frivillig. Om det er som går med hijab frivillig. Om det er en tredjedel eller to tredjedeler som bruker hijab helt frivillig, av egen fri vilje, eget fritt valg, er for så vidt saken underordnet. Jeg tror det må være bred enighet i denne sal om at det er noen jenter, og kanskje ganske mange jenter, som går i barneskolen med hijab av andre årsaker enn årsaker enn eget fritt valg. Jeg har stor forståelse for at denne saken er vanskelig. Men det som provoserer meg aller mest, er Trine Skei Grande og Venstres monopol på liberalitet i denne saken. Frihet er et gode som må beskyttes, men det er ikke bare staten gjennom det formelle lovverket som kan virke som en undertrykker. Ofte er det sivilsamfunnet som er Da kan det være på sin plass med statlig lovgivning, nettopp for å bevare og styrke friheten. Det er også liberalitet, noe sosialliberalismens far, John Stuart Mill, i «Om friheten» omtaler på følgende måte: Beskyttelse mot statens tyranni er derfor ikke nok, det er også behov for beskyttelse mot sivilsamfunnets press til å overføre sine ideer og praksis som allmenngyldige, ved andre virkemidler enn strafferettslige, på individer som ikke ønsker å dele disse. Sagt på en litt mer folkelig måte: Noen ganger må storsamfunnet også beskytte minoriteter i samfunnet mot press fra andre enn staten. Denne saken er et glimrende eksempel på det. Jeg tar parti for dem som blir tvunget av sitt sosiale miljø til å bruke dette plagget, som alle som har hatt ordet, har vært enige om ikke er ønskelig. Jeg tar parti for dem som gjør dette ufrivillig. Jeg noterer meg at flertallet tar parti for dem som gjør det frivillig, men dette handler ikke om hvem som er mest og minst liberal. Det er ikke slik at Venstre og Trine Skei Grande har Dette er en glimrende sak hvor staten må kunne gripe inn, nettopp for å sikre individet en individuell valgfrihet. Så: Den europeiske menneskerettighetsdomstol er krystallklar på at dette ikke kan gjøres på noen annen måte enn ved lovbehandling. Og det er ikke riktig at menneskerettighetene fratar parlamentet mulighet til å gjøre vedtak, men menneskerettighetene fratar alle andre institusjoner i samfunnet – inkludert skolene, inkludert kommunene, inkludert fylkeskommunene – enn parlamentet retten til denne muligheten. Det er ingen andre som kan gjøre innskjerpinger på hijabbruk i barneskolen; det er kun parlamentet. Parlamentet sier i dag ettertrykkelig nei, og kommer med unnskyldninger som i aller høyeste grad er fullstendig på tvers av europeiske menneskerettigheter. Jeg fremmer herved Fremskrittspartiets forslag. Representanten Tord Lien har tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir åpnet for replikkordskifte. Eg vil ta Framstegspartiet på alvor og fokusera på ei prinsipiell og

Å forby klesplagg, religiøse symbol og avgrensingar i ytringsfridomen og i menneskerettane, er ikkje det den sterkaste forma for offentlege inngrep ein stat kan utøva mot innbyggjarane sine? Og er ikkje dette i sterk strid med dei liberalistiske verdiane som Framstegspartiet byggjer på, som trusfridom, ytringsfridom og

pålegge noen noe i dette samfunnet, mener jeg det er mest legitimt at nasjonalforsamlingen, parlamentet, gjør det. Det er et syn jeg har, og det er et syn Den europeiske menneskerettighetsdomstol deler. Jeg mener at her er det viktigere å beskytte minoriteten – eller majoriteten – blant disse unge jentene som blir tvunget til å gå med hijab, enn det er å beskytte dem som presser dem til å bruke hijab. Derfor er ikke Bremers standpunkt i denne saken fravær av tyranni; det er et annet tyranni enn det som Stortinget, parlamentet, kan innføre. En av de diskusjonene der jeg bruke hijab. Derfor er ikke Bremers standpunkt i denne saken fravær av tyranni; det er et annet tyranni enn det som Stortinget, parlamentet, kan innføre. En av de diskusjonene der jeg føler at Fremskrittspartiet ikke blir enig med seg selv, er om hijab er et religiøst symbol eller ikke. ikke. I mars 2010 kunne vi lese at det de egentlig ville forby, var såkalte prangende religiøse symboler, men små smykker kunne være greit. Dette kunne vi lese i forbindelse med at Per-Willy Amundsen skulle fremme dette forslaget for Stortinget. Da har jeg bare ett enkelt spørsmål. Jeg har i dag utstyrt meg med et kors. Vil dette etter Fremskrittspartiets syn være et prangende religiøst symbol som vil være akseptabelt i den norske skolen, eller vil det være noe som bør være forbudt etter Fremskrittspartiets mening? I håp om å unngå å fornærme noen gjelder vel dagens forslag en litt annen alderskategori enn den representanten Jeg har ikke opplevd at det er så veldig mange som opplever et lite kors i halsen som verken ekkelt eller undertrykkende. Jeg har for så vidt ikke opplevd at dette har noe stort omfang – det er heller en bruk som er i dalende omfang, kanskje, og man kan gjerne diskutere hvor heldig dét er. Jeg mener at det er

Men det jeg har lyst til å spørre om, det som jeg ikke helt skjønner, og det som jeg syns kan avklares med et kort ja- eller nei-svar, er: Er det slik at man er imot hijab i barneskolen fordi den kles på kvinner? Eller er det fordi den er et symbol for islam? For det er jo ikke slik at Fremskrittspartiet er villig til å forby kalotten. Jeg kjenner mange jødiske gutter som av og til syns det er krevende å ha et symbol for en religion som er så omdiskutert som jødedommen, som de alltid må vise. Jeg kjenner mange sikh-gutter, som også bruker symbolet på at de er sikher, og som av og til syns det er slitsomt. Men det er slik barndommen er, og av og til har en valgt å ha en slik kulturell bakgrunn, og en er en del av den arven. Så: Er det fordi det er et symbol for islam, eller er det fordi det er kvinner som bærer dette symbolet, at dette symbolet må forbys?

Jeg klarer rett og slett ikke å forstå hvordan dette kan bli gjort til et kvinnesaksargument. Her har man et plagg som jeg mener – jeg ble forsøkt arrestert i stad – at jeg har ganske god dokumentasjon på handler om at man skal unngå at menn blir seksuelt tiltrukket av kvinner. Man legger til grunn en aksept for at det er kvinner som har ansvaret for at menn ikke blir seksuelt tiltrukket av dem. Hva slags kvinnesyn er det? Jeg har vanskelig for å forstå at standpunktet til flertallet i denne saken er et kvinnesaksstandpunkt. Replikkordskiftet er omme. De siste tiårene har gitt oss nye og spennende utfordringer når det gjelder mangfold og integrering – nye kulturer, nye religioner og nye demokratiske forståelser. Saken i dag inneholder alt dette og er

Jeg for min del har opplevd at dette mangfoldet har utfordret meg mange ganger, og at jeg gjennom det har lært meg å møte saker på en ny måte. Jeg er takknemlig for den økende evne til raushet dette har gitt meg, og jeg opplever at mange andre tenker på samme måte. Så til selve forslaget i denne saken, forslaget om å forby bruk av hijab i barneskolen. For Høyre har denne saken faktisk vært ganske enkel, ikke enkel fordi vi ikke ser utfordringer i det temaet som bringes på banen, men enkel fordi Høyre mener det er grenser for politikk. Det er grenser for hva vi som politikere skal bestemme. Høyre mener det er nødvendig å stå fast på at hvilke klær man bruker, og hvilken tradisjon eller symbolverdi disse klærne har, er og skal være en privatsak. Forslaget innebærer en inngripen overfor barns foresatte som går langt inn i den private sfære, og det kan ikke Høyre være med på. Jeg er veldig glad for at et solid flertall i salen er med på å bekrefte denne grensen, og gjennom innstillingen er med på å bekrefte at vi som politikere ikke skal krysse den linjen. Det er grenser for politikk.

jeg er også så gammeldags at jeg nekter barna mine å gå med lue inne, og det liker min sønn dårlig. Dette er imidlertid saker mellom meg og mine barn. Vi kan ikke begynne på den linjen at vi som politikere skal lovregulere alt det vi ikke liker, eller det vi er imot. Det ansvaret må vi som foresatte ta når det gjelder barna, og det er vel på sin plass å minne oss alle om oppgaven som gode Barn som påtvinges bekledning som gir dem problemer, er noe vi må ta på alvor. Lovforslag er imidlertid ikke tingen. Det må vi ta opp på andre måter. Til slutt vil jeg tilbake til der jeg begynte. De utfordringer vi møter, vurderer vi naturlig nok med våre øyne, ut fra våre erfaringer, vår kulturelle arv og bakgrunn. Det blir fort en utfordring når det vi diskuterer, har et helt annet utgangspunkt. Med dette som bakgrunn må jeg avslutte med å si at jeg heller ikke er sikker på om Fremskrittpartiets forslag ville hjelpe de barna det er ment å hjelpe. Det komplekse følelsesbildet knyttet til bruken av slike plagg vil ved et forbud kunne skape helt nye og andre utfordringer som vi antagelig ikke ser rekkevidden av. Flertallet i komiteen har kommet til en god beslutning og bekrefter et viktig prinsipp som vi i Høyre setter pris på: Det er grenser for politikk! Noe tilhører privatlivet og er den enkeltes

kan være en form for markering av en posisjon i nettopp dagsaktuelle debatter om innvandring, om inkludering, om religioners plass i et samfunn som fortsatt opererer med en tett kopling mellom staten og én av religionene våre, og en femte kan være at det er et uttrykk for undertrykking og tvang. På hvilket grunnlag og med hvilken begrunnelse skal en da ha et forbud? Hvis Fremskrittspartiet hadde vært et konsekvent kunnskapsparti, hadde de på en bedre dokumentert og mer etterrettelig måte presentert i representantforslaget sitt det som er introdusert slik: «Hijaben har en historikk som er viktig å kjenne til». De bruker to kilder. Den ene er Walid al-Kubaisi, som er ateist og en islamkritisk aktivist – en grei kilde, for all del, men en skal ikke ha orientert seg mye i denne debatten for å se at hans historiebeskrivelse er mildt sagt svært omdiskutert. Det er sikkert også derfor at forslagsstillerne får lagt inn en henvisning til Store norske leksikon i forslagsteksten sin, slik at det blir to kilder å vise til. Jeg er usikker på om det er lov å beskylde noen for sitatfusk i denne salen. Derfor velger jeg å uttrykke meg slik: Hvis dette hadde vært en tekst skrevet i en skolesammenheng eller i en universitetssammenheng, er jeg sikker på at eleven eller studenten ville blitt utfordret på hva det er Store norske leksikon her blir brukt som referanse til. Jeg skjønner det ikke. Eller: Jeg vet i det minste at presentasjonen av hijab i Store norske leksikon er en helt annen enn det som FrP-erne gjør i dette representantforslaget. I dette leksikonet står det bl.a. under «hijab» at «denne slørskikken er før-islamsk, men ble videreført i muslimske samfunn». Det er noe ganske annet enn det

nysgjerrighet og etter hvert argumentasjon for egne standpunkter i den hensikt å påvirke og endre, om det er det som er ønskelig. Hvis Fremskrittspartiet hadde vært et parti som konsekvent tok parti for jenter og kvinner som blir undertrykte i samfunnet, hadde de tilsvarende slått resolutt til overfor alle plagg og påkledninger som kommer som et resultat av f.eks. samfunnets motbydelige sex- og Jeg har derimot virkelig til gode å se at FrP-ere engasjerer seg i denne debatten, som bl.a. preger kampdager som 8. mars. Det er ikke noe engasjement å se fra Fremskrittspartiet her, i hvert fall ikke noen forbudsdiskusjon. Hvorfor er dere i Fremskrittspartiet så selektive med hensyn til hva slags plagg og hvilken religion som tydeligvis plager dere? Hvis Fremskrittspartiet hadde vært et parti som prinsipielt var imot religiøse symboler, plagg og markeringer i skolen, hadde jo partiet måttet forby kors, måttet slå ned mot Smiths Venner-skolejenter som går med skjørt, eller på andre som bruker andre religiøse plagg, som turban. Dette hijabkorstoget er for meg helt tydelig et uttrykk for Fremskrittspartiets maniske redsel, ikke for andre religioner, men for islam. Det er vanskelig å se det på noen annen måte. Det er ikke en kamp mot kvinneundertrykking, og ikke en kamp mot religiøs tvang i seg sjøl, men det er en kamp nettopp mot en bestemt religion og et bestemt klesplagg. Som SV-er er det naturlig for meg å godta hijab, ikke bare i skolen, men også i politiet, i domstolene, i Forsvaret, i kassa på Samvirkelaget, på Stortinget osv., nettopp fordi vi ikke kan forby alt vi ikke forstår og alt vi misliker. Det får vi ta i åpne, demokratiske debatter i samfunnet vårt, og ikke angripe det på den måten som Fremskrittspartiet nå gjør. Hvis Fremskrittspartiet oppriktig er opptatt av trakassering av jenter, så anbefaler jeg at dere legger inn på PC-en deres hjemmesiden til den organisasjonen som allerede har vært nevnt, Muslimske Akademikerkvinner. Da vil dere få en bedre innsikt i hva dette saksfeltet dreier seg om. Presidenten minner om at saksfeltet dreier seg om. Presidenten minner om at all tale skal skje gjennom presidenten, og ikke direkte ved henvendelse til enkeltrepresentanter eller partier. Stortinget har igjen til behandling en sak fra Fremskrittspartiet om å forby hijab i skolen. Etter det

Det viser enten at en har tro på at bare en gjentar en sak mange nok ganger, får en gjennomslag for det, eller at en mener at bruk av hijab i skolen nå er blitt et voldsomt stort problem i norsk skole eller i samfunnet. Spørsmålet er altså: Er bruk av hijab et stort problem i norsk skole eller samfunn? Er det en økning i antall jenter som en mener tvangsikles hijab? Er forbud rett svar på det?

kulturelt, emosjonelt eller religiøst basert – så lenge det ikke er til hinder for undervisningen. Hijab, eller skaut, er, så vidt jeg kan skjønne, ikke særlig til hinder. Skolen skal være et sted for alle. Skolen skal lære barna om likeverd, forståelse og respekt for menneskets egenverdi. Det er altså hva en har i hodet og hjertet som betyr noe, ikke det en har Det er altså hva en har i hodet og hjertet som betyr noe, ikke det en har oppå. Å forby bruk av hijab er derimot en sterk inngripen i enkeltmenneskers frihet. Ønsker vi en statlig inngripen i menneskers rett til å iføre seg et skaut? Niqab og burka kan jeg forstå, fordi det dekker ansiktet og kroppen og gjør det vanskelig å identifisere deg. Men jeg mener at å bruke krefter på å forby bruk av hijab i skolen er feil vei å gå, dersom en ikke ønsker at små jenter ikke skal bruke hijab. Hva da med sikhenes turban og jødenes kalott, som er nevnt tidligere. Jeg tror det er bedre at en i arbeidet med integrering har respekt for andre menneskers levemåte, tradisjoner, kultur og religion. Det betyr ikke at vi må like alt, men det er viktig at vi er oss bevisst vår rolle. Det bør være viktigere for oss å fokusere på å lære ungene opp til bevisst, kritisk og sjølstendig tenkning om hvorfor vi gjør det vi gjør,

Privatskoleloven åpner for religiøse skoler. At muslimske jenter skal kunne velge å gå på egne muslimske skoler for å ha rett til å bære hodeplagget hijab, vil være et tilbakeslag for inkluderings- og integreringspolitikken. Et slikt forbud vil utvilsomt bidra til å legge press på en slik utvikling. Det ønsker vi ikke. Vi mener derfor det er bedre å jobbe for likestilling

mellom små jenter og små gutter. Vi misliker utviklingen når muslimske jenter utsettes for sterkt press til å bære hijab som bevis på at de er «anstendige jenter». At staten skulle forby enkelte klesplagg er imidlertid ikke en utvikling vi kan støtte. Det er forskjell på det man ikke liker, og det man vil forby. Et forbud bryter mot både ytringsfrihet, religionsfrihet og foreldres rettigheter til å oppdra sine barn i tråd med egne verdier og egen tro.» Samfunnet er blitt mye mer mangfoldig. Da jeg vokste opp, var hijab et veldig sjeldent syn. Man så det av og til på noen misjonærers lysbilder, men i dag er dette blitt mye mer vanlig i bybildet. I Drammens Tidende 6. januar 2011 kan vi lese at dagens barn kanskje har et helt annet syn på hijab enn det vi har. Vi ser en hijab med en jente i, men elevene på Marienlyst skole ser Marha Sjamsajeva med hijab. Det som kanskje jeg synes er mest krevende med Fremskrittspartiets argumentasjon, er at de lettvint slår fast at hijab ikke er et religiøst symbol. Det ligger ikke til andre enn religionens mennesker selv å vurdere hva slags betydning et symbol har. Komiteens medlemmer mottok en lang mail fra Muslimske Akademikerkvinner som grundig begrunner hvor kunnskapsløs og feilaktig Fremskrittspartiet historieskriving og avskriving av hijab som et religiøst symbol er. Elevene på Marienlyst skole har også et annet syn i artikkelen i Drammens Tidende: «Det er jo religion, sier de nærmest i Så lenge noen mener at dette er et religiøst symbol, kan ikke et flertall frata dem retten til å mene dette. Skulle man ha laget et slikt forbud, må Fremskrittspartiet i hvert fall likebehandle religioner. Hva med andre plagg – jødisk kippah eller ortodokse jøders krøller, jenter med langt hår og skjørt, store kors og davidsstjerne? Det skal ikke være prangende religiøse symboler, har Fremskrittspartiet prøvd seg på før. I dag følte jeg behovet for å ta på meg noe som kanskje kan beskrives som et prangende religiøst symbol. Ville dette korset vært lov å bære? Det må sannelig være lov å bruke hodet – også til religiøse plagg. plagg. I menneskerettslovens artikkel 9 sies det at enhver har rett til «enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.» I det andre leddet, som representanten Ljunggren siterte godt, handler det om at min begrensning er begrenset av nestens rett Og som Kristin Walstad spør i en kronikk i Vårt Land 20. desember 2010: «På hvilken måte mener Frp jenter som bærer hijab truer den andres religiøsitet eller sekularitet i Norge i dag? Og hvilken lov mener dere å ha hjemmel i når dere fremfører et slikt forslag?» Et slikt forbud kan også skape polarisering i det norske samfunnet, som Dagsavisen skriver i sin leder 7. desember 2010:

Når Fremskrittspartiet tvinger samfunnets aktører til å delta på den prinsipielle siden i debatten for å forsvare en rett til å bære et religiøst plagg, kan det være at det sendes et signal om at det er forventet fra oss og ønskelig at alle muslimske jenter skal bære hijab. Derfor vil jeg understreke at jeg liker ikke hijab. Som kristen er jeg klar på at hijab ikke er et plagg som uttrykker min religiøsitet. Jeg ser hijaben og hindringene den kan skape, men jeg ønsker å se jenta. Men vi kan ikke forby alt vi ikke liker. Feministen i meg ønsker jo egentlig ikke å være prinsipiell. Derfor hadde det vært mye viktigere at denne debatten hadde handlet om at vi vil stå opp og forsvare den jenta som velger å la være å bruke hijab til å uttrykke sin religiøsitet. Denne saken er religiøsitet. Denne saken er grundig belyst gjennom debatten. Uenigheten går veldig klart mellom Fremskrittspartiet på den ene siden og alle andre i Stortinget på den andre siden. Men hvis vi skulle prøve å sortere litt i argumentene, vil jeg si at det egentlig dreier seg om tre ting. Det ene er: Er det mulig

har brukt fantasien med hensyn til hva slags type episoder som da kunne ha oppstått. I Norge er det skoleplikt. Det er plikt for alle barn til å gå på skolen. Hvis man både skulle ha en plikt til å gå på skolen og samtidig et forbud mot å bruke sine egne religiøse plagg, betyr jo det at det må stå noen ved inngangen til skolegården og ta hijab av småjenter. Det er helt utenkelig i mine øyne. Det siste er jo: Er det ønskelig at små barn skal gå med hijab? Det synes jeg er en mye viktigere og mer nyansert debatt. Etter mine observasjoner er bruk av hijab blant barn noe som er omdiskutert blant muslimer – et fenomen som er i ferd med å ta seg opp, som er mer vanlig i vestlige land enn i muslimske land, og jeg tror det i stor grad handler om et ønske om å ha kontroll på de små jentenes utvikling fra et tidlig stadium. Små jenter kan ofte ønske å ikle seg drakter som mødrene deres går med. Det gjelder sikkert for muslimske jenter og hijab, akkurat som det gjelder for alle jenter og høyhælte sko, leppestift eller hva det måtte være. Det er en litt annen sak. Det jeg mener dette dreier seg om, er det

kommunisere at det vi ønsker i det norske samfunnet, er at barn og ungdom skal få best mulig grunnlag til å ta sine egne valg når de blir modne til det. Med det utgangspunktet tror jeg det er viktig at skolene diskuterer dette og andre fenomener på en respektfull måte, som gjør at det er mulig å komme i dialog med ulike miljøer. For det man veldig fort oppnår i denne typen debatter, er at de foreldrene som har barn som bruker hijab, føler at de ikke blir respektert og trekker seg enda mer unna, og at man ikke oppnår å få til de diskusjonene som faktisk er ganske viktige. Jeg mener det er to helt forskjellige ting å diskutere hijab på små barn og å diskutere hijab på voksne kvinner. Jeg kjenner mange flotte, sterke, meget bevisste, feministiske kvinner som bruker hijab, som har valgt det helt på egen kjøl, og som ikke føler at det har noe med noe de er pålagt eller som er forventet av dem å gjøre, eller at det handler om undertrykking. Slik det formidles til meg, handler det dels om å få respekt for en religion, det handler dels om å vise selvbevissthet og trygghet som muslimsk kvinne, og det handler om å vise et ståsted. Jeg vet ikke om dere observerer ungdomskulturer slik jeg gjør selv – og morer meg med – men det er altså også sånn at man kan se unge jenter med hijab, men som for øvrig er ganske utfordrende kledd. Sånn at jeg tror at vi skal være litt forsiktige med å sette alle observasjoner i samme bås i denne debatten.
Det blir replikkordskifte avgrenset til Tord Lien, hadde jeg nær sagt – avgrenset til 3 replikker. Første inntegnede er Tord Lien.
mange, sikkert både barn og voksne, som går med hijab fullt og helt av egen fri vilje. Det vi diskuterer i dag, er jo at det er et betydelig, men dog ukjent antall, som ikke gjør det. Da er det sånn at komitéflertallet – jeg synes at statsråden holdt et reflektert og godt innlegg selv om hun konkluderte feil, eller men dog ukjent antall, som ikke gjør det. Da er det sånn at komitéflertallet – jeg synes at statsråden holdt et reflektert og godt innlegg selv om hun konkluderte feil, eller annerledes enn jeg gjør – har hatt en litt tøffere tone i dag, og de sier i sin innstilling at dette må skolene løse lokalt. Da lurer jeg på om statsråden mener at det er hjemmel i menneskerettighetene og i norsk lov for at kommunene statsrådens innlegg, ikke er mulig å gjennomføre et sånt forbud heller på lokalt nivå. Jeg leser ikke merknaden fra komitéflertallet på samme måte som Tord Lien gjør, for jeg opplever ikke at flertallet ber om at det skal innføres Det som er klart etter norsk lov, er at niqab eller burka – altså tildekking av ansiktet som vanskeliggjør en undervisningssituasjon, og som kan vanskeliggjøre en eksamenssituasjon f.eks. – kan forbys i de lokale regelverk av den enkelte skoleeier. Men hijab er det ikke noen hjemmel i loven for å forby. Jeg leser komitéflertallet dit at de er helt enige med meg, nemlig at dette er spørsmål som man i tilfelle må ta opp til diskusjon med foreldregrupper, med lærere og med barn. Men det avgjørende viktige er at ikke andre barn også føler at de er under press, eller at andre foreldre føler at de er under press. Jeg har opplevd å få henvendelser fra andre foreldre som sier de synes det er et press for at deres barn skal gå med hijab. Da er det selvsagt en sak for skolen. Da

som blir presset til det. Er det sånn at det er nåværende statsråd, daværende stortingsrepresentant Ola Borten Moe som har rett – skal vi vente til dette blir et stort samfunnsproblem før vi tar nødvendige grep, noe som helt åpenbart er legitimt så lenge det gjøres i denne sal, og ikke er legitimt i henhold til verken loven eller menneskerettighetene dersom det gjøres ved den enkelte skole?

barna sine hijab, lukker seg enda mer inne, og at friheten for disse jentene bare blir enda lenger unna. Replikkordskiftet er over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Men retten til religionsutøving stoppar når han krenkjer min religion. At muslimar vil bruke hijab, truar på ingen måte min religionsfridom. Å forby hijab for born i skulen er derimot ei krenking av individets rett til å utøve si tru, og det er eit brot på Eg vil råde Framstegspartiet sterkt til å setje seg inn i kva hijab har stått for i historisk samanheng, og kva han står for i dag. Historia om slør for kvinner går tilbake til assyrisk tid, altså meir enn 3 500 år. Gradvis vart dette inkorporert i jødedommen, i kristendommen og til slutt i islam. Som representanten Aksel Hagen var innom, står hijab i dag for mange ting. Eg kan leggje til denne lista at han står både for frigjering og for motstand. Han står for identitet, men òg for fromheit. Då Framstegspartiet sitt framlegg dukka opp, og spesielt argumentasjonen rundt forbodet, slo det meg at dette har me høyrt før. dette har me høyrt før. Dette er veldig likt kva engelskmennene og franskmennene sa som koloniherrar då dei ville «frigjere» kvinnene frå det dei meinte var eit slaveliknande tilvere. Eit eventuelt forbod i skulen vil skape ein unødvendig konfliktsituasjon for borna. Ser ikkje forslagsstillarane at mange born vil kunne oppleve å måtte bryte lojaliteten til familien for å kunne gå på skulen? Kva Kva for tilknyting vil dei då ha til den norske fellesskulen som byggjer nettopp på toleranse, på mangfald og på inkludering? For meg er det ikkje spørsmålet om forbod eller ei som er det viktigaste, men at skulen fremjar forståing for religionsfridom og for toleranse i forhold til andre religionar. Berre viss elevane får kunnskap om andre religionar, kan dei utøve den lovfesta retten alle har

Da mener flertallet at det er riktigere å håndtere dette individuelt når det gjelder de jentene som opplever den tvangen, det presset, enn å forby det generelt. Det betyr også at hvis man på en skole opplever at det utvikler seg en kultur for at jenter opplever dette presset, eller en sosial forventning, kan man involvere FAU, man kan ha diskusjoner omkring dette, og man kan regulere bruken av plagg på skolen generelt.

Dommen handler om tre kvinner som i 1995 oppsøkte et apotek i Frankrike for å kjøpe reseptbelagte prevensjonsmidler. De ble møtt av Bruno Pichon og Marie-Line Sajous som eide og drev apoteket. Disse to nektet å selge midlene med den begrunnelse at det var mot deres religiøse overbevisning. EMD påpeker i sin vurdering at artikkel 9 primært handler om personlig overbevisning og individuell samvittighet samt at det beskytter handlinger som er nært koblet til den type spørsmål som «acts of worship of devotion forming part of the practice of a religion or a belief in a generally accepted form». At bruk av hijab generelt er å regne som religiøs praksis, er dekket av artikkel 9 sitt virkeområde. Det har Justisdepartementet påpekt i sin gjennomgang av EMDs etablerte rettspraksis. Så står dette sitatet i dommen som Fremskrittspartiet skyver foran seg:

Det juridiske grunnlaget for dette resonnementet fra Fremskrittspartiet er med andre ord så infantilt at til og med en jusstudent på første avdeling ville ha ledd hele veien til lesesalen hvis han hadde blitt eksponert for dette. Det var interessant og innsiktsfullt. Jeg kan jo berolige representanten Hadia Tajik med at det sitatet som

med stor suksess ble bestått. Når vi så først er inne på jus, synes jeg det er litt morsomt med den rørende omsorgen regjeringspartiene til enhver tid har for Lovavdelingen i Justisdepartementet som tar feil hver eneste gang vi diskuterer noe i denne salen. Jeg nevner hjemfallsretten og klimakvoteloven. Det er de fem sakene jeg kommer på. De har det til felles at flertallet i denne sal, som Fremskrittspartiet alltid har vært en del av, har hatt rett – juridisk avdeling har tatt feil. Så kan selvfølgelig regjeringspartiene fortsette å ha tillit til dem. Jeg må innrømme at jeg synes det er greit også å lytte til andre jurister enn regjeringens egne jurister. Men når denne debatten forhåpentligvis nå går inn for landing, vil jeg si at jeg synes det har vært sagt mye selvmotsigende her i dag. Jeg må innrømme at jeg synes at statsråden var den som var nærmest til å levere et relevant innlegg, som jeg også sa i min replikk, selv om konklusjonen var noe annerledes enn det jeg hadde håpet på. Det var i hvert fall et innlegg som var relevant for den debatten. Det er klart at dette bærer preg av å være både en juridisk debatt og en prinsipiell debatt. Jeg synes for så vidt representanten Dagrun Eriksen var inne på noe viktig. Vi må som samfunn stå opp for alle individer i samfunnet som ønsker å gjøre noe annet enn det det sosiale presset ønsker de skal gjøre. Jeg mener at det er det Fremskrittspartiet prøver å legge til rette for i dag. Jeg noterer meg at samtlige partier, utenom oss, er uenig i det. Det hadde jeg for så vidt hatt stor respekt for, hadde man kommet med en annen løsning. Jeg opplever altså at flertallet sier at vi har et stort problem, som ennå riktignok, ifølge Ola Borten Moe, ikke har blitt et stort samfunnsproblem, men som er en tendens vi ikke liker, og som vi ikke har interesse av eller vilje til å gjøre noe med. Det har blitt et stort samfunnsproblem, men som er en tendens vi ikke liker, og som vi ikke har interesse av eller vilje til å gjøre noe med. Det er trist, men jeg håper at flertallet kommer tilbake med noen tiltak ved en senere anledning. Hvis ikke kan jeg jo love dem som har vært bekymret for at dette ligner veldig mye på et forslag Fremskrittspartiet har fremmet tidligere, at vi kommer til å holde denne debatten varm. Så får vi håpe at det slipper å
Presidenten vil for ordens skyld minne om at Lovavdelingen nok har en noe lengre historie enn representanten Liens hukommelse – uten dermed å gå inn på de enkelte saker! Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og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

Forslaget er interessant, og det går rett inn i en debatt som engasjerer mange av oss, som har foregått lenge, og som vi nok aldri blir ferdig med. Mobbing – om enn et litt nymotens ord, vi har kanskje brukt andre begrep tidligere – er noe som har foregått nærmest til alle tider i skolen og i samfunnet. Det er vondt for den som blir utsatt for det. Det er trist og meningsløst for den som gjør det, og det er destruktivt både for de skolemiljøer og samfunnsmiljøer som plages med det. Vi har hatt debatter med mobbing som tema mange ganger før i komité og i stortingsplenum, og vi vet at vi vil få flere framover i denne sesjonen og i denne stortingsperioden. Noe av utfordringa for komiteen i dette innstillingsarbeidet har derfor vært å bli enige med oss sjøl om hva som er hensiktsmessig avgrensing gitt utgangsspørsmålet: Bør det være et mobbeombud i hvert fylke? Innstillinga bærer preg av at de uliker partier har løst dette på noe ulik måte etter at komiteen først samlet understreker at mobbing i skolen utgjør et betydelig problem. Det er alvorlig når elever opplever at de ikke blir tatt på alvor, eller at skolen ikke griper inn når mobbing blir kjent for skolen.

De rød-grønne partiene har derfor i denne innstillinga i stor grad nøyd seg med å signalisere at vi vil avvente den utredninga av virkemidler mot mobbing som Kunnskapsdepartementet bestilte fra Universitetet i Oslo for en del tid tilbake, som visstnok kommer til å bli levert før sommeren, og der de nettopp skal se på ombudsproblematikken – bl.a. på behovet for ombud og eventuelt hva slags oppgaver som skal tilligge et slikt ombud, ombud, med en grenseoppgang mot fylkesmannen og andre organer som Barneombudet og de fylkeskommunale elev- og lærlingombudene. De har også blitt bedt om å se på om et eventuelt ombud skal ivareta elevers rettssikkerhet generelt, eller om ombudet utelukkende skal konsentrere seg om mobbing. I tilfelle vi skal ha på plass et slikt ombud: Hvordan skal det organiseres? Og det er, som sagt, viktig å se på

ber regjeringen legge frem en sak for Stortinget der det innføres ulike sanksjonsmuligheter overfor skoleeiere som bryter forvaltningslovens bestemmelser knyttet til enkeltvedtak, og klageadgang i saker som omhandler mobbing.» Som punkt 2 ønsker Fremskrittspartiet at regjeringa vurderer oppretting av et elevombud for grunnskolen, og at det blir lagt under Barneombudet. Kristelig Folkeparti foreslo i komitéarbeidet det som er spørsmålet her,

noen klare, konkrete handlinger. Da har jeg lagt fram komiteens tilråding og forslag til vedtak på denne måten, og jeg regner med at eventuelt andre forslag vil komme i løpet av debatten. La oss få en god debatt i denne saken også. Nok en gang diskuterer vi i Stortinget mobbing, som er

skolehverdag hvor de er preget av trakassering, uro, en følelse av at personer er ute etter dem, og andre varianter av det. Denne gangen har vi som tema et forslag om mobbeombud i alle fylker, som Kristelig Folkeparti har presentert. Jeg opplever at det er bred enighet i Stortinget om å bekjempe mobbing, og det er et viktig og tydelig signal fra Stortinget som lovgiver at vi vil bekjempe mobbing. Jeg tror det er bra at vi har debatten ganske ofte, for til tross for våre vedtak og til tross for våre diskusjoner er ikke problemet løst. Vi må bekjempe mobbing på mange måter. Arbeiderpartiet vil bruke mye tid på å forebygge mobbing. Vi vil gripe resolutt inn når det skjer, og det må skje gjennom god kontakt mellom skole og hjem. Vi må bevisstgjøre foreldreansvaret, og til sist må vi sørge for at skoleeier og -ledelse blir stilt til ansvar hvis det viser seg at barn har blitt plaget lenge, og at skolen har visst om det uten at noe er blitt gjort. Jeg opplever at det er den type oppgave Kristelig Folkeparti muligens har i tankene når de foreslår dette med Denne saken handler også om å bruke mobbeombud som et virkemiddel når foreldre og barn opplever at de ikke blir tatt på alvor, når de opplever at den eneste måten å løse problemet på blir å bytte skole, og når de ikke føler at de blir hørt. Jeg har aldri sett tall på hvor mange barn som bytter skole i Norge med den begrunnelse at de blir plaget, men jeg er redd det er mørketall på det. Jeg tror også en del barn faktisk begynner i private skoler ut fra den begrunnelse. Det er veldig trist at barn som egentlig ønsker å gå i nærskolen, må ty til det å bytte skole. Derfor er det behov for å finne ut av dette for å se hvor stort problemet er, noe så enkelt som hva som egentlig har skjedd, fordi det oppleves ulikt for forskjellige elever, for forskjellige familier og for lærerne. Da kan det være lurt å ha kompetente utenforstående. Hvem det skal være, hvordan det skal organiseres, og hva slags konkret oppgave dette skal være, er vi i Arbeiderpartiet usikre på på det nåværende tidspunkt, og vi er ikke klare til å konkludere. Derfor viser jeg til flertallsmerknaden som vi er med på, nemlig at det er nødvendig å styrke de mest utsatte elevenes rettssikkerhet, og at det er veldig bra at vi nå har gitt Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo i oppdrag å utrede de rettslige virkemidlene som vi bør forsterke i forhold til mobbing, og vurdere opprettelse av et elevombud. elevombud. Bare ved å gå nøye igjennom hva slags type oppgaver et sånt elevombud skal ha, kan vi klare å plassere et ombud der det bør være, og hvor det er mest mulig effektivt, slik at vi får løst flest mulig av de fastlåste mobbekonfliktene før det ender med skolebytte – som vi vet fort blir Det er vi ikke rede til å konkludere på nå. Derfor ønsker Arbeiderpartiet at forslaget vedlegges protokollen, slik saksordfører Aksel Hagen har gitt uttrykk for. Da må vi ta en ny runde på hvordan vi skal løse dette.

gjennom Bry deg-kampanjen bidrege til å fokusere på mobbing og det samfunnsproblemet som mobbing utgjer. Mange av dei sakene denne kampanjen har vist, har vore rå og brutale, og dei set spor i alle som les om dei. Det er på det grunnlaget grunn til å gi ros til alle dei som står fram med sine historier, og som såleis kan bidra til at fleire elevar slepp å oppleve det same som dei har vore

i dette landet grip inn tidleg nok og konsekvensane for dei som mobbar vert kraftige, ville truleg mobbeproblemet i norsk skule vore lettare å redusere. Haldningane til dei vaksne i skulen må i alle slike saker vere tydelege. Det er derfor viktig å understreke at både lærar og skuleleiing har ansvar for å følgje opplæringslova § 9 på ein tilstrekkeleg måte. Den siste tida har vi òg sett døme på at personar som arbeider i sentrale posisjonar i skulen, tilsynelatande tek for lett på skulen sitt ansvar for å leggje til rette for gode arbeidsmiljø, slik opplæringslova § 9a første og tredje ledd beskriv. Eg står fast på det eg har sagt også i media om denne typen saker, at lærarar og rektorar som over tid ikkje tek ansvaret på alvor, bør finne seg ein annan arbeidsplass enn skulen. Det er ikkje rom i norsk skule for lærarar og rektorar som ikkje tek mobbeproblematikken på alvor. Framstegspartiet har fleire gonger teke til orde for å tilsetje rektorar på åremål. Dersom det hadde vore praktisert i større grad enn i dag, kunne det ha bidrege til at ein i større grad kunne ha målt rektorane knytt til kampen mot mobbing. Det kunne fått direkte utslag for Det er eit effektivt og konkret tiltak ein kunne setje i verk for å bidra til å redusere mobbinga. Det er etter Framstegspartiet sitt syn også nødvendig å sikre eit elevombod i alle fylke, eit ombod som har ansvar for å ta vare på elevane sine rettar innan alle delar av opplæringslova. Det betyr at ein også vil få eit særskilt ansvar for å følgje opp mobbing på den enkelte skule. Vi meiner det er naturleg at eit elevombod for grunnskulen organisatorisk vert lagt under Barneombodet, men lokalisert i dei ulike fylka, slik også Kristeleg Folkeparti sin intensjon med forslaget er. Det er i tillegg svært viktig at det vert gitt sanksjonsmynde ved brot på opplæringslova, slik at det får direkte konsekvensar dersom skuleleiinga ikkje følgjer opp mobbesaker på ein tilfredsstillande måte. Det kan vere ulike sanksjonsmoglegheiter som er tilgjengelege, det er m.a. naturleg å vurdere å bøteleggje den enkelte skuleleiinga, eventuelt den enkelte kommune, dersom ein ikkje følgjer opp ansvaret ein har for å nedkjempe mobbing. Derfor ber Framstegspartiet om at eit slikt forslag vert vurdert og lagt fram for Stortinget. Det er også viktig at Stortinget i dag sender eit tydeleg signal til kommunar og fylkeskommunar om å syte for ein praksis som gjer at ein i tilfelle der elevar må flyttast som ein konsekvens av mobbing, tek parti for den som vert mobba, og flytter den som mobbar. Det må vi frå Stortingets side slå fast ein gong for alle, og det vil lette situasjonen for dei som opplever mobbing i skulen i dag. Det som er spesielt med denne saka, er at vi nok ein gong ser at regjeringspartia ikkje lyfter fram eit einaste forslag i denne saka for å nedkjempe mobbing i skulen. Ein fortset med å utgreie og utgreie, og mens ein utgreier, står mange elevar i norsk skule framleis i den same situasjonen og opplever mobbing. Denne regjeringa med fleirtal bør snart vise langt større handlekraft enn ho gjer i denne saka. Presidenten antar at representanten hadde til hensikt å

Det er sannsynligvis unødvendig å ha en politisk debatt også her i Stortinget om hvorvidt mobbing er et samfunnsproblem eller ikke. Det det kan være interessant å ha en politisk debatt om, er hvilke tiltak vi tror det kan være viktig å sette inn. En annen debatt som

og alvorlig plaging av medmennesker – i skolen medelever – som kan få store konsekvenser for dem som rammes. Det er den type mobbing som først og fremst må være i fokus. i fokus. Så må vi heller tåle at det i debatten om mobbing ofte brukes et generelt begrep som noen ganger har en tendens til å være litt for vidt. Men jeg vil understreke at det ikke skal oppfattes som jeg bagatelliserer den alvorlige delen av dette problemet. Det er mange saker der skolen pålegges et ansvar. Noen har sagt

nemlig undervisningen for elevene. Når det gjelder mobbeproblemet, er det kanskje også én av samfunnets dårlige samvittigheter. Men mobbing – for dem det rammer – går direkte inn på elevenes læringsmiljø, og derigjennom også læringsutbytte. Det har ingen hensikt å levere den beste undervisningen hvis noen elever på grunn av alvorlig og systematisk mobbing ikke er i stand til å ha glede av den undervisningen. Det betyr at mobbespørsmålet kanskje er en sak som står i en særklasse når det gjelder denne type saker, der man ofte tillegger skolen ansvaret. Så er det også viktig å

hvordan vi oppfører oss overfor medmennesker, og hvordan vi ser på andre mennesker. Hva er akseptabel oppførsel, og hva er det ikke? Her må det altså settes noen grenser, og i skoletiden og i skolemiljøet er det skolen som må gjøre det. Mange har sagt at dette er et lederansvar og peker i den sammenheng på lærere Det er vi i Høyre naturligvis enig i. Men la meg minne om at tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik tok et lederansvar da han satte mobbing på den nasjonale politiske dagsorden. Det ga resultater. Statistikken gikk riktig vei under Bondevik II-regjeringen, da dette temaet sto høyt oppe på den politiske dagsorden. Det har ikke hittil i samme grad stått på den politiske dagsordenen under den rød-grønne regjeringen, og derfor har vi også dessverre sett at statistikken har gått feil vei i de siste årene. Jeg skal i et senere innlegg komme tilbake til hvordan Høyre ser på de konkrete forslagene, og også på andre forslag som er kommet fram i debatten. Neste taler er Anne Wøien Tingelstad.

Mobbing er ikke et skoleproblem i seg sjøl. Mobbing er et samfunnsproblem, og det er ikke bare i skolen det utgjør et samfunnsproblem. Mye mobbing skjer andre steder enn i skolen – på skoleveien, på bussen, på nettet og på arbeidsplassen. Ingen barn er født mobbere. Det er lært. Barn lærer å mobbe når de blir deltakere i samfunnet i en sosial sammenheng. Det kan være ulike faktorer som gjør at du ender opp som en mobber, eller som et mobbeoffer. Men det kan vi komme tilbake til i en senere diskusjon. I dag skal vi diskutere konkret om vi skal ha et eget mobbeombud i alle fylker eller ei. På God praksis-konferansen arrangert av Kunnskapsdepartementet for noen uker siden tok representanten for foreldrene, Kristin Oudmayer, til orde for at det var viktig å bli trodd når Et mobbeombud ville hatt som hovedoppgave å tro på dem som kommer med sine saker, og hjelpe dem som henvender seg, videre. Senterpartiet er opptatt av å løse saker på lavest mulig nivå. Det er mulig vi har en overdreven tillit til nærmiljøet, men jeg mener det mora sa, er det aller viktigste: å bli trodd. Hvem skal tro på deg? Jo, læreren er den mest naturlige å henvende seg til, eller assistenten eller rektor på skolen. Skal en ha tillit til de lokale og nærmeste til å bry seg, er det åpenbart at skolene må ha en gjennomgående forståelse, enighet og kultur for hva de skal foreta seg dersom noen føler seg mobbet. Handlingsplaner er nødvendig på hver enkelt skole. Etter vår mening kan også konfliktråd være organer som kan være behjelpelige i mobbesaker. Er det kultur for en lav terskel for å si fra, mener vi at et konfliktråd kan rydde opp i enkeltsaker. Nesten alle fylkeskommuner har i dag et eget elevombud. Et elevombud skal hjelpe den enkelte elev med det en trenger av hjelp til utfordringer en måtte støte på som elev eller lærling. I all hovedsak vil jeg si at dagens elev- og lærlingombud retter seg mot elever i den videregående skolen. Det er kanskje en svakhet ved dagens ordning. Etter Senterpartiets syn bør de fylkesvise elev- og lærlingombudene også være behjelpelige i mobbesaker som knytter seg til elever i andre skoleslag, som f.eks. i grunnskolen. Foreldre må vite at det er en egen person de kan henvende seg til dersom de ikke får den hjelpen de føler de trenger i kommunen eller i skolen de hører til. I utgangspunktet ønsker vi alle at det ikke skal være bruk for et sentralt mobbeombud. Likevel er vi åpne for å vurdere en slik stilling. Vi heller imidlertid til at et mobbeombud kanskje bør være en del av Barneombudets oppgave. Når en kommer så langt at en trenger hjelp fra et sentralt mobbeombud, handler det antakelig bl.a. om rettshjelp og bistand.

Deres funn viser at om lag 10 pst. av barn og unge i norske skoler blir utsatt for mobbing to–tre ganger i måneden eller oftere. Mobbing kan settes i sammenheng med en rekke helseplager. Det er sterke historier som kommer fram når folk først tør å fortelle hva de har opplevd. Mange føler det veldig stigmatiserende å fortelle sine historier, fordi det er mye skam og misforstått skyldfølelse i historiene om mobbing. I boken til Kristin Oudmayer, «Fordi jeg fortjener det? En bok om mobbing, håp og ansvar», forteller noen sine historier for første gang, og det er sterk lesing. I en av historiene slås det fast at et barn som overlever mobbing, ikke er et offer – barnet er en overlever. Dette viser etter Kristelig Folkepartis mening at kampen mot mobbing må føres hele tiden. Det nytter ikke med hvileskjær i denne kampen. I 2002 startet Bondevik II-regjeringen Manifest mot mobbing og lanserte sin nullvisjon. Både kong Harald og statsminister Bondevik holdt nyttårstaler om mobbing, og skoler ble tilbudt antimobbeprogrammer med dokumentert effekt. Det var mange som var uenige i det å lansere en nullvisjon, fordi de mente det var urealistisk. Men det sterke fokuset og de ambisiøse målene ga resultater. Mens mobbingen økte med gjennomsnittlig 10 pst. per år i perioden 1995–2001, var mobbingen i 2004 redusert med 30 pst. Det betyr at det går an å redusere mobbingen i skolen. Under Stoltenbergs regjeringsperiode ser vi at tallene igjen har gått opp og har holdt seg stabilt på et altfor høyt nivå. Mobbesaker er kompliserte og følelsesladet, og det er krevende for involverte parter å løse situasjonen. Når foreldre opplever at de i møtet med skolen ikke blir tatt på alvor, er det veldig viktig å ha et sted å henvende seg til og få hjelp. Derfor mener Kristelig Folkeparti at det må innføres et mobbeombud i hvert fylke. Det vil være et sted hvor det er lett for foreldre å henvende seg på et tidlig tidspunkt for å få hjelp til hvordan det skal bli slutt på mobbingen. Et slikt ombud vil også kunne ha en pådriverrolle overfor skolene, slik at det kontinuerlig jobbes mot mobbing på skolene. Et slikt ombud vil også kunne være et sted hvor lærere kan få råd om hvordan man skal ta tak i mobbing når det oppstår. Det bør også vurderes å gi mobbeombudet sanksjonsmuligheter, sånn som de har i Sverige, og mulighet til å føre saker i rettsapparatet for mennesker som har fått ødelagt sin

i skolen og en etikk i samhandling mellom elevene. Jeg utfordrer statsråden til å sørge for at formålsparagrafen blir brukt mye mer aktivt i arbeidet mot mobbing i skolen. Der står det bl.a.: «Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.» Litt lenger nede står det: «Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding.» Formålsparagrafen inneholder mange elementer som gir sterke oppdrag til skolen om å ta tak i

I boka til Kristin Oudmayer er det en mobbeoverlever som sier: «I dag har jeg det bra. I dag har jeg det topp! I dag har jeg en selvsikkerhet av sement, fundert på alle de gangene jeg klarte å reise meg igjen etter at noen hadde tråkket meg ned. I dag har jeg tilgitt alt, møter fortidens mobbere med et gjensidig smil – det er glemt. Jeg er takknemlig. Mitt eneste problem ligger hos lærerne. Som ikke gjorde noe. Som passerte meg som om jeg var luft da jeg tryglet om hjelp.» Presidenten har vel oppfattet at representanten Dagrun Eriksen har tatt opp det forslaget hun refererte til. Jeg gjorde det ikke helt på slutten, men før. Ja, underveis i innlegget.
På mandag satt jeg på flyet til Ottawa, og etter å ha snakket med min sidevenninne en stund på mitt begrensede engelsk, innså hun plutselig at jeg var fra Norge, og hun begynte å snakke norsk. Hun fortalte at hun hadde blitt mobbet gjennom hele skoletida. Da hun var ti år, bestemte hun seg for at hun aldri skulle bo i Norge. Det var et i Norge. Det var et land som var så vondt at hun ikke kunne bo der. Og hun drømte om den dagen hun ble 18 og kunne flytte fra Norge. Hun emigrerte til Canada og driver nå en stor bedrift der. Da tenker jeg: Hvilket talent gikk ikke Norge glipp av! Så spurte jeg: Kunne noen gjort noe? Jo, foreldrene hadde én gang prøvd å men da hadde alt blitt mye verre. Da tenker jeg: Åtte år fra du bestemmer deg for at her skal du ikke bo, til du flytter – i de åtte årene var det mange som ikke gjorde noe, det var mange som ikke så. Jeg mener at hovedansvaret for at barn plager hverandre, fortsatt ligger hos voksne – voksne som ikke ser, voksne som ikke gjør noe, voksne som formidler holdninger som gjør mobbingen mulig. Det beste midlet vi har for å bekjempe mobbing, er å gi skolen lærere som er trygge, gode ledere i et klasserom, som tør å gå inn i alle de vanskelige tingene, og som ikke lar være å se fordi det er mest behagelig. Jeg vil ha lærere som det er respekt rundt, som har respekt både i klasserommet sitt, og også på skolen. Det i klasserommet sitt, og også på skolen. Det er det beste vi kan gjøre for å bekjempe mobbing. Men så ser vi mange eksempler der konflikten blir stor, der lærer opptrer som mobber, der rektor blir mer opptatt av å beskytte sin egen lærer enn av å beskytte sine egne elever. Vi ser så mange eksempler på det, at noe må gjøres. gjøres. Derfor bør det være noen utenfor skolen som elever kan gå til, og som foreldre kan gå til for å få rettleiing i hvordan de skal gå fram for å få løst slike episoder, slike konflikter og slike situasjoner som elever blir satt i. Jeg tror at elevombudet kan gjøre det. Jeg tror også at barneombudet kan gjøre det. det. Jeg tror også at barneombudet kan gjøre det. Jeg tror det er viktig at vi ikke lager nye instanser for alle problemer vi har, for da får vi mange instanser. Så må jeg holde en tale som jeg har holdt mange ganger fra denne talerstol: Jeg syns ikke vi skal være lemfeldige med ordet «ombud». For det er vi som er ombud. Det er vi som er folkevalgte, som er ombud. Derfor har Venstre ikke gått inn for Kristelig Folkepartis forslag. For vi syns at ombudstittelen skal ombudstittelen skal være knyttet til de folkevalgte. Men så er jeg åpen for at barn, som ikke har stemmerett, skal ha rett til sine egne ombud. Vi skal imidlertid være veldig restriktive med ombudstittelen og hvor mange ombud vi skal opprette i vårt samfunn. Den funksjonen som Kristelig Folkeparti etterlyser, det at vi lager en sånn type funksjon, støtter Venstre veldig. Men hvor vi legger den, om vi legger den i allerede opprettede institusjoner eller om vi oppretter noe nytt, det syns jeg regjeringa kan komme tilbake til. Vi skal være veldig restriktive med å tro at det å opprette ombud gjør at vi blir fratatt ansvar. Jeg føler at noen av de områdene der vi i dag

Så tittelen ombud er knyttet til det å være folkevalgt. Det er et ansvar, men det er også en hederstittel som vi skal være sparsommelig med å dele ut til andre. Jeg er

Det er ingen tvil om at det initiativet som ble tatt i 2002 av den forrige statsministeren, Kjell Magne Bondevik, var avgjørende viktig for å få saken skikkelig opp på dagsordenen igjen, i hvert fall viste noen undersøkelser en nedgang. Men det er for stabile mobbetall over tid – ikke noen økning de siste årene, likevel sånn at selv om vi har hatt en omfattende innsats, sier ett av 20 barn at de opplever mobbing hver uke. Og vi vet alle at hvis dette er noe som varer en uke eller to, hvis voksne griper inn, det tas affære, mobberen stoppes, situasjonen for den som blir mobbet, løser seg, så er det en ubehagelig episode som ikke preger et helt liv. Men hvis det varer i årevis, er dette noe både den som blir mobbet, og den som mobber, kan slite med resten av livet. For mobberen får aksept for en oppførsel – tror man – som man egentlig aldri kan slippe unna med senere i livet. Vi ser jo også at de som mobber, er overrepresentert på triste statistikker. Så det å stoppe mobbing er bare en vinn-vinn-situasjon. Vi har

for å sjekke konkrete skoler, og for å lære av det. Og alle avvik må lukkes – man gir seg ikke før alle feil er rettet opp. Læringsmiljøperspektivet er styrket i lærerutdanningen gjennom PEL-faget. Læringsmiljø er et av hovedområdene i den nye rektorutdanningen. Etterutdanningstilbudet i klasseledelse fra 2011 vil ha stor betydning for lærerens autoritet og tilliten mellom lærer og elev, og være operativt på det. Vi har gjennomført et nytt manifest mot mobbing, der vi nå ønsker at det lokale nivået skal delta og forplikte seg til manifestet. Per i dag har ¼ av kommunene i Norge skrevet seg på – 111 ved siste opptelling som jeg så. Det har vært kraftig økende, så nå gjelder det å få alle til å være med på å forplikte seg på det lokale arbeidet. I tillegg er det laget en veileder fra Utdanningsdirektoratet, som er en meget oversiktlig liten sak som går til alle voksne som jobber i skolen – alle lærere, rektorer, assistenter, renholdere, vaktmestere – om hvordan man skal gå fram hvis man oppdager

mobbeproblematikken, og det andre er om det er behov for å opprette en ombudsfunksjon. Vi får vurderinger fra Universitetet i Oslo før sommeren. Det dreier seg også om hva slags type oppgaver et ombud vil kunne ha – det kan f.eks. være å gi råd og veiledning til elever og foreldre i alvorlige mobbesaker. Et annet alternativ er

Det var flere mobbesaker der enn det som generelt er tilfellet – saker som involverte elever og foreldre. Foreldre sier at det er veldig vanskelig å nå fram overfor skoler og kommuner i den type saker, så jeg tror det primære behovet er et sted hvor foreldre og elever kan henvende seg for å få hjelp når de møter veggen. Det blir replikkordskifte.

som bidreg til å hindre mobbing. Kristin Halvorsens regjeringsparti går ikkje inn for nokon av dei forslaga som opposisjonen fremjer i dag. I den same artikkelen er det i tillegg fleire forslag frå eit ekspertpanel om konkrete tiltak, der ein bl.a. seier at det må få konsekvensar for personell i skulen som ikkje tek mobbing tilstrekkeleg alvorleg. Kva vil statsråden gjere for at det skal få større konsekvensar å vere mobbar i skulen, og kva for konkrete tiltak ser ho for seg? Når opposisjonen vet at det er bestilt to vurderinger fra Universitetet i Oslo, der den ene dreier seg om opprettelsen av et mobbeombud eller en ombudsfunksjon knyttet til mobbesaker, og den andre dreier seg om hvorvidt eller en ombudsfunksjon knyttet til mobbesaker, og den andre dreier seg om hvorvidt lovverket er godt nok i forhold til å forhindre mobbing eller slå ned på mobbing, er jo denne typen Dokument nr. 8-forslag litt som å slå inn åpne dører. Opposisjonen vet utmerket godt at dette er forslag som nå er til utarbeidelse og vurdering. Jeg vil selvfølgelig ta imot de vurderingene, gå gjennom dem og følge dem opp overfor

manifestet som statsråden har invitert kommunene til, er jo veldig bra. Men ville dette manifestet ha kommet hvis ikke VG hadde laget sine reportasjer om mobbing? Jeg har jo lang erfaring i å være opposisjonspolitiker, og de gangene jeg syntes at jeg lyktes best, var når jeg hadde en viss raushet overfor posisjonen.

fokuset. Jeg er veldig glad for at opposisjonen også er opptatt av dette, men jeg synes ikke dette er et tema der vi trenger å konkurrere mot hverandre om oppmerksomhet, men heller bidra med hverandre for å få et skikkelig trøkk i

jeg lyttet veldig til hva regjeringspartiene har sagt her i dag. Jeg er glad for alle positive signaler i forhold til det med å nærme seg en ombudsfunksjon på dette området. Men jeg har også sett at statsråden har pekt på at det kan være mulig å utvide barneombudets mandat til å inneholde også dette. Da vil ikke det gi noen pådriverrolle overfor hver enkelt skole. Det vil heller ikke være en lav terskel Mener statsråden fortsatt at det er barneombudet og en sentral funksjon som vil kunne være den rette måten å gi en hjelp til både foreldre, elever og lærere i denne saken? Jeg er åpen for å diskutere om en ombudsfunksjon kan ha litt forskjellig type innhold. det som Dagrun Eriksen nå tar opp, nemlig det som går på en ombudsrolle som er mer en pådriverrolle enn en vokter av arbeidet når det gjelder mobbing, er én innfallsvinkel. Det jeg i utgangspunktet tenkte da vi ba om utredningen, var at når foreldre og elever rapporterer at de har møtt veggen mange ganger – de har rapportert og tatt opp alvorlige mobbesaker og ikke nådd fram, mange år etter er kanskje situasjonen såkalt løst fordi det barnet som ble mobbet, har flyttet, eller hele familien har flyttet – har jeg syntes det har vært hjerteskjærende historier, og vi må opplagt ha et bedre system for å gi hjelp. Ofte kan det være litt krevende juridisk bistand. Men jeg kommer gjerne tilbake til den diskusjonen når vi får denne utredningen. Og formålsparagrafen for skolen er nydelig og må brukes.

Det er altså slik at hvis private skoler bryter HMS-regelverket i forhold til opplæringsloven, og også andre lover, mister de retten til å drive skole. Staten tar over, elevene blir etter hvert overført til offentlige skoler på kommunalt nivå. Men hvis offentlige skoler bryter HMS-regelverket og opplæringsloven på andre måter,

ved dette. Det som er hovedutfordringen vår, er jo at vi har ingen eksempler på at mobbesaker knyttet til skolesituasjonen har nådd fram i rettssystemet. Det er ikke fordi det ikke skjer, det kan være fordi lovverket er for dårlig. Når det er sagt, mener jeg at vårt mål jo ikke kan være å få flest mulig rettssaker ut av dette. Vårt mål må være å understreke alvoret og forebygge alvorlige mobbesaker. mobbesaker. Det gjør vi jo med et bredt spekter av forslag. Mitt mål er at det skal sitte i veggene på alle skoler at man skal jobbe med et godt læringsmiljø hver eneste dag. Vi vet at dette ikke dreier seg om skippertak. Vi vet at det dreier seg om å ha et generelt godt læringsmiljø med generelt god kontakt mellom lærere og elever, med lærere som har en naturlig Dermed er replikkordskiftet omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg må begynne med å si at dette dessverre er minutter. Jeg må begynne med å si at dette dessverre er en viktig sak som jeg tror mange er enig med meg i at vi aller helst skulle vært foruten. Mobbing i skolen er et stort problem. Mange unger får ødelagt sin barndom og ungdom, og mange bruker store deler av livet til å bearbeide de forferdelige opplevelsene.

Dette kan være et resultat av den politikken som er ført i skolen over mange år, og som bl.a. har vært med på å redusere respekten for lærerrollen. Det har bl.a. vært viktigere å gjøre læreren til kamerat enn at læreren ivaretar rollen som ansvarlig for undervisningen, noe som også innebærer å gjøre elevene til «gagns menneske», som det het i opplæringsloven tidligere. Dersom dårlig oppførsel ikke gripes fatt i med en gang, vil dette tilta og øke i omfang. Derfor må mobbing og plaging av medelever slås ned på umiddelbart. Når dette er sagt, er det også mange skoler som har tatt tak og satt i gang ulike tiltak for å få vekk mobbing og bedre Det er påvist en sammenheng mellom mobbing og kjedsomhet, og at unger som leker sammen, kan bli venner. Derfor har flere skoler satt i gang med noe som heter Trivselsprogrammet, som ikke er et antimobbeprogram, men som kan forebygge mobbing likevel. Programmet går ut på at elevene selv velger trivselsledere som legger til rette for ulike aktiviteter i friminuttene, der målet er å få flest mulig av elevene med. Kravet til trivselslederne er at de er vennlige og respektfulle mot elevene. Andre skoler igjen har kjøpt antimobbeprogrammer for få stoppet mobbingen. Men det Andre skoler igjen har kjøpt antimobbeprogrammer for få stoppet mobbingen. Men det holder ikke å kjøpe programmet. Det må inkorporeres i skolehverdagen og brukes daglig. Det viser seg at de skolene som bruker programmene aktivt, får ned tallet på mobbere. Fremskrittspartiet støtter ikke Utdanningsdirektoratets konklusjon om å fjerne bevilgningene til Igjen og igjen hører vi at foreldrene ikke blir hørt. Foreldrene som henvender seg til skolen for å informere om at deres barn blir mobbet og har det vanskelig i forbindelse med skoledagen eller på skoleveien, når ikke fram når de henvender seg til skolens ledelse. Derfor går Fremskrittspartiet inn for å opprette et eget elevombud for grunnskolen, slik at foreldre og foresatte som ikke når igjennom til ansvarlig skole, har en plass å henvende seg til og få hjelp.
Neste taler er
hjelp. Mobbeproblemet og omfanget av det må vi gripe fatt i, men jeg tror det er en viss fortvilelse blant oss som diskuterer dette her i salen, for vi har ikke fasiten på hvordan vi skal gripe fatt i det, slik at vi får stor uttelling. Et par kommentarer: Først og fremst har jeg lyst til å understreke den merknaden som vi er med på, der vi uttrykker bekymring for Utdanningsdirektoratets konklusjon om å fjerne bevilgninger til antimobbeprogram. Det er nok noen program som ikke har virket etter hensikten, men det å ikke ha tro på og satse på forebyggende arbeid er en resignasjon som jeg synes er skummel. Jeg må si at da jeg sluttet som ordfører i Grimstad, ble det mange spørsmål om hva jeg var mest fornøyd med. Det var lett å svare Universitetet i Agder og ny campus og næringsliv og boligbygging. Jeg angrer i ettertid på at jeg ikke svarte at det viktigste vi gjorde i Grimstad, var å gjøre Grimstad til en MOT-kommune. MOT er ikke et rent antimobbeprogram, men et holdningsprogram som går på å dyktiggjøre unge til å gjøre gode egne valg og få alle de andre til å bry seg. Jeg tror at skal vi virkelig få slutt på mobbingen, må vi – med respekt for ombudsbegrepet, Trine Skei Grande påpekte – ha litt over fire millioner mobbeombud i dette landet. Det dreier seg om at hver enkelt må ta et ansvar, hver enkelt må bry seg. Derfor er dette en vanskelig sak, og vi i Høyre har slitt litt med hva vi skulle gjøre i denne saken. Vi tror det er viktig, hvis det skal være fire millioner mobbevakter – la oss kalle det det – å ha et støttesystem og ha et sted der ting kan følges opp. opp. Det kunne være fristende å gå for begge mindretallsforslagene, for begge har noe i seg som kunne være bra. Vi synes også det er veldig viktig å se på sanksjonsmuligheter. Det er en erfaring at når det er reaksjoner, får en effekter. Det viktigste er å ikke få ansvarsfraskrivelse hos enkeltmennesker – hos hos foresatte, hos rollefigurer, hos ledere i skolen og i fritidsaktiviteter. Høyre vil også presisere at her er det ikke snakk om posisjon og opposisjon, som det var en tendens til debatt om i sted. Her er det altså to av opposisjonspartiene som er med i flertallet. Vi ønsker å være med på å se på aktuelle løsninger. Da er det riktig å vente på den utredningen som er på vei. vei. Det er bakgrunnen for at vi ikke støtter noen av mindretallsforslagene i dag, Men vi forventer at vi kommer tilbake til dette på en grundig måte. Dermed mener vi også å ha gjort det som representanten Warloe varslet, at han ville komme opp og forklare hvorfor vi ikke støtter mindretallsforslagene. Takk for en god debatt. Jeg ser fram til de neste.

og fremst skulle diskutere ombudsproblematikken og ikke ta den store mobbedebatten. Men som flere har understreket, er det aldri bortkastet å fokusere på det temaet. Jeg prøvde som saksordfører å gi en presentasjon av den tenkinga som lå til grunn for det som er lagt fram her, og den debatten vi har hatt i komiteen. Jeg rakk ikke å ta med det poenget som Venstre på en god måte både har skrevet ut her, og som Trine Skei Grande har presentert i debatten – noen refleksjoner omkring ombud. Det syns jeg vi skal ta med oss. Det kan fort være enkelt å be om et nytt ombud når et sakskompleks oppstår på den måten. Det er to problemer knyttet til det: Det ene er demokratiproblemet, forholdet mellom et to problemer knyttet til det: Det ene er demokratiproblemet, forholdet mellom et ombud og oss politikere, men i dette tilfellet også forholdet til andre tunge viktige aktører, slik som fylkesmann, som barneombud, som eksisterende elev- og lærlingombud. Det andre – som henger litt sammen med dette, og som flere på en god måte har vært inne på – er at mobbing er et komplekst og innfløkt problem. For eksempel dette med ikke å glemme mobberen: Vi vet at det er noe grunnleggende trist knyttet til han eller hun som spiller den rollen der. All erfaring viser at de har det heller ikke bra på noen som helst måte, og de vil kanskje heller ikke få det bra videre i livet hvis de ikke klarer å ordne opp i dette. Det har vært gode innlegg rundt dette, og la oss for all del ta med oss det. I inngangen videre til debatten som vil komme, vil jeg signalisere at det. I inngangen videre til debatten som vil komme, vil jeg signalisere at jeg i utgangspunktet har stor sans for at vi skal ta i bruk og videreforedle eksisterende apparat og eksisterende ordninger når vi skal sette større fokus på denne problematikken med mobbing, mer enn at vi skal skille det ut. For dette er ikke et deltema; det er en helhet som skal fungere her for at vi skal bli kvitt, eller i hvert fall få minsket, dette problemet.

Så til svaret som statsråden gir på replikken til representanten Tord Lien, om moglegheiter for sanksjonar og i forhold til rettsapparatet: Eg trur statsråden har heilt rett i at det ikkje er ei målsetjing i seg sjølv med flest mogleg rettssaker. Eg trur at viss vi får éin rettskraftig dom som tydeleg slår fast ansvaret, kan det isolert sett bidra til at fokuset overfor skoleeigar vert mykje tydelegare på dette området. ser eg fram til det lovarbeidet som eventuelt kjem som eit resultat av det vi no har bestilt frå Universitetet i Oslo, og eg håper at det kan vere med og styrkje kampen mot mobbing. I tillegg til det merkar eg meg at Venstre og Senterpartiet i dag tek til orde for ein type elevombod, gjerne lagt inn under barneombodet. Det er jo det same som Framstegspartiet foreslår i dag. Eg innser at det antakeleg ikkje får støtte, iallfall ikkje frå den eine parten. Sjølv om det på mange måtar oppfyller intensjonen i innlegget til representanten frå Senterpartiet, reknar eg ikkje med at vi får støtte til det. Men det er eit signal som det er viktig at også statsråden tek med seg allereie frå Stortinget, eit så tydeleg signal som Senterpartiet her vel å gi.

som hadde druknet, hadde vi sikkert laget både nye lover og kommet med store tiltak. Jeg tror dette kan føles nesten som å bli psykisk druknet midt i skolehverdagen, og derfor er jeg glad for at Stortinget tar seg tid til å diskutere dette i full bredde nok en gang. Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for at alle skoler enten skulle ha et antimobbeprogram eller en handlingsplan mot mobbing. Vi leser de positive signalene vi får i dag, og vi kommer ikke til å gi oss – på vegne av alle dem som opplever mobbing ute i skolen. Vi tror på en slik type mobbeombud. «Hva skjer når menneskeverdet trues?» sa jeg i innlegget mitt. På Sørlandet har vi Stiftelsen Arkivet, som har satt opp dette som en sak som de møter mange skoleelever med. De forteller om hvordan mennesker i Norge sto opp for hverandre, eller ikke sto opp for hverandre, under krigen. Hva med de som ser og ikke handler? Hva med de som opplever at andre rammes, men ikke sier fra? Det er mange gode krefter som kan være med i kampen mot mobbing, som kan sette menneskeverdet på dagsordenen igjen, som kan si noe om skolegang betyr noe for oss, og vi vil virkelig sette i gang alt vi kan for at det skal bli et annet resultat enn det barn opplever i dag. Noen har pekt på fylkesmannen. Jeg har sagt i denne salen før, og jeg sier det igjen: Jeg tror ikke det er det første stedet man tenker på å henvende seg når man har opplevd en mobbesituasjon i sin egen familie.

men som også kan være en ressurs for de elevene og foreldrene som opplever at skolen ikke tar dette på alvor. Jeg håper virkelig at man også ser på sanksjonsmuligheter og muligheter for å kunne kjøre disse sakene for retten, slik at ikke allerede sarte og skjøre, nesten ødelagte liv sitter igjen med saksomkostningene når
Neste taler er

for at man skal jobbe godt med det, men vi tror at de ulike programmene har sin funksjon. Jeg skal komme tilbake til det. Så bare en liten bemerkning til noe av det som Dagrun Eriksen var innom avslutningsvis, og som jeg ikke tror hun mente, men som jeg synes vi skal være veldig forsiktige med. Det er å omtale de som utsettes for mobbing, som f.eks. at de har druknet. Det som imponerer meg veldig mange ganger, er når jeg møter folk som har vært utsatt for den typen overgrep som mobbing er, og har kommet seg ut av det, er at de har en utrolig styrke i seg som de antakelig ikke så da det så som svartest ut, men som mange, som ikke har vært gjennom det samme, kan misunne dem. Jeg vet at Dagrun Eriksen ikke har ment å avskrive noen mennesker og vet at det finnes en styrke i alle. Jeg tror bare det er så avgjørende viktig at vi snakker om det når vi treffer folk som har vært utsatt for dette, fordi det bidrar til å mobilisere dem, og familien rundt dem, til å komme seg ut av en situasjon. Når vi beskriver hvor alvorlig mobbing kan være, bør vi samtidig også vise fram den styrken som utrolig mange mennesker som blir utsatt for overgrep, har, og som jeg lar meg imponere av veldig mange ganger. Jeg har truffet mange barn og unge som har følt seg svake, men som har funnet en styrke som har gjort at de slår de fleste. Dagrun Eriksen har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, til 1 minutt. Jeg håper at statsråden også hørte innlegget mitt hvor jeg nettopp sa at det ikke handlet om å være mobbeoffer, men at et barn som har opplevd det og kommet seg gjennom det, er en mobbeoverlever, som er et begrep som brukes i Kristin Oudmayers bok, hvor mange forteller om sine sterke historier. Mitt poeng med å bruke sammenlikningen er at hadde det vært andre ting som hadde skjedd, hadde kanskje politiske miljøer reagert mye tøffere og mye sterkere. Det var min at man drukner. Jeg håper at vi skal kunne stå her om noen år og si at det ikke er på tross av hva det politiske miljøet gjør, men på grunn av hva det politiske miljøet gjør, at barn blir mobbeoverlevere i samfunnet vårt. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Barnehagesektoren har i løpet av få år blitt en stor og sak nr. 7. Barnehagesektoren har i løpet av få år blitt en stor og viktig sektor i velferdssamfunnet. Om lag 270 000 barn og 85 000 ansatte har sitt daglige virke i barnehagen. Vi har i dag tilnærmet full barnehagedekning, så hvorfor er en videre utvikling av barnehagen fortsatt så høyt på den politiske dagsordenen? Jo, det

så hvorfor er en videre utvikling av barnehagen fortsatt så høyt på den politiske dagsordenen? Jo, det er mange grunner til det. For selv om vi har kommet veldig langt på barnehagefeltet i Norge – ja, så langt at jeg nesten er villig til å komme med den påstanden at Norge er suveren, Norge er i elitedivisjon når det gjelder våre barnehager – har vi fortsatt noen utfordringer Mange land kommer hit for å kopiere våre barnehagekonsept. Det er en bekreftelse på hvilken status norske barnehager har internasjonalt. Likevel kan vi bli enda bedre, og jeg opplever at mange har fokus på innholdet i barnehagene. Politikere både lokalt og nasjonalt samt viktige samfunnsaktører innenfor sektoren er opptatt av I lys av det er jeg veldig glad for å få muligheten til å diskutere innholdet i barns barnehagehverdag med kunnskapsministeren, som er en av de politikerne som skal ha skryt for mye av det som har skjedd på barnehagefeltet de siste årene, en politiker som har et stort engasjement for norske barnehager. Barnehagen utgjør en viktig del av oppveksten for barn i Norge. Mange barn tilbringer mange timer i barnehagen i løpet av en uke. For Høyre er det viktigste i barnehagedebatten å ha barnet i fokus. Høyre ønsker å bevare og utvikle det beste av vår barnehagetradisjon, der barn får lov til å være barn, hvor barndommen har en uttalt egenverdi, og hvor barn møtes med respekt som hele mennesker. Høyre ønsker å ivareta barnehagens egenart ved å ha fokus på at barndommen og barnehagene er en læring og forberedelse til det som kommer senere i livet. For oss i Høyre er det viktig å understreke at barn først og fremst skal få være barn når de er i barnehagen – lek og læring går hånd i hånd. Høyres mål er å ha gode barnehager som evner å se lek og læring sammen med trivsel og skaperglede hos barna. Alle barn er forskjellige, og derfor tror ikke vi det finnes noen fasit på hvordan dette skal skje, og på hvilken måte god læring skal skje i barnehagen. Mangfoldet av barnehager og barnehagetilbud viser dette i praksis. Det er et mangfold vi i er opptatt av å bevare og legge til rette for i vårt videre arbeid med barnehagen. Alle barn skal ha muligheten til et godt barnehagetilbud med høy kvalitet, uavhengig av om de går i en privat eller en kommunal barnehage. Høyre er svært bekymret for effektene av den nye forskriften, og de tallene som nå meldes inn til oss, bl.a. fra Private Barnehagers Landsforbund, gir grunn til uro. Men det lar vi ligge i denne debatten. Det er avgjørende å få mer kunnskap om kvaliteten i barnehagene og om hvordan vi kan forbedre kvaliteten. Rekruttering av førskolelærere, etter- og videreutdanning av personalet, mer uavhengig forskning og forbedring av læringsmiljøet i barnehagene er tiltak Høyre er opptatt av. For å si det enkelt: Det hjelper ikke å ha billige barnehageplasser om ikke kvaliteten på de barnehageplassene holder mål. I det videre arbeidet med kvalitetsarbeidet i barnehagen har Stortinget sluttet seg til tre hovedmål: sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager styrke barnehagen som læringsarena la alle barn få delta aktivt i et inkluderende fellesskap Gjennom behandlingen av stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen ble det også klart at regjeringen ville sette i gang arbeidet med å utvikle et nasjonalt system for å følge med på utviklingen av kvaliteten i sektoren. Dette er viktig. Nå er det omtrent et år siden vi behandlet meldingen om kvalitet i barnehagen, og det hadde vært interessant å høre om statsråden kan gi noen signaler om hvordan regjeringen ligger an i viktige arbeidet. Jeg tror vi alle er enige om at rekruttering av førskolelærere må være jobb nummer én. For selv om kvalitet i barnehagen defineres ut fra mange ulike faktorer, som personale, årsplaner, oppfølging av daglige rutiner, areal og mye mer, mener Høyre at den viktigste aktøren, det som sikrer en barnehagehverdag med god kvalitet, er de ansatte. Trygge, tydelige og omsorgsfulle voksne som barna kan knytte seg til, er viktig. Jeg er rundt og besøker mange barnehager, og det er veldig mye flott å se – barnehager som har svømmebasseng, sanserom og klatrevegger, hvor barn kan lære både å forske og utvikle seg på alle tenkelige og utenkelige måter. Men når det kommer til stykket, hva er det vi foreldre er opptatt av? Hvordan er det vi foreldre ønsker at ungene våre Jo, vi ønsker at de skal ha stabile voksenpersoner rundt seg som kan ivareta dem, som ser ungene våre, som kan gi dem trygghet og omsorg. Først og fremst handler kvalitet i barnehagen om å sikre en tilstrekkelig og kompetent bemanning. Da regjeringen tiltrådte, la den til grunn makspris og full barnehagedekning. Man burde kanskje på et tidligere tidspunkt tatt initiativ til å sikre en forsvarlig bemanning i sektoren. Det har ikke skjedd. Hardt press på utbygging har muligens fått noen negative konsekvenser for den pedagogiske bemanningen, noe som også gjenspeiler seg i den stadige økningen i antallet dispensasjoner fra pedagogkravet og flere barn per ansatt på grunn av økning i antall barn under tre år. Tall for 2009 viser at det er blitt færre ansatte og styrere med pedagogisk utdannelse i barnehagene. Det er bekymringsfulle signaler. Vi må stille oss spørsmålet om kompetansestrategien som regjeringen legger til grunn, virker. Det foreslås en handlingsplan for rekruttering og utdanning av pedagogisk personell i barnehagen. Det kunne vært interessant i denne debatten å høre hvordan regjeringens arbeid med denne handlingsplanen I Høyre har vi foreslått å styrke kvaliteten i barnehagene med ekstra midler som skal gå til å lage en «gjenrekrutteringsstrategi» for førskolelærere i barnehagene og styrke arbeidet med etter- og videreutdanningen. Vi har foreslått å styrke forskningen på barnehagene, og vi har også foreslått å lage et prosjekt for førskolelærerutdanningen à la GNIST, som er et prosjekt som gir gode resultater i skolen. Vi tror det er et skritt i riktig retning for å heve kvaliteten i barnehagen, og vi tror det er viktig nå å være konkret på hvordan man skal heve kvaliteten. Regjeringen har også varslet etablering av et nasjonalt system for å følge med på kvaliteten i sektoren. Det må være av en slik art at man ikke tar ytterligere ressurser fra barnehageansattes tid med barna til mer administrativt arbeid knyttet til rapporterings- og evalueringsvirksomhet som ikke har direkte innvirkning på det arbeidet som gjøres i den enkelte barnehage. Statsråden har tidligere foreslått tiltak for å bedre kunnskapsgrunnlaget, bl.a. videreutvikling av statistikk og kvalitetsindikatorer. Dette er bra, dette er viktig. Jeg tror mange lurer på når disse kvalitetsindikatorene vil komme. Det er behov for å øke kompetansen hos ansatte i barnehagene hva angår å avdekke omsorgssvikt og håndtere barn utsatt for dette. For å sikre den kompetansen er det behov for å styrke samarbeidet mellom ulike etater i kommunen, både når det gjelder kunnskapsutveksling, rådføring har også sagt at de skal se nærmere på samarbeidet mellom barnehage og andre tjenester. Jeg tror det er veldig viktig, det som nå gjøres overfor de førskolelærerstudentene som blir utdannet, i forbindelse med hvordan de skal håndtere slike saker når de blir stilt overfor dem i barnehagen. Høyre er opptatt av å jobbe for et mangfold av barnehager, både private og offentlige, store og små, med ulik organisering og metodebruk. I dag står barnehagene veldig fritt til å velge hvordan de vil organisere hverdagen og det pedagogiske opplegget. Det gjør at vi har fått mange ulike barnehager, som tilbyr barn et variert tilbud, som både ungene og foreldrene setter pris på. I Høyre er vi veldig opptatt av at det mangfoldet også skal prege norske barnehager fremover. Vi håper regjeringen vil være med og legge til rette for det, og jeg er veldig spent på å høre hvilke signaler og ambisjoner statsråden har for det videre arbeidet med kvalitetsheving i barnehagen. Jeg er veldig glad for å få den muligheten som interpellanten nå gir meg til å gå litt gjennom hvordan vi jobber med kvaliteten i barnehagene. Jeg er helt enig i hennes utgangspunkt: Det barnehageløftet som vi har gjennomført, har vekket internasjonal oppmerksomhet. Vi har fått til full barnehagedekning i løpet av meget kort tid. Det er en helt annen virkelighet nå enn det var bare for noen få år siden. Vi har klart det uten å redusere kvalitetskravene, og vi har klart det ved å holde en tredjedel pedagoger blant de ansatte i barnehagene. Jeg hadde fryktet at det var et tall som kom til å gå ned. Men jeg mener det er avgjørende viktig at vi nå både sørger for å rekruttere flere førskolelærere og ansatte med fagbrev i barnehagene og å investere i assistentene, og har en ambisjon om at vi skal ha kvaliteten opp. Gode kvalitetsbarnehager er ekstremt lønnsomt og en viktig investering i samfunnet fordi det sikrer flest mulig barn en god start på livet. Når vi er der at så å si alle barn går i barnehage før de begynner på skolen, gir det oss noen fantastiske muligheter til å gi barn en god start på livslang læring. Jeg var i en barnehage på morgenen i dag – en meget kreativ, god og dyktig drevet barnehage. Der var det både butikk, kunstatelier og aktiviteter på et meget høyt nivå. Det sier jo bare noe om at vi hele veien må tenke stort om de små. Vi vet at ting man opplever i de første leveårene, kan man dra med seg resten av livet. Derfor har vi så uendelig mye igjen for å tenke stort om de små. Nå har kommunene fått det de har ønsket. De har fått det helhetlige ansvaret for barnehagesektoren. De har lenge ønsket at de øremerkede midlene til barnehagene skulle innlemmes i de frie midlene, og sånn har det blitt. Men samtidig betyr det at kommunene har et stort ansvar for å følge opp når det gjelder å holde kvaliteten og oppmerksomheten rundt barnehagene. De har egentlig en mulighet nå til å gå lenger enn det man kommer gjennom øremerkede tildelinger, nemlig å se barnehagetilbudet som en mer integrert del av det helhetlige tilbudet til barn i sin kommune, i samarbeid med barnevernet for spesielt utsatte barn, i samarbeid med skolen når det gjelder alle barns muligheter, selv om jeg er helt enig med Linda Hofstad Helleland i at barnehagen ikke skal være en skole. Barnehagen skal være en arena for lek og læring som tar utgangspunkt i at barndommen har en verdi i seg selv, ikke bare forbereder til senere stadier. Når vi nå har overført over 28 mrd. kr til kommunene for å finansiere barnehagetilbudet, forventer jeg at kommunene både følger de reglene og retningslinjene vi har gitt når det gjelder hvordan man videre skal tilføre de private barnehagene sine tilskudd, og at de også er opptatt av å holde kvalitet og bemanning på plass i barnehagene. Vi følger den utviklingen som nå skjer, veldig tett. Loven og rammeplanen for barnehagene angir sentrale kvalitetskrav. Skal barn møte barnehager med høy og likeverdig kvalitet må barnehageeierne følge regelverket, og kommunene som gjennom godt tilsyn sørge for at regelverket etterleves. Vi har nedsatt et utvalg, som Sylvia Brustad leder, for å se på om det sentrale rammeverket er godt nok når det gjelder styring av barnehagesektoren. Det er et utvalg som skal levere sin innstilling til oss til høsten. Det vi også har gjort, er å varsle at de skal presisere pedagognormen i den veilederen som nå kommer, mange kommuner – og private barnehager for så vidt – har praktisert for slapt i forhold til det vi mener er kravene. Regjeringen har sørget for full dekning, men vi må jo også samtidig vokte at alle kommuner overholder den plikten de nå har til å tilby barnehageplass til alle. Vi har en ambisjon om å få ned ventetiden. I dag er retten knyttet til at man er født før 1. september. Vi ønsker selvfølgelig å ha et høyt fokus på at den retten kan innfris tidligere for alle barn, men det er et budsjettspørsmål. I stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen, som ble behandlet våren 2010, la vi særlig vekt på at vi skulle øke kompetansen hos de ansatte både når det gjelder flere pedagoger og blant det øvrige personalet, at vi skulle utvikle et nasjonalt system for å følge med på utviklingen av kvaliteten i barnehagesektoren og opprette en nettportal om og for barnehagene, og satse på mer forskning i barnehagene. Forskningsbasert kunnskap er en forutsetning for kvalitet og kvalitetsutvikling i barnehagesektoren. Siden 2005 har det vært en betydelig økning i forskningsinnsatsen på barnehageområdet, gjennom programmidler via Norges forskningsråd. Forskningsprogrammet PRAKSISFOU 2006–2010 ga for første gang midler til forskning ikke bare om barnehager, men også i og for barnehager. Disse forskningsprosjektene gir nå kunnskap for utvikling både av politikk, praksis og førskolelærerutdanning. I lys av sektorens størrelse og betydning for barn, foreldre og samfunn er barnehagesektoren fortsatt et underforsket område. Vår egen stortingsmelding om kvalitet i barnehagen og de offentlige utredningene fra bl.a. Brenna- og Østberg-utvalgene er samstemte i behovet for mer og relevant forskning. Dette gjør vi noe med nå. To store utdanningsforskningsprogrammer, det nye praksisrettede og utdanningsforskningsprogrammet Utdanning2020, innebærer at det i år utlyses 140 mill. kr til ulike forskningsprosjekter som forskning om barnehagen som lærings-, omsorgs-, og oppvekstarena for små barn. Forskning tar tid. Vi investerer nå i det kunnskapsgrunnlaget vi trenger for framtidens barnehage, og vi ønsker å styrke barnehagen som et tverrfaglig forskningsfelt. Vi er opptatt av barnehagen som arena for tidlig innsats og sosial utjevning, og vi er opptatt av barnehagen som lærings- og danningsarena. Vi vet allerede mye om små barns behov for nærhet og omsorg, og barns behov for gode tilknytningspersoner. Det vi trenger, er mer forskning og kunnskap om hvordan man organiserer barnehager for de minste, og som de tidligere nevnte offentlige utvalgene påpeker, trenger vi å utvikle kunnskapsgrunnlaget for barnehagens betydning for barn. Gjennom støtte til ulike studier, sånn som mor og barn-studien i regi av Folkehelseinstituttet, vil vi få ytterligere kunnskap om barnehagens betydning for språkutvikling og sosial kompetanse. Ulike undersøkelser vi har bestilt, gir oss viktig kunnskap om barnehagens organisering og kvalitet. Mye viktig kunnskapsutvikling skjer også gjennom det løpende FoU-arbeidet ved universiteter og høgskoler. Gjennom støtte til nasjonale forskerskoler bidrar vi til å bygge forskningskapasitet og kvalitet innenfor utdanningsforskningen. Vi er opptatt av at barnehagenes praksis skal bygge på oppdatert kunnskap om barn og barndom. Vi har derfor etablert et nasjonalt som vil bidra til oversikt over og spredning av kunnskap til bl.a. barnehagefeltet. Jeg er veldig stolt av den norske barnehagetradisjonen. Selv om vi ønsker å videreutvikle barnehagen og utnytte enda bedre det store potensialet som er for læring i barnehagene, må vi ta utgangspunkt i den gode kvaliteten og den gode tilnærmingen vi Den bygger på en helhetlig pedagogisk tilnærming til omsorg og læring og respekt for barndommens egenverdi. Vi legger nå til rette for kompetanse- og utviklingstiltak, sånn at disse endringene skal nedfelles i barnehagenes praksis. De skal følge intensjonene i formålet og rammeplanen for barnehagen. Når det følges opp, får vi barnehager av god kvalitet. Flere utredninger har levert tunge innspill om satsing på barnehagen og barnehagens betydning etter at stortingsmeldingen om kvalitet i barnehager ble behandlet. Det gjelder Brenna-utvalget, det gjelder Østberg-utvalget, det gjelder Midtlyng-utvalget, det gjelder Fordelingsutvalget. Alle disse utredningene følges nå opp. Stortingsmeldingen om Midtlyng-utvalgets innstilling kommer om ikke så lenge. Vi skal gjennomføre en større revisjon av rammeplanen for barnehagen. Både Brenna-utvalget og Østberg-utvalget har kommet med mange forskjellige forslag til utvikling av kvaliteten i barnehagene. Det vi til syvende og sist må konsentrere oss om da, er kompetansen til dem som jobber i barnehagene: førskolelærernes kompetanse og en god førskolelærerutdanning og assistentenes kompetanse og gode muligheter for dem til å utvikle seg i sin
statsråd Kristin Halvorsen

kompetanse. Det er viktig å få flere førskolelærere. Og så må vi ikke glemme alle de fantastiske menneskene som i dag jobber i barnehagene, men som ikke er førskolelærere. De gjør også en utrolig god jobb, og det er også viktig å fokusere på at de skal forbli i barnehagene. Det jeg ønsker å komme litt mer inn på, er de signalene som kommer fra Brenna-utvalget, NOU-en som heter Med forskertrang og lekelyst. Det hadde som mandat å vurdere innføringen av et pedagogisk tilbud til førskolebarn. Utvalget reiser mange interessante problemstillinger: Skal barnehagen bli obligatorisk? Skal vi ha faste mål for hva barn i barnehagen skal lære? Nå er det sånn at flere i regjeringspartiene har ytret at de ser for seg en obligatorisk barnehage på sikt bare kvaliteten er god nok. Jeg ønsker å høre hvilke vurderinger kunnskapsministeren gjør seg rundt de signalene og hvordan regjeringen prinsipielt stiller seg til en obligatorisk barnehage. Høyre mener at en obligatorisk barnehage er et sterkt inngrep i foreldreretten. Det er viktig at familien selv må få lov til å styre om de vil benytte seg av en barnehage, fra hvilken alder de ønsker å benytte seg av tilbudet, hvor mange dager i uken, og at de har mulighet til å ta barna hjem en Valgfrihet og fleksibilitet er veldig viktig for Høyre i barnehagepolitikken. Det kommer det fortsatt til å være. Jeg ser jo bl.a. at Nasjonalt foreldreutvalg for barnehager og Utdanningsforbundet advarer veldig sterkt mot en obligatorisk barnehage. Barnehagen er ikke en miniskole. Selv om vi er opptatt av hva barn lærer i barnehagen, fordi det er viktig for videre i livet, er vi skeptisk til en obligatorisk barnehage og hva det fører med seg når det gjelder medbestemmelse. Det reduserer også mangfoldet og friheten
anbefalte ikke at man innfører en obligatorisk barnehage nå. De mente at barnehagetilbudet fortsatt skal være frivillig, men de foreslo at man skulle innføre en 20 timers gratis barnehage for barn i alderen 3–5 år. Det siste er et som regjeringen ikke har diskutert, og som man ikke har forpliktet seg til i regjeringsplattformen. Det står ikke noe i regjeringsplattformen for inneværende stortingsperiode der regjeringen antyder at vi er enige om å innføre en obligatorisk barnehage. Jeg mener at det avgjørende viktige nå de nærmeste årene, er å sørge for at vi konsentrerer oss om å bygge ut gode kvalitetsbarnehager. Det er også noe som Brenna-utvalget er inne på. De mener at diskusjonen om obligatoriske barnehager bør man ta på det tidspunktet da man ser at en har god dekning av kompetente folk, fordi det er litt annerledes å gi et tilbud enn å innføre noe som er obligatorisk. Selv om vi stiller høye krav til barnehagene i dag, ser jeg at den kvalitetsdebatten henger sammen med spørsmålet om obligatorisk barnehage. Men så er det jo også sånn at de aller fleste barn i dag går i barnehagen før de begynner på skolen. Blant barn med minoritetsbakgrunn går 95 pst. av barna i barnehage før de begynner på skolen. Så det er noen marginale grupper barn man vil nå hvis man innfører en Nå kan det være sånn at det nettopp er barn som ville ha veldig godt utbytte av et barnehagetilbud, og som det sånn sett er viktig å få tak i. Min tilnærming til dette er at første trinn nå er å sørge for å konsolidere barnehagene på nivå med full dekning, sørge for at vi nå over tid holder innsatsen i forhold til å utvikle kvalitet, følger opp om vi har gode nok muligheter til å styre kvaliteten. Det blir et tema når Brustad-utvalget kommer med sin innstilling. Så mener jeg at den videre debatten deretter kan dreie seg om å gi rimeligere tilbud til familier med barn. Husk på: Barnehagereformen har ført til at prisen for de private barnehagene er redusert med 50 pst. og de kommunale med 40 Men likevel er det sånn at barnehage er et ganske dyrt gode for en del familier. Jeg mener det er interessant på sikt å diskutere obligatorisk barnehage eller ytterligere rimeligere barnehage. Her er det ulike tilnærminger blant partiene på Stortinget, for jeg ser jo at noen ønsker å oppheve Hver morgen går 277 000 barn til barnehagen, åpner grinda sammen med mamma eller pappa og er spent på hva dagen kan bringe. Som forelder selv må jeg si at det å levere barn i barnehagen er hver dag en utrolig stor glede, for du ser hvordan barna lyser opp når de ser hverandre, og hvor godt ditt eget barn har det i barnehagen. Men det er samtidig en stadig kime til bekymring, fordi du ønsker selv å bidra så godt du kan som forelder, men også fordi du ønsker at barnehagen skal være best mulig til å fange opp både ditt og andres barn. Dette tror jeg alle foreldre til stadighet tenker igjennom: Hvordan kan barnehagen bli bedre? Hvordan kan vi gjøre det bedre som foreldre? Og her har vi et godt samspill mellom barnehage og foreldre hver eneste dag. Det er en viktig og god interpellasjon som Linda Hofstad Helleland Jeg er glad for at Høyre på den måten, kanskje for første gang egentlig, er veldig tydelig på at barnehagen ikke bare er en oppbevaringsplass, men at det også er en veldig viktig arena for livslang læring og sosial utjevning, og at arbeidet med kvalitet i norske barnehager er særdeles viktig. Det er jeg veldig glad for. Det er mange grunner til at man har satset systematisk for å få full barnehagedekning og for å få flere barn til å komme i barnehage. Vi har sett at de landene som har lyktes best med familiepolitikken, og som gjennom det har sikret at kvinner i stor grad har vært ute i arbeidslivet, er de landene som kom best Norge, Sverige og Island – disse landene – har en enorm motor gjennom det at man har hele befolkningen ute i arbeid istedenfor bare halvparten, mens land som Italia, Spania og Hellas, der kvinner i stor grad er hjemme, har en helt annen forutsetning for å komme seg igjennom de utfordringene de opplever. I tillegg skaper full barnehagedekning og et godt barnehagetilbud en større valgfrihet for foreldrene. Det gir mulighet for arbeid, det gir trygghet for barna, og det gir et godt pedagogisk tilbud. Vi ser at foreldrene i stor grad er veldig godt fornøyd med det tilbudet de får i barnehagen, og ikke minst er det viktig for det enkelte barn. Hvert enkelt barn har muligheten til å bli sett og bli fulgt opp hvis det trenger ekstra hjelp. Det gir barn en god start på livet. Fordelingsutvalget var også tydelig på barnehagens rolle i dette perspektivet, for de sier om barn i førskolealder: «Tiltakene fører til at barna presterer bedre på skolen samt at flere fullfører videregående skole, tar høyere utdanning og lykkes på arbeidsmarkedet.» Kort sagt oppsummerer de sin rapport med: «Kampen mot sosial ulikhet begynner i barnehagen.» Så til de sakene som det må jobbes med framover. Jeg tror det store skillet går mellom dem som har plass, og dem som i dag står utenfor, men som burde hatt plass. Vi vet at full barnehagedekning og lavere pris hjelper mange, og vi ser en stor økning også siste året, særlig i gruppen som er i kontantstøttealder. Det betyr at når foreldrene har reell valgfrihet, velger de barnehageplass foran kontantstøtte. Men vi ser samtidig at det er mange barrierer. Fortsatt er pris en barriere for noen, kontantstøtten er en åpenbar barriere, og holdninger kan også være en barriere. Det er viktig at vi også fra parlamentets side ser på hvorledes vi kan hjelpe dem som kanskje trenger det mest. Da er jo dette med språkferdigheter og motoriske ferdigheter viktig å få kartlagt gjennom f.eks. fireårskontrollen, for å se hvordan vi kan hjelpe dem som trenger ekstra oppfølging. Da tror jeg at barnehagetilbud er særdeles viktig. Gjennom arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen har vi pekt på dette med at ansatte kanskje er den viktigste ressursen. Her må det jobbes med flere pedagoger og kompetanseheving blant assistentene. Kanskje bør vi også vurdere mindre barnegrupper og å få flere yrkesgrupper inn i barnehagen. Det er også viktig å gi de ansatte tid og rom for samtaler og arbeid med kvalitet i barnehagen. Det er viktig å arbeide med bedre kontakt mellom barnehage og hjem. Her har vi jobbet med å få flere foreldresamtaler og opprettet foreldreutvalg. Det tror jeg er særdeles viktig for foreldrene, og overfor de barna som har ekstra behov, er det særdeles viktig at tiltakene i barnehagen følges opp med tiltak i hjemmet. Jeg har først og fremst lyst til å takke interpellanten for å ta opp dette viktige temaet. Det er en god oppfølging av den debatten vi hadde om St.meld. nr. 41 for 2008–2009 Kvalitet i barnehagen. Fremskrittspartiet var en stor støttespiller i barnehageforliket og er veldig glad for at det kom på plass. Likevel er det viktig for Fremskrittspartiet at foreldrene har en valgfrihet med hensyn til hvilket barnepass de ønsker for sine barn, og at det ikke må bli en obligatorisk barnehage, men at foreldrene selv, ut fra sin livssituasjon, bestemmer hvilket barnepass de ønsker for sine barn. Men så ser vi at flere og flere nå velger barnehage for sine barn. Det er i enkelte tilfeller veldig bra, for vi har en annen sak som vi diskuterer, som gjelder likestilling, der vi ønsker at kvinner er mer delaktige i arbeidslivet. Som foregående taler sa, leverer du ungen din i barnehagen og vet at barnet ditt skal være i den barnehagen i mange timer. Flere og flere barn har Så diskuterer vi litt om vi har full barnehagedekning eller ikke. Det er jo litt så som så i forhold til hvordan en ser det. Jeg vil påstå at vi ikke har full barnehagedekning i dag, så lenge det er avhengig av når på året barnet er født. Derfor ønsker Fremskrittspartiet et rullerende opptak i barnehagene og håper at vi kan få på plass det senere en gang. Det er gjort mye når det gjelder barnehagene i det siste. Men jeg må si at jeg er litt skremt over den situasjonen som barnehagene er i i kommunene i dag. Vi kan nesten hver eneste uke lese i avisene om den situasjonen som er, som opposisjonen advarte mot under budsjettbehandlingen i fjor, i og med at pengene nå er innlemmet i rammen til kommunene. Statsråden lovte før jul at hun skulle følge nøye med på hva som skjer i kommunene. Det håper jeg at hun fortsetter å gjøre, for slik som det ser ut nå, kan vi få en rasering av det private tilbudet ute i kommunene. Det ønsker vi ikke. Så har vi også en utfordring med at barnehageforliket ikke er oppfylt ennå, og at en bare har 88 pst. likestilling av de private og de kommunale barnehagene. Det er skuffende at vi ikke klarer å få på plass full likestilling av barnehagene. Jeg tror at veldig mange av de problemene vi ser ute i kommunene i dag, kunne vært unngått hvis vi hadde hatt 100 Temaet i interpellasjonen er kvalitet i barnehagene. Hva er kvalitet? Er kvalitet at vi skal ha en pedagognorm? Er det at det skal være ledd i utdanningsløpet? Eller er kvalitet i barnehagene veldig forskjellig fra barn til barn – at barna trives og har det godt, har god voksentetthet, og at foreldrene vet at barna har en hverdag som de trives med? Derfor kan kvalitet være veldig mange ting. Det ble også nevnt i St.meld. nr. 41. Men kvalitet er også innhold. Derfor må vi fokusere på fleksibilitet og et mangfold der foreldrene selv kan få lov til å velge hvilken barnehage de ønsker å sende ungene sine til, ut fra det innholdet som barnehagen har. Derfor ønsker Fremskrittspartiet at det skal Så ser vi også at vi i dag har nesten 4 000 dispensasjoner, og at det mangler veldig mange – opp mot 4 000 – førskolelærere. Jeg tror vi har en stor utfordring i å få hevet statusen til førskolelærerutdanningen og få flere til å søke på førskolelærerutdanningen. Vi må få økt status her. Det er også viktig at de ansatte, som ofte er ufaglærte, og som gjør et viktig arbeid – de ansatte i barnehagene er jo de som har kontakt med ungene og har den viktigste oppgaven – får en kvalitetsheving, at de kanskje kan få videreutdanning eller en kompetanseheving, slik at heller ikke de står stille. Det er viktig at vi fokuserer på dette, og også fokuserer på utviklingsarbeidet, slik at det kommer alle til gode. Men jeg tror at det som er viktig framover nå, er å fokusere på slik at det kommer alle til gode. Men jeg tror at det som er viktig framover nå, er å fokusere på innholdet i barnehagen og at det er et mangfold, og at veldig mange av de høringsuttalelsene som er kommet fra dem som har vært i arbeid, blir tatt med i det videre arbeidet. Det kommer til å bli mange debatter om dette framover, men jeg tror vi foreløpig må fokusere på den situasjonen vi har i kommunene i dag, og ivareta de private barnehagene, som utgjør halvparten av de barnehagene som vi har der ute. Vi må ikke få en rasering. Jeg håper at statsråden kan forsikre oss om at hun ivaretar de private barnehagene

Utvalget gir klar beskjed om at etter en periode med stor utbygging, store endringer i barnehagesektoren og overgang til rammefinansiering for 2011 er man bekymret for kvaliteten i barnehagene. Man gir også utrykk for bekymring for kompetansesituasjonen hos de ansatte i barnehagene. Det er også interessant at utvalget at det bør unngås at det legges for ensidig vekt på prestasjoner og isolert læring av skolefaglige ferdigheter. Det presiseres at unger som f.eks. tidlig ønsker å lære å lese og skrive, ikke skal hindres i sin utvikling, men det skal heller ikke bli slik at det forventes at alle femåringer skal ha lært å lese før de begynner på skolen. Utvalget mener hovedvekten bør ligge på utvikling av sosial kompetanse, språk og annen kommunikasjon. Jeg oppfatter det også som et korrektiv til SV, som den siste tiden, ikke minst gjennom kvalitetsmeldingen, har framstått som en drivkraft bak en utvikling der barnehagehverdagen skulle gå mer i retning av skole, med mer skriftlig vurdering og kartlegging. Utvalget var også bekymret for kompetansesituasjonen hos de ansatte i barnehagene. Det er viktig å få enda mer fokusering på og enda mer satsing på etter- og videreutdanning for førskolelærere. Derfor har Kristelig Folkeparti satset på det i sitt alternative statsbudsjett. For to og en halv måned siden ble barnehagesektoren lagt inn i rammefinansieringen til kommunene. advarte mot de konsekvensene det ville ha for kvaliteten i barnehagene. Barnehagesektoren er fortsatt en sektor under utvikling, der vi er i ferd med å nå målet om full dekning. Derfor mente vi at det var for tidlig å legge barnehagene inn Man flytter ikke inn i et hus før man vet om betongen i grunnmuren har tørket eller om stenderne står riktig. Vi var rimelig sikre i våre analyser, men jeg hadde nok ikke trodd at utviklingen skulle gå så raskt før vi fikk så mange klare meldinger fra sektoren om hvilken vei det går. I disse dager får vi stadig nye meldinger om kutt i barnehagene rundt omkring i landet. Vi mottar meldinger fra barnehager, kommuner og foreldre, som frykter at kvaliteten i barnehagene er i ferd med å svekkes kraftig. Vi har behandlet en stortingsmelding om kvaliteten i barnehagene. Vi har en debatt om hvordan vi kan styrke kvaliteten i barnehagene i tiden framover. Kvaliteten i barnehagene går i dag ikke opp. Kvaliteten i barnehagene går ned. Spørsmålet er hvordan en SV-statsråd kan være bekvem med en slik situasjon. Hvilken strategi har statsråden for å snu den Det er mange elementer som har kommet fram i debatten, som må vurderes og jobbes med i tiden framover for å styrke kvaliteten i barnehagene. Et av dem er å se på ungenes rettigheter i barnehagene. I den siste tiden har vi hatt en betydelig debatt om den såkalte Adecco-saken, som bl.a. handler om at voksne, mennesker som kan tale sin egen sak, ikke får lov til å jobbe så lenge de vil på grunn av arbeidsmiljøloven. Det er nok mye fornuftig i det, for man skal unngå å komme i en at vi ikke har tilsvarende rettigheter for unger når det gjelder oppholdstid i barnehagen. Det er et av de elementene man må jobbe med for å utvikle kvaliteten i barnehagen videre. Men per i dag går kvaliteten nedover, og det må regjeringen ta tak i. Jeg tenkte, da jeg først hørte interpellanten og så statsråden i sin skjønneste enighet, at det var litt vanskelig å finne noen politiske skillelinjer, men så bidro jo Kristelig Folkeparti til å piske opp stemningen med akkurat det. Først vil jeg berømme interpellanten for å stille en viktig interpellasjon, om det jeg tror er en bekymring hos alle politiske partier akkurat nå, nemlig kvaliteten på denne sektoren. I Venstres alternative budsjett har vi satset på kvalitetsbygging innenfor barnehagen. Vi er alvorlig bekymret, for vi har bygd ut massivt, og vi har vanskelig for å få tilgang på fagfolk. Dette må være det politiske fokuset på barnehagesektoren framover, etter vår mening. Det var noen som sa at hvis det eneste redskapet man har, er en hammer, så fortoner alle spørsmål seg som spiker. Jeg føler at vi i Venstre har kommet litt i den fellen, men jeg mener fortsatt at hvis man tar alle de store utfordringene som velferdsstaten vår står overfor, spesielt i offentlig sektor, kan nesten alt løses med økt kompetanse, økt kunnskap og flere fagfolk. Jeg tror at vi skal snu hele vinklingen – fra kampen for å få flere hender til kampen for å få flere hoder inn i offentlig sektor og inn i mange av de tilbudene vi gir. Det å få flere fagfolk inn i barnehagen, kanskje også med litt mer ulik kompetanse, tror jeg er nøkkelen for å få dette til. Så er det en ting som jeg har fundert mye på etter at å ha jobbet med dette feltet lenge, og det er at det kommer så få bekymringsmeldinger til barnevernet, og det kommer så få andre typer bekymringer fra barnehagesektoren. Det er ikke bare fordi vi mangler kompetanse innenfor sektoren. Nei, jeg tror det har med hele innstillinga til barnehagen å gjøre, for i barnehagen er det ikke nødvendigvis barnet som er kunden. Det er foreldrene som er kunden. Det er foreldrene man skal gjøre en jobb for. Det er foreldrene som på en måte foretar bestillinga av det de ønsker. Og fordi foreldre så lett bare kan skifte barnehage hvert fall sånn som det er nå – blir kampen om å holde på foreldrene viktigere enn å si ifra om eller orke å se at noen barn lider overlast. Jeg har snakket med mange barnehageansatte om dette, som kanskje har jobbet i barnehage i 20–30 år, og som har hatt dårlig samvittighet. For statistisk sett, i forhold til hvor mange barn de har hatt ansvaret for, så skulle de ha sett veldig mange flere statistisk sett, i forhold til hvor mange barn de har hatt ansvaret for, så skulle de ha sett veldig mange flere enn dem de føler at de har sett, og de har dårlig samvittighet for det. Mange av dem sier at de oppfatter det slik at det er foreldrene man gjør jobben for, og at en ikke har så stort fokus på barnet. Det blir helt annerledes når du kommer i en skolesituasjon. Der har du en klasse foran deg med elever, og det er elevene som på en måte er dem som skal ha produktet, eller som skal ha det du produserer for dem. Jeg tror at det er en liten vekker når det gjelder måten vi organiserer barnehagene våre på, at vi kanskje skulle hatt et mye større fokus på at det er de ulike barna som kommer inn døra, som skal være hovedfokuset, ikke det du skal levere tilbake. Det er en utfordring for hele barnehagesektoren å fokusere på det enkelte barnet. Så er jeg enig med både Høyre og Kristelig Folkeparti når de sier at barnehagen ikke skal være noen førskole. Jeg har tidligere i dag sagt at jeg var i Canada i forrige uke og snakket om likestilling. Da begynte jeg av og til å omtale vår barnehage som «Kindergarten». Det blir jo helt feil, så jeg måtte begynne å bruke andre ord, for folk ble helt sjokkert over at vi har ettåringer i skolen. Det skal vi ikke ha. Vi skal ha gode omsorgstilbud, vi skal ha gode, trygge lekeplasser for barn der barn kan utvikle seg, men vi skal også ha et sted der barn med spesielle utfordringer kan oppdages så tidlig at de kan få hjelp før det blir et problem, og barnehager er selve nøkkelen for å få til det. Da trenger vi gode fagfolk som ser dette, men jeg tror også vi trenger en mentalitetsomstilling i barnehagen som handler om at det er barn som er fokuset. Og det er faktisk viktigere å kunne bli uvenner med noen foreldre når de skal hente, fordi du skal ivareta det barnets interesser. Først har jeg lyst til å gi ros til interpellanten for å reise en veldig viktig debatt om kvaliteten i barnehagene. Jeg synes at barnehagedebatten i denne salen i altfor stor grad tidligere har fått dreie seg om hvorvidt det er bra for barna å gå i barnehage eller ikke, og nå synes jeg egentlig fokuset rettes mot det som er det essensielle. Det som er poenget, er at vi hvor det bare var 7 pst. av barna som gikk i barnehage, til i dag, hvor 96 pst. av alle som begynner på skolen, har vært innom barnehagen. Det er på grunn av at vi i løpet av få år har greid å få til full barnehagedekning. Og så er det jo ikke slik, som enkelte har prøvd å hevde, at det med full barnehagedekning er noe som er blitt politikerbestemt – det er det jo! Men det som ikke er politikerbestemt, er at det er foreldrene som har besluttet at de vil ha barna sine i barnehage, og at de heller velger barnehagen framfor alle andre omsorgsalternativer. Da vi satt og diskuterte barnehageforliket tidlig på 2000-tallet, i 2003, hadde vi også noen tall for hvor mange barn man anså ville gå i barnehagen, for å se på hva som var full barnehagedekning. Det resultatet viser, er at mange flere foreldre ønsker at barna deres skal gå i barnehage, enn det man forutså i 2003. Det forteller litt om hvor god barnehagen er, og hvilket godt renommé barnehagen har hos småbarnsforeldre. Jeg vil jo si at jevnt over gir barnehagen et godt tilbud, men det som stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen også dokumenterte, er at det er veldig store forskjeller, og at det ikke finnes noen målingsinstrumenter for å måle kvaliteten i barnehagene på en god måte. Og det arbeidet har regjeringen nå satt i gang gjennom denne Så har jeg lyst til å komme med en gladmelding til representanten Håbrekke, som påstår at kvaliteten i barnehagene har gått ned så dramatisk de siste årene. Det er heldigvis ikke tilfellet. En undersøkelse som ble gjort av departementet i 2009, hvor det var foretatt 30 kvalitetsmålinger, og hvor man hadde spurt både kommuner, foreldre, ansatte i barnehage og flere, viste at man på de 30 kvalitetskriteriene scoret høyere i 2008 enn man gjorde i 2004. Det skal vi være glad for, for det viser at i en periode med en massiv utbygging av barnehageplasser har vi lyktes med å holde oppe kvaliteten og nivået i barnehagene, ja, endog har vi klart å heve kvaliteten bitte lite grann. Så er det en bekymring vi alle deler. Det gjelder bemanningsnivået i barnehagene. Også der har regjeringen gjort en fantastisk innsats. Det er kommet til mer enn 1 000 nye studieplasser innenfor førskolelærerutdanningen, i tillegg til at man har fått arbeidsplassbaserte førskolelærerutdanninger og videreutdanning for ansatte i barnehager. Så nå blir det utdannet førskolelærere som aldri før, og i løpet av 2012 regner man med at man vil være oppe på den normen som og i løpet av 2012 regner man med at man vil være oppe på den normen som man har satt seg. Da begynner jobben videre med å heve kvaliteten ytterligere. Så litt til de to utvalgene som har kikket på barnehagen de siste to årene. Det gjelder spesielt Brenna-utvalget og Fordelingsutvalget. Det som har vært felles for begge de to utvalgene, er at de har poengtert hvor viktig barnehagen er for alle barn, og hvilken egenverdi barnehagen har. Det som har vært bekymringen til begge de to utvalgene, er det lille i barnehage, i hovedsak minoritetsbarn. De har poengtert og foreslått at man er nødt til å ha et tilbud til alle barn, men de har foreslått at det skal være et gratistilbud, ikke et obligatorisk tilbud. Her kommer man også til spørsmålet om obligatorisk barnehage. Det er et faktum at vi ikke engang har obligatorisk skole i Norge – vi har opplæringsplikt – slik at det å ha en obligatorisk barnehage vil være uaktuelt. Dessuten mener Arbeiderpartiet at barnehage bør være et frivillig tilbud. Foreldrene skal ha mulighet til å kunne ta ut barnet av barnehagen og gjøre andre ting hvis de ønsker det, men tilbudet skal være der. Som både representanten Hofstad Helleland og statsråden poengterer, synes også jeg at vi skal ivareta den norske barnehagetradisjonen på en god måte. Vi ønsker ikke at barnehagen skal være en miniskole. Vi ønsker ikke at barnehagen skal være som den franske barnehagen, hvor man måler utviklingen til barna med karakterer – med rød, blå, gul og grønn. Vi ønsker at barnehagen skal være en positiv opplevelse for barna, som de den dagen de begynner på skolen, har gode minner

hensyn til innholdet i barnehagen og på hvilken måte vi ønsker at kvaliteten skal heves. Nå er det mange utvalg, og det er ting på gang utenfor denne salen. Men jeg synes faktisk at det er et selvstendig poeng at vi som stortingspolitikere med ansvar også for barnehageområdet mener om hvordan vi ønsker at norske barnehager skal utvikle seg videre for å bli enda bedre, og at vi snakker om barnas barnehagehverdag. Da vi debatterte stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen for ett år siden, tror jeg at folk flest der ute – småbarnsforeldre og ansatte i barnehagen, altså de som er opptatt av barnehagen – oppfattet én ting fra den og det var kartlegging, som bare var en veldig, veldig liten del av hele meldingen. Det er veldig synd, for det sto veldig mye bra der. Det var også en veldig god behandling av saken i Stortinget. Da jeg satt i går kveld og søkte i stortingsarkivet på interpellasjoner om innhold og kvalitet i barnehagen, måtte jeg ganske mange år tilbake nesten helt til da min mann satt i den komiteen, og det er jo noen år siden. Da var debatten om noe helt annet – om vi i det hele tatt skulle ... Jeg skal ikke gå inn på det, men vi har beveget oss et langt skritt videre. Høyre er veldig opptatt av hvordan kvaliteten skal heves. Jeg oppfatter at vi her i salen også er opptatt av og er enige om at de ansatte som er den viktigste nøkkelen og faktoren for å få en bedre barnehagehverdag for barna våre, og ikke minst – siden det er så mange norske barn som går i barnehagen – at man også har en mulighet for å hjelpe de barna som opplever omsorgssvikt, og som har det veldig vanskelig. Til slutt ønsker jeg å si fra denne talerstolen at Høyre har et sterkt ønske om å bidra i den videre kvalitetsdebatten om hvordan barnehagene skal bli enda bedre. Men vi er også veldig opptatt av at det ikke skal være for mye sentralstyring når det gjelder barnehagene. Vi tror at det er viktig at hver enkelt barnehage selv er med på å bestemme, sammen med foreldrene til de barna som går der. Det er en stor styrke at det er stor styrke at det er så bred politisk enighet om at det er viktig at vi har full barnehagedekning og god kvalitet i barnehagene. Det har denne debatten vist at det har denne debatten vist at det er. Mitt mål er også at vi nå gjennom videre systematisk arbeid – særlig ved å investere i de ansatte og kommende ansatte i barnehagene – kan sørge for at vi styrker kvaliteten videre. Da har vi virkelig utnyttet den kjempemuligheten vi nå har ved at de aller fleste barn går i barnehagen før de begynner på skolen og dermed er i en sammenheng, hvor vi kan sørge for at de vokser og trives og får brukt sine talenter og fanges opp hvis de har noen problemer, som er små når de er små, og som kan bli store når de blir store, men som også kan finne en annen vei ved observante voksne. Jeg håper også at vi kan lande det arbeidet vi nå gjør med tanke på kartleggingsverktøy i barnehagene – som forankres i en ekspertgruppe som skal komme med anbefalinger om hvordan det konkret kan gjøres, med en referansegruppe med folk som i praksis skal spille ball med dem – med mindre politisk konflikt framover, fordi jeg tror det her er viktig at man trener barnehagenes arenaer for observasjon av barns utvikling på en slik måte at man raskt kan komme i gang med å bruke tiltak for å stimulere utviklingen til alle barn. Så er det jo ikke riktig at kvaliteten i barnehagene er for – raskt – nedadgående. Kvaliteten i barnehagene har vært for oppadgående, selv om det har vært en vanvittig omfattende utbygging. Husk på at nesten et helt årskull barn nå har fått plass i barnehagene, i tillegg til dem vi hadde fra før, i løpet av en seksårsperiode. Det er jo helt utrolig at vi har klart å holde kvaliteten og til og med styrke den litt gjennom dette. Men det er ingen grunn til å slappe av! Særlig er det slik at vi må være observante når vi gjennomfører den største implementeringen av et øremerket tilskudd inn i rammene. Det er jeg, det er barnehagene, og det er de private barnehagene. Nå skylder jeg også å gjøre oppmerksom på at dette er jo en forutsetning som har ligget der hele veien i forbindelse med barnehagereformen, varslet Stortinget om at de ville gjennomføre fra 2004. Så den eneste forskjellen de rød-grønne har gjort, er å utsette innlemmingen av de øremerkete midlene med fire år, og det tror jeg har vært fornuftige fire års utsettelser. Jeg gleder meg til å samarbeide med Stortinget videre om kvaliteten i barnehagene og lover at trøkket skal være høyt.

Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hvert parti og 5 minutter til statsråden. Videre vil presidenten foreslå at det ikke blir gitt anledning til replikker etter de enkelte innlegg, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletiden, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Norsk næringsliv domineres av små virksomheter. En stor andel av disse er

En politikk som gjør det lettere å opprette og drive en virksomhet, vil resultere i økt sysselsetting, vekst og verdiskapingsevne for landet og derved bidra til å sikre offentlig og privat velferd. Forslagsstillerne begrunner forslaget med et ønske om å gjøre aksjeselskapsformen mer tilgjengelig for næringsdrivende, da nåværende krav til aksjekapital for å starte et aksjeselskap av mange blir opplevd som å være et hinder. Kravet i dag er en aksjekapital på minst 100 000 kr. I Justisdepartementets svarbrev henvises det til at det for tiden pågår et utredningsarbeid med sikte på forenklinger i aksjeloven. Redusert krav til aksjekapitalens størrelse er blant de temaer som utredes. Statsråden viser derfor til behandlingen av denne utredningen etter at den har vært på høring. I justiskomiteens behandling viser regjeringspartiene også til denne utredningen, og det pågående arbeidet med denne. De foreslår at representantforslaget vedlegges protokollen. Fremskrittspartiet og Høyre foreslår at lov om aksjeselskaper endres ved at minstekravet til aksjekapital reduseres til 25 000 kr. For Høyre er dette et uttrykk for at vi ønsker forenklede regler for næringslivet og lavere terskel for å etablere egen virksomhet. En undersøkelse presentert av NHO viser at nesten halvparten av norske aksjeselskaper er registrert med 100 000 kr i aksjekapital, og at det samme gjaldt 70 pst. av nyetablerte aksjeselskaper i 2010. Et stort antall aksjeselskaper har altså lagt seg på et nivå med lavest mulig aksjekapital. I tillegg kan det forventes at en reduksjon i kravet til aksjekapital vil utligne forskjellene til, og redusere, antall Norskregistrert Utenlandsk Foretak, såkalte NUF-er. Kravet til aksjekapital av en viss størrelse har historisk utgangspunkt i behovet for bl.a. å I dag pekes det imidlertid på at kreditors vern i stedet er knyttet til langt strengere krav til riktig informasjon. For mange potensielle gründere er kravet om en aksjekapital på minimum 100 000 kr et stort hinder. Moderne kommunikasjon og inforegister gjør at kreditorer kan sikre seg på andre måter enn ved kun å se på aksjekapitalen. Dette er et syn som støttes av flere, bl.a. av NHO. I Sverige ble minstekravet til aksjekapital for private aktiebolag redusert til 50 000 svenske kroner fra 1. april 2010. Sammen med nye regler for frivillig revisjon pekes det på at dette er en av de viktigste årsakene til den kraftige økningen i antall nyetablerte selskaper i Sverige. Dette er en utvikling Høyre ønsker å legge til rette for også her i Norge. Derfor fremmer vi komiteens mindretallsforslag fra Fremskrittspartiet og Høyre. Representanten Anders B. Werp har tatt opp det forslaget han refererte til.

Advokat Knudsen la fram si utgreiing og innstilling med forslag til endringar i aksjelova den 7. januar 2011, og saka er no ute på høyring. Innstillinga frå justiskomiteen viser at det no er brei tverrpolitisk einigheit om å sjå nærare på krav til aksjekapital i aksjelova. Eg vil minne om at det i Soria Moria II også er også er lagt vekt på ønsket om å få på plass enklare reglar for næringslivet. Advokat Knudsen har gjort framlegg om å senke minstekravet til aksjekapital i aksjeselskap frå dagens 100 000 kr til 30 000 kr. Med andre ord bør det bli billegare å stifte aksjeselskap, meiner han. Forslaget frå advokat Knudsen, og dette representantforslaget som me i dag behandlar, er slik sett viktige innspel i regjeringas forenklingsdebatt. Forslaga er også viktige for å harmonisere våre krav med våre naboland sine. Vidare kan det, som det også blir hevda av mange, vere eit godt tiltak for å demme opp for NUF – altså Andre element som er viktige å diskutere, er om eit eventuelt redusert minstekrav til aksjekapital vil ha noka betyding for fleire nyetableringar, om det vil svekkje kreditorvernet, eller om ei endring vil kunne medverke til å auke risikoen for tap eller svindel – med andre ord: økonomisk kriminalitet. Det er altså fleire element som må vurderast grundig, før ein eventuelt reduserer krav til aksjekapital. Enkelte har også teke til orde for at ein burde fjerne kravet til aksjekapital heilt. Det trur ikkje eg er fornuftig. Eg er nok redd for at eit slikt grep ville opne for fleire useriøse aktørar, og at lite gjennomtenkte etableringar då ville blitt ein realitet. Eg ser klart mange store og gode fordelar ved å redusere kravet til aksjekapital i aksjelova. Det vil bli billegare å stifte aksjeselskap. Ein får ei harmonisering med våre naboland. Det vil demme opp mot NUF, og det vil ha betyding for andre element i aksjelova, som advokat Knudsen har gjort framlegg om. Eg vil sjølvsagt vere avventande til høyringsresultata, og eg meiner at det hastar med å få ei avklaring. Sjølv om krav til minste aksjekapital bør sjåast i samanheng med andre element i aksjelova, meiner eg likevel at det bør vurderast om aksjekapitalkravet kan vurderast særskilt og fremjast raskt for Stortinget dette for å gjere aksjeselskapsforma enda meir populær, slik at ein kanskje også klarer å demme opp for NUF-etableringar. Og dermed får ein fortgang i å avvikle desse etableringane. Eg ser fram til høyringssvara og vil på bakgrunn av det eg no har sagt, tilrå komiteens Den reglementsmessige tiden for formiddagens møte er nå over. Stortinget avbryter nå sine forhandlinger, og møtet settes igjen kl. 18. Møtet